men vi skal huske på at det alene ikke er nok for at de som strever – det være seg ungdom med lav kompetanse, innvandrere eller mennesker med nedsatt arbeidsevne – raskere kommer i jobb. Inkludering av utsatte grupper er viktigere enn noen gang før. Spesielt unge mennesker som strever med å få fotfeste i arbeidslivet, bekymrer meg. De bør ha et helt og langt yrkesaktivt liv foran seg. Unge skal motiveres til utdanning og jobb, ikke til en trygdetilværelse. Vi må sørge for at de som står på utsiden av arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse, har de nødvendige kvalifikasjonene som kreves for å komme inn. Samtidig må vi sørge for at de som er i arbeidslivet, skal få et godt tilbud om kompetanseutvikling gjennom hele yrkeslivet. Derfor vil regjeringen igangsette en kompetansereform. Et bærekraftig velferdssamfunn handler ikke bare om økonomi. Et bærekraftig velferdssamfunn handler også om den sosiale bærekraften – å inkludere alle i samfunnet. Dette er en stor og krevende oppgave. Tilliten til politiske institusjoner kan utfordres hvis mange mennesker føler seg utenfor og lite verdsatt. Et bærekraftig velferdssamfunn må være et prosjekt for hele samfunnet. Regjeringen inviterer derfor til en inkluderingsdugnad for å få flere mennesker inn i arbeidslivet. Det offentlige kan ikke og klarer ikke å løse inkluderingsjobben alene. Arbeidsgivere har en særlig viktig rolle. Regjeringen vil derfor sørge for at det blir enklere for arbeidsgivere å inkludere folk For tre uker siden oppnevnte regjeringen en ekspertgruppe som skal komme med analyser og utrede tiltak for å øke sysselsettingen. Regjeringen vil også styrke innsatsen for å redusere sykefraværet. IA-avtalen har ikke innfridd våre forventninger på alle områder eller i alle sektorer. Regjeringen vil derfor gjennomgå mål og virkemidler i avtalen sammen med partene i den tiden som gjenstår av dagens avtaleperiode.

er det samlede engasjementet til kontrollmyndighetene og partene i arbeidslivet som kan få satt kriminelle ut av spill gjennom forebygging, holdningsendring og avdekking. Regjeringen vil vurdere økte strafferammer for arbeidslivskriminalitet, og det arbeidet er vi allerede i gang med. Trygge jobber handler også om hvordan vi har det på jobb. Det er alvorlig at et stort antall opplever trakassering, også seksuell trakassering, og særlig stort er dette problemet innenfor helse- og omsorgssektoren og innenfor utelivsbransjen. Alle former for trakassering og diskriminering er uakseptabelt. Regjeringens mål er et trygt og godt organisert arbeidsliv, der de fleste har faste, hele stillinger og opplever en god balanse mellom arbeid og fritid. Norge har gode muligheter. Å ruste oss for et bærekraftig velferdssamfunn inn i framtiden er ikke kostnadsfritt. Her må alle bidra. Det vert replikkordskifte. Jeg vil begynne med å gratulere statsråden med fornyet tillit som arbeids- og og ja, meg selv som nytt medlem av arbeids- og sosialkomiteen. For vårt arbeidsområde er det viktigste for å skape det bærekraftige velferdssamfunnet vi alle ønsker. Det er gjennom flere i arbeid og færre på trygd at vi oppnår et godt samfunn, både for den enkelte som får benyttet sine muligheter, og for samfunnet, som er avhengig av at flest mulig er i arbeid. Jeg bet meg merke i at Høyres parlamentariske leder i et replikkordskifte ved møtets start hevdet at mitt parti er imot det som gjør velferdssamfunnet bærekraftig. Det er en historiefortelling på linje med ren fantasi. Ta bare pensjonsreformen: Allerede i år sparer vi 30 mrd. kr over statsbudsjettet. Hovedårsaken er at flere eldre står lenger i arbeid. arbeid. Siden Høyre angriper Arbeiderpartiet på dette, er jeg veldig spent på å høre statsrådens planer for reformer som i de neste ti årene kan ha i nærheten av samme effekt for arbeidsmarkedet som pensjonsreformen har. Takk for hyggelig hilsen, og jeg vil gjerne replisere tilbake: Gratulerer med sete i en viktig Ja, vi planlegger flere reformer. Det kanskje mest umiddelbare nå er å få fullført den pensjonsreformen som ikke ble ferdigstilt under Stoltenberg II-regjeringen. Vi sitter nå og forhandler med partene, og jeg håper vi kommer i mål, slik at pensjonsreformen også vil gjelde for ansatte i offentlig sektor. Men det må vi komme tilbake til når vi forhåpentligvis har et sluttresultat der.

integrert i det norske samfunnet. For få er bl.a. i jobb, og dette er noe vi skal vi jobbe enda mer med, og særlig på mitt område. Og så er det reformer innenfor de andre sektorene som andre statsråder kan gjøre rede for. Men de jeg nevnte, er blant de viktigste innenfor sosialsektoren. Ja, jeg hørte løft og dugnad og fine ord, men få konkrete reformer og planer for å styrke sysselsettingen og redusere forskjellene. Tvert imot, i regjeringsplattformen står det svart på hvitt at det også i de kommende fire årene skal være dyrere å være organisert arbeidstaker. Fallende organisasjonsgrad er en langvarig trend som dagens regjering åpenbart ikke bærer hele ansvaret for, men det betyr likevel ikke at det er en god idé gjennom politiske vedtak å forsterke trenden med et uorganisert arbeidsliv. Dagens regjering skriver til og med i sin plattform at de anerkjenner det å være uorganisert. uorganisert. Regjeringen har mange fine ord og formuleringer om et trygt arbeidsliv og økt sysselsetting. Men disse ordene er ikke verdt papiret de er skrevet på, så lenge statsråden år etter år fremmer det uorganiserte arbeidslivet, både i sin plattform og i sine budsjetter. Derfor lurer jeg på: Har statsråden noen konkrete planer om å fremme det organiserte arbeidslivet, som kanskje kan veie litt opp for regjeringsplattformens styrking av det

om man vil. Den eneste forskjellen på formuleringen i den stortingsmeldingen og i regjeringserklæringen er at det står på nynorsk i stortingsmeldingen. Ellers er det ingen forskjell i realiteten i dette. Så er jeg opptatt av at vi også skal ha et organisert arbeidsliv. Fra myndighetenes side gjelder det særlig å legge til rette for gode arenaer for i saker og spørsmål som er av særlig betydning for dem. Regjeringen har en rekke arenaer hvor vi nettopp involverer partene: regjeringens kontaktutvalg, som er ledet av statsministeren, Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, som er ledet av undertegnede, og en rekke andre arenaer som vi involverer partene i. Så er det viktig at vi framover nå klarer å skape flere jobber, klarer å trygge jobber, klarer å omstille Norge for den tiden vi nå står i, slik at vi får flere bein å stå på, og det vil også bidra til økt sysselsetting framover.

Kontantstøtten har i løpet av året 20-årsjubileum. Den er ikke nevnt i regjeringsplattformen, og med det har Stortinget og regjeringen en unik mulighet til å samarbeide om en sak som vil få flere i arbeid, gi bedre integrering, og – ja – et mer bærekraftig velferdssamfunn. Mitt spørsmål til slutt i dag er: Er statsråden villig til å arbeide for på sikt å fase ut kontantstøtten, slik at arbeidslinjen blir

godt samarbeid med organisasjonene, og at de kan bidra inn på saker som er viktige for dem. Men det er også viktig å huske på at organisasjonene må være med og gjøre seg selv relevante overfor nye medlemmer. Her har organisasjonene en viktig oppgave. Jeg merket meg at Agenda hadde en artikkel hvor de også til dels kritiserte en del organisasjoners måte å møte nye medlemmer på. Det er viktig at for å få opp organisasjonsgraden skal myndighetene bidra, men også organisasjonene selv må passe på at de er relevante i møtene sine med nye medlemmer, slik at man ser verdien av å melde seg inn. For det er viktig for Norge at man har en høy

med utrygge ansettelseskontrakter og ingen trygghet for inntekt, brer seg i stadig flere bransjer – bygg og anlegg, transport, varehandel og helse. I Aftenposten 22. januar heter det: «Sykehusene leier inn vikarer for 900 millioner i året. Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund mener tallene viser at adgangen til innleie av personell misbrukes. – Innleie er etter loven ment å være en midlertidig løsning, sier hun.» Senterpartiet er helt enig. Mitt spørsmål er: Er statsråden enig i at innleie etter arbeidsmiljøloven er ment å være en midlertidig løsning og skal dekke opp bedriftenes behov for vikarer? Jeg er enig med representanten Lundteigen i at faste ansettelser skal være hovedregelen, og det er også hovedregelen. De aller fleste er fast ansatt, og sånn skal det også være. Så har man ut fra arbeidsmiljøloven i dag ulike muligheter midlertidig, og det er ulike vilkår for å kunne ansette midlertidig. Nå ser vi at antallet midlertidige ansettelser faktisk går ned, ifølge AKU-tallene. Vi ser at antall heltidsansettelser går opp. Regjeringen tok et viktig grep i forrige periode da vi strammet inn i lov om statens ansatte, hvor vi begrenser statens mulighet til å ansette midlertidig. Det er dessverre i stor grad i offentlig sektor at en del av disse ansettelsesformene er utbredt. Som representanten Lundteigen kjenner til, har vi sendt ut på høring flere forslag for å begrense innleiebruken. Dette vil vi komme tilbake til Stortinget med, forhåpentligvis i løpet av kort tid, i form av en proposisjon, for å legge

fordi innleie etter loven var ment å være en midlertidig løsning. Er statsråden enig i at innleie etter loven er ment å være en midlertidig løsning, eller skal det erstatte faste ansettelser? I utgangspunktet leier man inn enten hvis det er reelle vikariater, eller hvis det er topper og sesongvariasjoner, som man bl.a. ser i primærnæringene og bygg og anlegg. eller hvis det er topper og sesongvariasjoner, som man bl.a. ser i primærnæringene og bygg og anlegg. Ellers er det den generelle ordningen, som gjør at man kan leie inn midlertidig også – det som er relativt det siste. I utgangspunktet skal man bruke innleie som unntaksbestemmelser, ikke for å erstatte faste ansettelser. Regjeringen har nå strammet inn statens mulighet til å kunne ansette midlertidig. Vi vil også fremme forslag for å begrense bruken av innleie, som vi har sett en del av, kanskje primært i bygg- og anleggsbransjen i Oslo. Men der har vi ikke konkludert ennå, så det må vi komme tilbake til. Men hovedregelen skal være faste ansettelser, det er også faste ansettelser, og vi ser at bruken av midlertidige ansettelser faktisk går ned, og heltidsansettelsene går opp. Jeg takker for svaret. Det som statsråden sier, er at innleie skal dekke topper. Det er vi i Senterpartiet enig i. i. Topper er midlertidighet, og det er i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-9. Når det gjelder bemanningsselskaper, er referansen § 14-12 , som statsråden er kjent med. Men det som Eli Gunhild By refererer til, er utbredelsen av at innleiepersoner går inn og erstatter ordinære jobber, hvor hjemmelen er § 14-12 . Er statsråden enig med Eli Gunhild By, som sier at innleie etter loven er ment å være en midlertidig løsning, altså ikke i henhold til slik det utvikler seg i dag?

mulig å leie inn ved behov, men vi ønsker ikke at man skal ha det omfanget vi har sett i enkelte bransjer, særlig i Oslo. Det er det vi gjennom høringsforslagene har forsøkt å legge noen begrensninger

gode tiltak på dette området, utan å forklara seg vekk i utgreiingar og undersøkingar? Betyr dette at ein vil gje tydelege pålegg til helseføretaka om å fiksa opp i dette, eller kan det bety betra rettar i arbeidsmiljølova? Eg tenkjer at statsråden har nokre personlege tankar om kva som kan vera gode tiltak

deltidsstillinger. Man vil bl.a. få betydelig lavere pensjon hvis man har jobbet lite i forhold til hvis man jobber mer. Alle arbeidsgivere har et ansvar, ikke minst i offentlig sektor, hvor mange av deltidsstillingene er, særlig i helse- og sosialsektoren. Der er kommunene også viktige. Det som regjeringen bl.a. gjorde før sommeren i fjor, var å sende ut på høring forslag for å få til flere heltidsstillinger, bl.a. ved å gi deltidsansatte fortrinnsrett til en høyere stillingsbrøk når arbeidsgiver lyser ut stilling. Man hadde det slik tidligere også, man så viste det seg at Høyesterett ikke var enig med oss, så da foreslår vi å endre loven, slik at man kan få adgang til det. det. Arbeidslivskriminalitet raner samfunnet, sa statsråden, og det er jeg veldig glad for at hun sier, for det er den ordbruken vi faktisk trenger å ha på dette. Det truer ærlige bedrifter, og det ødelegger grunnlaget for velferden vår. Dette er de store Statsråden nevnte økte strafferammer, og det er SV for, men problemet er at når dette blir tatt opp med politiet, blir sakene lagt vekk. Det viser Riksrevisjonens rapporter. Økte overtredelsesgebyr, derimot, som Arbeidstilsynet kan ilegge direkte – altså at man plukker vekk de

kriminaliteten, slik at saken går lettere gjennom også i retten. Om et par uker får vi årsrapporten for 2017 fra de samordnete sentrene. Jeg er spent på å se på utviklingen der. Det jeg får høre, er at arbeidet går i riktig retning, men det er krevende, det krever penger, hjemler, kompetanse og internasjonalt samarbeid. Vi jobber langs alle disse aksene. Replikkordskiftet er omme. Jeg vil også begynne med å gratulere Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre med å ha funnet sammen i en ny regjering og

Breivik og representanten Christensen at Breivik mente at man hadde funnet sammen mot alle odds. Det var kanskje noe mindre overraskende for en del av oss andre at dette skjedde, men det har i hvert fall skjedd, og vi har da en ny regjering som vi anser som en blå-blå-blå regjering, hvor Venstre har forsterket mange av de sidene som gjør Høyre og Fremskrittspartiet til høyrepartier. Men dem om det. Når det gjelder erklæringen som ble framført i går, sier den mye bra. Den har mange høye, gode – litt luftige – mål, og det å diskutere den fra en opposisjonsposisjon blir litt som å prøve å holde et slags motinnlegg til en 17. mai-tale, og det er ikke så enkelt. Derfor må vi også ta plattformen fra Jeløya i bruk. Riktignok er plattformen fra Jeløya relativt full av «vurdere» og «utrede» – det er 102 eksempler på at noe skal utredes, eller at det skal startes en utredning, men det er også en viss klarhet i hva det egentlig er som gjelder. Representanten Bru sa i denne debatten tidligere i dag at Jeløya og erklæringen fra i går var mye mer ambisiøs på klimaområdet enn hva Soria Moria var i 2005. Nå mener jeg at Soria Moria-erklæringen i 2005 var svært ambisiøs for sin tid, for man må forstå dette i forhold til hvor man er i den internasjonale utviklingen. Jeg vil si at det nå står mange bra mål her, og jeg erklærer at Arbeiderpartiet ser fram til å samarbeide om de målene, men man må ha et ambisjonsnivå som står i forhold til at vi nå har Parisavtalen bak oss, vi har klare forpliktelser – vi har forpliktelser vi skal oppfylle sammen med andre, og vi har forpliktelser vi skal oppfylle på egen hånd – og i de kommende debattene om disse spørsmålene kommer vi til å ha en ganske inngående diskusjon om de konkrete virkemidlene. Det feltet som jeg hadde lyst til å nevne spesielt, er karbonfangst og -lagring. Jeg oppfatter det slik at Jeløya-plattformen på mange måter er mindre ambisiøs enn det Sundvolden-erklæringen var fem år tidligere. Det er flere forbehold bygget inn i denne erklæringen, og det forundrer meg litt, spesielt fordi Venstre er med. Jeg mener at det er av overordnet betydning at vi lykkes med å opprettholde og videreføre en foregangsrolle innenfor karbonfangst og og -lagring. Det er kanskje bare passe interessant at jeg og Arbeiderpartiet mener det, men det mener også en samlet industri, en samlet fagbevegelse og en samlet miljøbevegelse. Dette er ekstremt viktig å ha tydelighet rundt, og vi kommer til å være ambisiøse der. Så ønsker vi velkommen en del andre ting, bl.a. at skattefordelene med elbil videreføres, noe vi ser også lå i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett. Her ønsker vi velkommen etter; vi regner med at Venstre har hatt medvirkning til det, og det anerkjenner vi – tilsvarende på en del områder innenfor naturforvaltning. Men vi vil se hva som skjer i praksis. Jeg har også lyst til å si at det vi gjerne skulle ha hatt noe mer klarhet i, er hva regjeringen egentlig mener når det gjelder klimarisikoutvalget. Vi har ønsket det velkommen, det er en god idé. Men vi har fått litt ulike svar på om det også vil gjelde petroleumsregimet. Ifølge mandatet skal det ikke gjøre det. Så hørte vi statsråd Skei Grande antyde at det kanskje etter hvert skulle gjøre det likevel. Det er kanskje en god idé, men det hadde vært bra å ha en tydelighet rundt akkurat det, for det er et av de viktige spørsmålene for oss. I erklæringen som ble framført av statsministeren i går, ble det ikke sagt noe som helst om olje og gass og om oljen og gassens framtid. Man må til plattformen for å finne mer om det. Jeg tror det her er viktig at vi på den ene siden sender klare og tydelige signaler til næringen om at den skal være med oss i mange år framover – det er en viktig del av norsk industri, det er viktig for norske arbeidsplasser. Men vi skal også ha en ambisjon om å trekke dem med i den lange omstillingen til en virkelighet hvor de er mindre tunge, og hvor andre energiformer og industriformer står lenger framme. Så her er det noen spede begynnelser. Man kan være betydelig mer konkret. Arbeiderpartiet ser fram til et godt samarbeid om disse spørsmålene, for det er viktig at vi som lever i dag, er like ambisiøse og like tydelige på den lange veien for norsk næringsliv og norsk arbeidsliv som de som gikk foran oss, var da de tok oss inn i det samfunnet vi er en del av i dag.

Vi står overfor et digitalt skifte. Oljeinntektene vil falle. Vi får flere eldre over 70 år. Ja, på bare 20 år vil det bli over dobbelt så mange nordmenn som er over 80 år. Det betyr at behovet for helse- og omsorgstjenester i våre kommuner vil øke. Og siden 2012 og fram til i dag er det over 80 000 nyankomne som skal integreres og i salen diskutert nødvendigheten av en kommunereform og kommunenes utfordringer, og det er tydelig at det er noen som ikke ønsker denne utviklingen av en kommunereform, men utviklingen skjer, uavhengig av om Senterpartiet stritter imot. Vi gjennomfører ikke reformer fordi vi vil forandre Norge, men fordi det er Norge som er forandret. Skal vi ha gode tjenester der vi bor, trenger vi sterke velferdskommuner. Da kan vi ikke akseptere at det er én stilling i barnevernet. Da blir tjenestene til de mest sårbare barna, de barna som trenger det aller mest, borte, skulle den dyktige ansatte bli syk, dra på ferie eller velge å flytte. Derfor er regjeringen enig med Kristelig Folkeparti om at kommunereformen fortsetter, og vi vil forenkle og forbedre. Vi vil ta vekk øremerkinger og hindre at byråkratiet skal vokse. Vi vil kort sagt flytte mer makt ut av staten og inn i kommunene. Det er kommunene som vet best, ikke Arbeiderpartiet, ikke SV eller Senterpartiet. Det snakkes vakkert om lokalt selvstyre fra disse, men i praksis blir det en at de kan styre kommunene når det er en øremerkingsgalopp fra salen her. Arbeidsdeltakelsen blant innvandrere er lavere enn i befolkningen for øvrig. Å få flere innvandrere i arbeid er derfor en av regjeringens viktigste oppgaver. Et bærekraftig velferdssamfunn er avhengig av at flere kommer i arbeid. Vi skal gjennomføre et integreringsløft. Vi er nødt til å vurdere nye modeller for introduksjonsprogrammet for å få raskere fullføring for dem som er i programmet. Det må bli lettere å kombinere språkopplæring og arbeidspraksis. Språk er i det hele tatt nøkkelen til å komme inn i arbeidslivet og samfunnet. Vi må fornye og forbedre norskopplæringen. Integrering er en toveisprosess, og den enkelte innvandrer må også stille med egeninnsats. Regjeringen vil derfor innføre en ordning der personer som etter fem års oppholdstillatelse mottar kommunale ytelser og støtteordninger, som ikke er i arbeid, og som ikke har tilfredsstillende norskkunnskaper, skal ha en aktivitetsplikt til å delta i språkopplæring. Jeg regner med at Arbeiderpartiet vil være med og støtte dette. Vi må bekjempe negativ sosial kontroll og støtte personer som de skamløse jentene, som har gått foran. Det skulle være helt unødvendig å måtte bryte med sin familie dersom man velger en annen utdanning eller ektefelle enn den familien har utpekt, eller fordi man er homofil. Et slikt samfunn vil vi ikke ha, enten det er i innvandrermiljøer, på bedehus eller i grendesamfunn. Dette er den første regjeringserklæringen som har dedikert et helt kapittel til negativ sosial kontroll, og vi vil følge opp handlingsplanen mot sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og de 28 tiltakene som ligger i planen. Vi vil også iverksette nye tiltak. For å unngå at barn mot sin vilje blir sendt ut av landet, hvor de utsettes for vold og overgrep, kan det være nødvendig å nekte passutstedelse. Dette er også et grep som jeg regner med flere her i salen vil støtte. Vi er enige om at undervisning ikke skal deles etter kjønn av kulturelle eller religiøse årsaker. Jenter må kunne dra på leirskole og delta i sportslige aktiviteter uten at det stilles spørsmål ved dette. Det trengs tett oppfølging av elever eller foreldre der elevene ikke får lov til nettopp dette, og det er naturlig at kommunene må gå på hjemmebesøk ved mistanke om at barna holdes borte fra skolen.

Eldre mennesker i dag er en sammensatt gruppe. Allerede i 2016 var det over én million som hadde fylt 60 år. Og flere skal det bli. For meg er det også viktig at vi som samfunn tar vare på folks helse, som er en av nøklene til et langt liv. Det er fordi menneskene som bor her i Norge, er den viktigste ressursen. Jeg gleder meg til å jobbe for en bedre folkehelse og er opptatt av at vi skal forebygge der vi kan, og ikke minst skal vi reparere der vi må. God folkehelse skapes bl.a. gjennom de små valgene vi gjør i livene våre. For meg handler det om å ta trappa til kontoret mitt i 7. etasje, jogge en tur langs stranda i Mandal eller å gå på Pilates med jentene. I tillegg er jeg opptatt av å spise sunt. Det er de små grepene, som å skjære opp frukt eller passe på at de rundt en har det bra, og si: «Hei, hvordan står det til med deg?», som gjør livet bra. Det er også viktig å huske at fem om dagen gjør godt for magen. God folkehelse er godt for både kroppen og toppen. Jeg kan tilrettelegge, men den enkelte må faktisk ta et ansvar selv. Vi har god helse her i Norge, men vi har fortsatt en del utfordringer. Andelen unge kvinner med psykiske lidelser øker, og det gjør også andelen mennesker med fedme. I 2019 vil jeg fremme en ny folkehelsemelding, hvor vi skal se hele livsløpet i sammenheng. Vaner og holdninger vi tilegner oss som unge, påvirker vår mulighet til å lykkes videre i livet. Ikke minst har helsen vi har som unge, stor betydning for hvor lenge vi lever, og hvordan vi vil få det som eldre.

Derfor må vi også tilpasse tjenestene slik at eldre kan få støtte og hjelp til det de trenger i sitt eget hjem. Dette kommer jeg til å jobbe mye med – ikke minst gjennom den nye kvalitetsreformen for eldre, som heter «Leve hele livet». Målet med «Leve hele livet» er at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre sin hverdag. Reformen blir annerledes, for den bygger på kommunenes egne fungere, den skal gjøre det mulig for den enkelte å bli sett, og den skal styrke kvaliteten i det grunnleggende, nemlig mat og måltider, aktivitet og fellesskap og god sammenheng i helsetjenestene. En stor utfordring for eldre i dag er ensomhet. De har ingen å snakke med, ingen å spise sammen med og ingen å dele livets gleder med – alle der ute blir ikke sett. Sånn kan vi ikke ha det i Norge. Norge. Her er også frivilligheten viktig. Det er også viktig for meg å knytte generasjonene bedre sammen, rett og slett barneglede mot eldresorg eller at studenter kan bo sammen med eldre mennesker. Jeg gleder meg veldig til å legge fram denne nye reformen.

har fått landets første eldreminister, vil jeg gjerne spørre henne om hun kan klargjøre hvilken portefølje hun har, og hva som er hennes konstitusjonelle ansvar overfor Stortinget. Det viktigste for meg og regjeringen er først og fremst å ha en sammenheng i omsorgsbiten for de eldre. Det er viktig å se de eldre i et større perspektiv, noe regjeringen også er veldig opptatt av. Når det gjelder porteføljen innenfor folkehelse, har det vært et område som ikke har kommet så tydelig fram før,

eldreomsorg osv. Alt vil komme inn under folkehelseposten. Det kan nesten høres som om det er eldreministeren Stortinget skal forholde seg til når det gjelder helsepolitikken, og ikke helseministeren. Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg videre. Jeg har enda et spørsmål til ministeren: I Politisk kvarter i forrige uke nevnte eldreministeren at statlig finansiering av eldreomsorgen skal hindre at innbyggere i fattige kommuner ikke får like gode tjenester som innbyggere i rikere kommuner. Da vil jeg spørre eldreministeren om hun mener at regjeringens kommuneopplegg er godt nok til at kommunene får løst sine oppgaver. Vi i Arbeiderpartiet har lagt 2 mrd. kr mer enn regjeringen på bordet til kommunene. Og så lurer jeg på: Hvis man nå låser midler til eldreomsorgen, hvilke områder vil eldreministeren da nedprioritere til fordel for eldreomsorgen? Er det folkehelsearbeidet, skolehelsetjenesten, avlastningstilbud for barn eller andre tjenester? Jeg mener at det viktige med den evalueringsrapporten som vi nå har fått, er at den viser at det var riktig å starte Dette er veien å gå, og vi ønsker som sagt å utvide ordningen, både med antall kommuner og i tid. Vi ser at det er forskjeller mellom fattige og rike kommuner ute i Kommune-Norge i dag. Det at man bruker dette området som salderingspost i at vi bør ha en lovpålagt oppgave à la det vi har i skolen. Det er ingen som setter spørsmålstegn ved at det finnes statlige midler som er øremerket sektoren – vi stiller ingen spørsmål om det er forskjell mellom et barn i en førsteklasse i min kommune, Mandal, og i Stjørdal. Men plutselig skal det være vanskelig å se for seg at kommunene på området eldreomsorg ikke skal levere samme tjeneste. Det viktige er her å tørre å forsøke å tenke nytt. nytt. Det betyr ikke at det vi har, er dårlig, men vi skal tørre å tenke nytt. Jeg gikk kanskje litt for bredt ut i mitt spørsmål, så nå skal jeg være veldig presis: Mener eldreministeren at kommunene med regjeringens kommuneopplegg har nok penger til å utføre sine oppgaver? Nå har ikke jeg tatt stilling til innhold eller hvordan vi skal finansiere dette. Det kommer vi tilbake til i neste budsjett. Men det er ikke tvil om at den nye reformen, som heter «Leve hele livet», livet», vil være en viktig bit i den statlige forsøksordningen vi har. For dette er å se helhet. Det er det vi ofte har manglet i kommunepolitikken på dette området – det å se helhet. Én ting er at kommunene selv kan ta noen valg, men de viktige linjene i kommunen for dette området med statlige midler om det blir en øremerking, om det blir en utvidelse av pott – skal jeg komme tilbake til. At de skal få lov til å forme videre på dette, er viktig for oss.

Så står det òg at regjeringa vil sørgja for eit godt samarbeid med ideelle aktørar, og det står òg eit punkt om at ein skal styrkja helsetilbodet for dei eldre. Så er det jo eit paradoks at samtidig som dette vert skrive i plattforma, har Blå Kors sitt behandlingstilbod for alkohol- og medikamentavhengige på Borgestadklinikken i Drammen, Bragernes, fått avskjed frå Helse tilsette – og må leggja ned 25 døgnplassar. Spørsmålet er om den nye folkehelseministeren vil gå inn og sikra at dette tilbodet kan verte halde oppe. Først vil jeg si at vi vil videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk. Dem viderefører vi. Når det gjelder de enkelte institusjonene og og det som skjer ute i kommunene på enkelte områder, ligger det under min gode kollega som sitter her i salen, som kanskje har mulighet til å svare på det senere når han skal holde innlegg. Ellers er det klart for meg innenfor folkehelseområdet at det å være i forebyggingsaspektet betyr å gi informasjon og kunnskap – til barn, til unge, til voksne – om konsekvenser på de ulike områdene. Men det er opp til den enkelte å kunne ta sine valg. Det er viktig at enkeltindividet faktisk er informert og har god kunnskap om folkehelse og kan ta de rette valgene, og det er jeg nokså overbevist om at representanten Toppe og jeg er enige om. Dette vert jo ikkje enkelt, når statsråden forstår det slik at Men til alkoholpolitikken: Det står eit punkt i regjeringsplattforma som eg håpar at denne statsråden har ansvaret for og kan seia noko om, og det er at ein skal føra vidare hovudlinjene i dagens alkoholpolitikk og ha eit større handlingsrom i spørsmålet om skjenketider og utsalsstader. Mitt spørsmål Mitt spørsmål er da: Meiner statsråden for folkehelse at dette punktet betyr at ein vil ha ei innstramming i denne politikken, eller betyr det at ein ser for seg at det kan verta ei liberalisering? Kva er viljen til statsråden? Vi ønsker å videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk og å gi kommunene valgfrihet til f.eks. å kunne ha lengre åpningstider det mener vi at den enkelte kommune selv kan avgjøre. De kjenner sin kommune, de kjenner hvordan ting fungerer, og det er prinsippet for meg også. Igjen: I stedet for å være formyndere som hele tiden kommer med pekefingeren, tenker jeg at folk skal få den informasjonen og ta sine valg – gode som dårlige – men det er viktig for meg å være i det forebyggende aspektet og informere godt om plusser og Men det skal aldri være tvil om at vi viderefører hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk, og jeg forstår det også slik at Senterpartiet har vært enig i mye av det som ligger der i dag.
Det er litt uklart hva statsråden egentlig har ansvaret for, men hun sier i hvert fall at hun har ansvaret for forebyggende arbeid også for eldre, og at man skal informere om konsekvensen av ulike ting. Da håper jeg hun gjør det til sine statsrådkolleger, for noe av det viktigste for eldre er jo at man skal kunne bo hjemme I Norge er det 600 boligblokker, 380 av dem er uten heis. To av tre boligblokker har ikke tilgang på heis. Det er de eldste blokkene som ikke har heis, og der bor det mange eldre med lav inntekt som ikke har råd til å kjøpe en ny leilighet med heis. Hva skjedde i budsjettet? Jo, regjeringen kuttet tilskuddene til å få etablert heis i blokk, de har halvert tilskuddet på to år. Vil statsråden ta på seg informasjonsoppgaven og ansvaret for å redegjøre for sine kolleger om konsekvensen av dette, som er at mange flere da vil ende opp med å måtte bo på sykehjem eller i omsorgsboliger? Det er sånn at hver enkelt kommune har et ansvar for å kartlegge sine behov, og det er stor forskjell mellom de behovene som er i større byer, som representanten Andersen her er opptatt av, og de som er ute på bygda, ute i distriktene. Selvfølgelig ser jeg utfordringen med at det sitter mange eldre i dårlige leiligheter uten heis – som sliter. Men igjen handler det om det tilbudet som kommunene skal gi innen omsorg, med hensyn til å kartlegge de ulike behovene og sy sammen en pakke som passer til den enkelte, også

satsing på forebygging av tobakksbruk og hjelpe dem som ønsker å slutte. På tross av dette har Fremskrittspartiet i forrige periode, da helseministeren foreslo nøytrale tobakkspakker og nøytrale snuspakker, stemt imot. De ønsker heller ikke andre ordninger for å minske passiv røyking eller å hindre at flere begynner å røyke. Mitt spørsmål, når helsenorge.no sier at passiv røyking er svært skadelig for barn og unge, er: Hva vil statsråden gjøre for å løse den største enkeltårsaken til at folk dør for tidlig i Norge? Vi er opptatt av at ingen ufrivillig skal utsettes for passiv røyking. Det er også viktig å vise hensyn til hverandre i det offentlige rom. Jeg tror også på forebyggingsbiten, som ligger under mitt ansvarsområde når det gjelder folkehelse – nettopp å få barn og unge til å begynne med verken snus eller røyking eller annet. Jeg er helt enig med representanten Bollestad i at røyking fortsatt er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og for tidlig død i Norge, og det er også en av hovedårsakene – det skal vi ikke glemme – til sosiale helseforskjeller. Så dette er et viktig område for meg. Så vil ikke jeg gå tilbake til forrige periode og si at det partiet jeg representerer, mente sånn og slik. Nå står vi i en ny situasjon. Vi har en ny regjering, vi har et nytt parti som er med, og vi vil da utforme politikk som er tilpasset både Jeløya-plattformen og den framtiden vi kommer til å møte.

I SV er vi klare til – og det har vi signalisert før – å sikre flertall for viktige saker for landets eldre. Derfor er mitt spørsmål i dag så enkelt som dette: Vil Fremskrittspartiet og regjeringen støtte SVs forslag om en kartlegging av menneskerettighetene i eldreomsorgen? Vil Fremskrittspartiet og regjeringen støtte SVs forslag om en bemanningsnorm, så eldre blir tatt skikkelig vare på? Og vil Fremskrittspartiet og regjeringen støtte SVs forslag om å sikre enerom til alle eldre på sykehjem i stedet for en mislykket rabattordning? Nå er det jo sånn at saker som kommer opp her, og skal til behandling her, vil vi bli involvert i via våre representanter i Jeg er helt enig i det representanten fra SV her sier, at det å kikke på dette området, det å se hvem som sliter, er viktig. Men det kommer også en reform, som blir lagt fram i mai/juni, som heter «Leve hele livet». Der vil vi se på helheten i hvordan det fungerer i kommunene, for det skal ikke bare dreie seg om mat eller aktivitet, det skal også dreie seg om sammenhengende helsetjenester, som er litt av det representanten her er innom. Vi skal se på strukturer rundt dette med enerom og dobbeltrom. I noen av de kommunene som har testet ut statlig eldreomsorg, finnes det eksempler på at enkelte ikke ønsker å bo sammen selv om man er gift. Det er altså ting vi ikke alltid har tatt høyde for. Men jeg kan love at vi skal ta seriøst de forslagene SV kommer med , vi skal se på dem, og vi skal prøve å se hva vi kan være med på. Tida er ute. Replikkordskiftet er omme. Velgerne ga de fire ikke-sosialistiske partiene flertall ved valget sist høst. Nå er resultatet av regjeringsforhandlingene klar. Vi

statsminister. Jeg har tillit til at vi også har et storting som er sitt ansvar bevisst, og som klarer å finne fram til felles løsninger som er bra for Norge, bra for våre innbyggere, og at vi i fellesskap bidrar til et bærekraftig velferdssamfunn for våre kommende generasjoner. Solberg-regjeringen ønsker et samfunn med små forskjeller og som gir muligheter til alle. Da er det viktig med målrettet innsats for å bekjempe fattigdom. Det viktigste for å sikre det økonomiske handlingsrommet er å få flere i arbeid, og vi må hjelpe dem som står utenfor til å få hjelp til å komme seg inn i arbeidslivet igjen. En rød tråd i regjeringserklæringen er å få flere i jobb, og dette har regjeringen levert på så til de grader gjennom de fire siste årene. Bare det siste året er 50 000 nye arbeidsplasser skapt. Men for å lykkes også i fortsettelsen med jobbskaping er vi avhengig av det norske arbeidsmarkedet. Vi er avhengig av de kloke hodene, gründerne, eierne, de som tør å ta sjanser, de som ønsker å skape nye arbeidsplasser. Derfor må det bli lettere å skape disse nye arbeidsplassene, og det må bli mer lønnsomt å Oljeprisfallet vi opplevde i 2015, ga oss en tydelig pekepinn på at Norge trenger flere ben å stå på økonomisk, så det må skapes nye jobber i flere næringer. Vårt nye arbeidsliv må være grønt, smart og nyskapende. Regjeringen er opptatt av at Norges rike naturressurser gir oss et godt grunnlag for aktivitet, innovasjon og næringsutvikling Regjeringsplattformen er også tydelig på den klare sammenhengen det er mellom samferdsel og næringsutvikling, særlig i Distrikts-Norge. Regjeringen vil derfor fortsette den sterke satsingen på samferdsel og kommunikasjon i hele landet. Regjeringen vil fortsette å redusere skatte- og avgiftsnivået for dem som investerer i arbeidsplasser, slik at vi kan trygge de arbeidsplassene vi allerede har, og slik at flere kan skape nye næringer og jobber for framtiden i hele landet.

men da regjeringen reduserte maskinskatten, var det galt. Arbeiderpartiets skatteiver ble synliggjort. For Arbeiderpartiet er skatt løsningen på alle utfordringer i Kommune-Norge. Her er regjeringen heldigvis mer på linje med LO og Fellesforbundet. Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, sa: «Å kreve skatt på maskiner setter Norges arbeidsplasser i fare.» I arbeidsplasser i fare.» I finansdebatten i desember kunne vi høre representanter fra Arbeiderpartiet uttale at de var bekymret for at skattelettelsene ville gå til eiere i utlandet. Arbeiderpartiet viste her at de slett ikke står på arbeidstakerens side, så det er kanskje ikke så rart at andelen som organiserer seg, går ned, og at LO mister medlemmer. Jeg er derfor glad for at budsjettenigheten mellom de ikke-sosialistiske partiene

Det har siden Høyre og Fremskrittspartiet overtok regjeringskontorene, vært en tydelig satsing på næringsrettet forskning som Brukerstyrt Innovasjonsarena, FORNY2020 og SkatteFUNN-ordningen. Disse er økt med i overkant 4,2 mrd. kr siden 2013, og denne satsingen vil fortsette med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i regjering. Å investere i forskning, kunnskap og ny teknologi teknologi er viktig for å ruste Norge ytterligere til å gå inn i det grønne skiftet. Gjennom fire år i regjering har Høyre allerede vist at det er mulig å kombinere vekstfremmende skattelettelser med økt velferd. Vi har styrket forskningen, og ikke minst har vi satset på samferdselsbygging i hele landet. Dette vil vi fortsette med for et bærekraftig samfunn i

er også foreslått av Arbeiderpartiet tidligere, men da områder vi ikke har fått flertall for. Jeg vil trekke fram noen av dem. Vi har en rekke ganger tidligere foreslått tiltak for å styrke kapitaltilgangen for de gode ideene i næringslivet. I plattformen kan vi sensasjonelt lese at regjeringen vil vurdere hvordan staten kan bidra med tilgang på kapital til næringslivet. «Vurdere» – hva legger de i det? Er det noe de ønsker å gjennomføre, eller er det faktisk bare at de skal vurdere det? et ord som er veldig mye brukt i regjeringserklæringen. Videre skriver de at de vil «evaluere mineralloven». Ja, kjempebra! Men hvorfor stemte de ikke da for Arbeiderpartiets forslag, som vi fremmet for nøyaktig ett år siden? Da ville vi ikke bare evaluere loven, men vi ville ha mer aktivitet inn i en mineralnæring som kan være veldig viktig for Norge. Vi kan også lese at det i regjeringserklæringen nå står at de vil legge til rette for utvikling av Allerede i mai 2016 gjorde Stortinget et veldig tydelig vedtak hvor vi ba regjeringen utarbeide en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge. Det var et enstemmig storting som sa det. Når jeg nå ser ned i salen og ser samferdselsministeren sitte der, tenker jeg at det er gått ett år og ni måneder uten at noe er gjort, eller i hvert fall at ikke noe er lagt fram, når det gjelder en strategi knyttet til etablering av grønne datasentre. Det forteller veldig tydelig om manglende handlings- og gjennomføringskraft til faktisk å ta i bruk de mulighetene som Norge har, for å utvikle framtidens arbeidsplasser. Jeg har lyst til å gi statsministeren et velment råd. Når en nå skal utvikle en ny strategi for grønn datalagring i Norge, bruk en annen statsråd som kanskje vil

Tar den tak i omstillingsproblematikken? Tar regjeringserklæringen og svarer ut og fokuserer på dette med grønn omstilling? Min vurdering er klart nei. Regjeringsplattformen tar ikke konkret fatt i det store problemet med at vi har den laveste andelen sysselsatte i befolkningen siden 1995. Vi har stadig flere utenfor arbeidsstyrken. 23 000 flere som sto utenfor arbeidsstyrken i fjerde kvartal 2017, sammenlignet med ett år tidligere. Det betyr at vi trenger en regjering som kan evne å konkretisere politikken, nettopp for å iverksette omstilling og mulighetene gjennom nye arbeidsplasser. Norge har fantastiske muligheter i fornybar i maritime næringer, i olje- og gassektoren, innenfor fiskeri og havbruk, ja, innenfor mineraler, medisiner, bioteknologi osv. Jeg kunne nevnt langt flere. Men da trenger vi ikke bare generelle uttalelser og runde formuleringer eller en erkjennelse av at en skal ha brede virkemidler. Nei, da trenger vi en konkretisering av politikken. Skal vi lykkes, må vi konkretisere og målrette politikken i et veldig tett og forpliktende samarbeid mellom myndighetene, bedriftene og arbeidstakerne.

sykehjemsdekning, og det uten eiendomsskatt. Hvorfor? Jo, det er fordi Fremskrittspartiet er med og styrer i kommunen og har sagt at vi skal prioritere det viktigste først, uten eiendomsskatt. Det er nemlig fullt mulig å levere gode tjenester til innbyggerne samtidig som man har respekt for at det er innbyggernes skattepenger man bruker. Folks hjem og fritidsbolig burde ikke være skatteobjekter, og derfor er jeg glad for at regjeringen legger opp til å redusere eiendomsskatten. Videre fortsatte representanten Gahr Støre i sitt hovedinnlegg å bekrefte at han ikke skjønner hva formuesskatt betyr for små og mellomstore bedrifter rundt omkring i landet. Formuesskatt pålegges kun norske eiere. Å redusere formuesskatten er viktig for å skape jobber og gjøre norsk eierskap i næringslivet gunstigere. Fremskrittspartiet ser at formuesskatten medfører ekstra kostnader for virksomheter som har bundet opp mesteparten av kapitalen i bygninger, maskiner og utstyr skattepenger de heller kunne brukt på forskning og utvikling av varer og tjenester. Derfor er jeg glad for at regjeringen legger opp til å redusere formuesskatten. Representanten Gahr Støre var også bekymret for økte forskjeller, men nevnte ikke den viktigste årsaken til økte forskjeller, som er høy innvandring. Blir innvandringen for høy, blir god integrering vanskelig, og forskjellene vil øke. Skal vi som samfunn lykkes med integrering, må vi sette inn flere ulike tiltak. Vi må investere i tidlig innsats i skole og barnehage. Vi må få flere barnehagelærere og flere lærere på 1. til 4. trinn. Vi må få flere innvandrerbarn i barnehage og flere innvandrere i arbeid, og det må skapes gode fritidsklubber og aktive idrettslag. For å lykkes med å integrere innvandrere, løfte familier ut av fattigdom og skape fungerende mangfoldige samfunn må vi ha en helhetlig pakke med tiltak. Fremskrittspartiet er opptatt av å ha en streng innvandringspolitikk for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor er jeg glad for at regjeringen legger opp til både å ha en streng innvandringspolitikk og å gjennomføre et integreringsløft. Noe av det som overrasket meg mest med innlegget fra representanten Gahr Støre, var at Arbeiderpartiet åpenbart har tatt av seg ledertrøyen som det viktige opposisjonspartiet i skolepolitikken. I innlegget nevnte han skole kun to ganger, og det gjaldt lærerkrise og frafall i skolen. Dette er to områder hvor regjeringen faktisk leverer, og bare i fjor var det nesten tusen flere lærerårsverk enn året før, og de fleste av disse var på 1. til 4. trinn. Andelen som faller fra på videregående, har ligget stabilt høyt i mange år, altfor høyt, men i fjor så vi klare tegn til forbedring, noe det er grunn til å anta skyldes at de gode tiltakene til regjeringen begynner å virke. Det er tiltak som fraværsgrensen, som Arbeiderpartiet var for, men nå er imot; kompetansekrav, som Arbeiderpartiet var for, men nå er imot; og en historisk etterutdanningssatsing, som er dobbelt så stor som den Arbeiderpartiet lovet i valgkampen i 2013. Når det stormer, bøyer de av – noe vi så tydelig da Arbeiderpartiet nylig snudde i saken om kompetansekrav til lærere. Videre har vi sett at de ga fra seg skolebyråden i Oslo til SV før jul. Da Arbeiderpartiet skulle evaluere valgkampen og peke ut tre viktige satsingsområder som skulle få velgerne tilbake, valgte de arbeid, innvandring og distrikt. På sosialistisk side er det helt åpenbart at Arbeiderpartiet nå har overlevert stafettpinnen på skolepolitikk til SV.

Innenfor skole vil jeg spesielt trekke fram yrkesfagsatsing. Verdiskaping er umulig uten gode yrkesutdannelser. De fire siste årene har vi brukt over 600 mill. kr på å styrke yrkesfagene. Vi har bl.a. sørget for å øke lærlingtilskuddet kraftig, noe som sto stille under de rød-grønne. Vi ser nå at det i 2017 ble rekord i antall læreplasser. 2018 blir yrkesfagenes år, hvor vi skal legge til rette for å få enda flere flere lærebedrifter, og i perioden skal satsingen på yrkesfag fortsette. Vi trenger å tilrettelegge for at flere skal kunne jobbe i kjeledress, og da trenger vi gode rammevilkår for bedriftene og en offensiv

Gjennom en pedagognorm, tidlig innsats og engasjerte ansatte legger vi til rette for en barnehage som ser hvert enkelt barn. I grunnskolen øker vi oppmerksomheten om kompetanse og grunnleggende ferdigheter. Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten at de har lært å lese, skrive og regne skikkelig, og elever som sliter, skal få hjelp tidlig. Derfor vil tidlig innsats være høyt prioritert i denne perioden. Lærerne får et historisk etter- og videreutdanningsløft. Det er satt i gang et løft for yrkesfagene for å øke statusen og for at flere skal velge og fullføre fagutdanning. Lærlingtilskuddet er økt flere ganger for at flere skal få læreplass. Vi fornyer fagene helt opp til videregående og rydder plass for dybdelæring og fordypning. og fordypning. Det er nå vi legger grunnlaget for at neste generasjon er klar for den tiden som kommer. Det gjør vi gjennom å skape en skole hvor barn og ungdom lærer, men også hvor de trives og føler seg trygge. Derfor har vi fått på plass en ny mobbelov. Ingen skal lenger få lov til å snu seg bort når noen plages.

Det vil føre til større behov for omskolering og videreutdanning. Derfor skal vi gjennomføre en kompetansereform som ser fremover. Livslang læring har vi snakket om i flere tiår. Nå er tiden kommet for å øke innsatsen mot utenforskap. Ingen skal oppleve at de mister fotfestet på grunn av manglende kompetanse, vi må lære hele livet. For å bygge et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi et oppdatert arbeidsliv med plass til alle. Derfor er kunnskap, kompetanse og integrering blant regjeringens viktigste områder, og de henger sammen. Vi ser at de grunnleggende ferdighetene er helt avgjørende for å komme seg i jobb og for å stå i jobben. Det gjelder både de av oss som har vært her lenge og de som nettopp har kommet. De som skal bo i Norge, skal inkluderes i store og små felleskap. De som kommer, skal føle seg som en del av det norske samfunnet. Da må vi lykkes bedre med tidlig innsats i barnehage og skole, med språkopplæring, og vi må lykkes med å få så mange som mulig ut i jobb. Regjeringen vil slik at flere kan delta og bidra både i arbeidslivet og i samfunnet. Vi vil gjennomføre en helhetlig reform av introduksjonsordningen. Vi skal stille tydeligere forventninger til resultater i kommunene. Og vi skal gjennomføre mer arbeidsrettede tiltak. Vi må se på systemet på nytt, og vi må se det gjennom øynene til dem som i dag bruker det. Vi må også sørge for en bedre hverdagsintegrering, slik at innvandrere får delta og bidra i idrettslag og foreninger, i nabolag og lokaldemokrati. Det er ofte de små møtene på fotballbanen eller på kafébesøk som gjør den store forskjellen i menneskers liv. Disse møtene og fellesskapene vedtas ikke av staten, men av mennesker som fritt og villig gjør noe sammen for andre. Derfor må vi samarbeide med frivillig sektor for å lykkes med integreringsarbeidet. Det blir replikkordskifte. Først: Gratulerer med ny jobb! Så vil jeg si at for Arbeiderpartiet er flere lærere med tid til elevene det viktigste. Vi ønsker oss en lærernorm som sikrer at pengene som blir bevilget, brukes på økt lærertetthet. Høyre og Fremskrittspartiet, som er sterkt imot en slik norm, skal nå utrede og innføre den. Arbeiderpartiet kommer til å presse på for at det blir en god løsning for elevene. Regjeringen har ansvar for at vi raskt får på plass en ordning som fungerer. Så vil jeg si: Kan statsråden nå nå – nå er det litt usikkerhet rundt dette – garantere at lærernormen blir fullfinansiert, og at ikke landets ordførere blir sittende med regningen for en norm som Høyre egentlig er imot? La meg først uttrykke et ønske om et godt samarbeid. Jeg ser frem til samarbeid med alle partiene i Stortinget, både om viktige løft innenfor kunnskap og – ikke minst – integrering, som er viktig for bærekraften i samfunnet vårt. Vi inngikk en avtale med Kristelig Folkeparti i fjor høst. Den har vi tenkt å gjennomføre. Den har to sider. Det ene er at vi skal gjennomføre en lærernorm i skolen, og Kristelig Folkeparti sikrer støtte for kompetansekravene til lærerne. Vi ser nå på hvordan dette kan gjennomføres på en god måte. Det har gått ut et orienteringsbrev til kommunene i dag, og vi har også snart forskriftene som skal ut på høring, klare, slik at vi kan gjennomføre normen i tråd med enigheten med Kristelig Folkeparti – og på en god måte. Vår ambisjon er selvsagt at den skal fullfinansieres. Så vet vi at det er ikke alltid alle kommunene er fornøyd, men utgangspunktet er fullfinansiering.

og økende testkultur virker negativt inn på elevenes helse. Dette gjelder også metodene for såkalt celleevaluering, der det gjennom år – med veiledning fra direktoratet – er innarbeidet praksis ved mange skoler å be elever helt ned i 1. trinn evaluere seg selv med smilefjes eller sure fjes i et skjema. Helsearbeidere rapporterer nå om psykiske og somatiske lidelser i sammenheng med stress helt ned i småskole og barnehage. Hva mener statsråden om denne utviklingen? Er norsk skole på vei i rett retning? Og hva kan vi vente oss av flere tiltak som fremmer press og rangering, slik regjeringsplattformen legger opp til med fokus på lærings- og skoleresultater? Det er ingen motsetning mellom en skole som prioriterer læring, og en skole som sikrer et godt læringsmiljø. Jeg er helt enig med representanten i at et trygt og godt læringsmiljø er vesentlig for at alle barn skal lære godt. Nettopp det at vi er bekymret for det som kalles stresskultur, gjorde at Kunnskapsdepartementet i fjor høst bestilte en rapport for å få kunnskapsgrunnlaget og se hva det er som er årsaken til stresskultur, og hva man kan gjøre med det. Én ting som er vesentlig, er engasjerte, gode lærere som sørger for at det ikke hoper seg opp med prøver og krav på slutten av året, men at man legger til rette for en god styring i klasserommet. I tillegg har vi nå fått på plass en ny overordnet plan for skolen, som også vektlegger folkehelse og livsmestring som grunnleggende for alle læreplanene, som nå skal

om våren 2017, var behovet for å anerkjenne fagskoleutdanning som en viktig utdanning, likeverdig med bl.a. høyere utdanning. I innstillingen til fagskolemeldingen uttalte komiteen bl.a. at de mente det var viktig å styrke fagskolene som høyere yrkesfaglig utdanning og ivareta og videreutvikle fagskolenes egenart.

presentert en rapport som ser på behovet for arbeidskraft innenfor ulike bransjer i årene som kommer. Det er ingen tvil om at vi trenger flere med god fagopplæring. Vi trenger flere som velger de yrkesfaglige studieretningene. Derfor gjennomfører regjeringen et yrkesfagløft, og vi styrker fagskolene. Fagskolene er en viktig del av opplæringssystemet i Norge, og vi jobber nå med å følge opp de vedtakene som er gjort i Stortinget. Min klare ambisjon er å styrke fagskolenes posisjon i utdanningssystemet, og ikke minst som arbeidslivets viktige partner. Det er også en viktig del av den kompetansereformen som vi nå jobber med.

har blitt endret, og at behovet for en mer omfattende pedagogisk kompetanse har økt. Den nye kunnskapsministeren svarer i dagens VG at mobbing av elever ikke har noe med lærerutdanningen å gjøre. Kunnskapsministeren hever i stedet pekefingeren og hevder at dette utelukkende skyldes Er det ved å heve pekefingeren og si – som vi i Nord-Norge ville sagt – «no må dokk oppfør dokk», regjeringen har tenkt å vinne kampen mot mobbing, eller er det ved systematisk arbeid og kanskje ved å la pedagogikken få en mer sentral rolle i lærerutdanningen man kan vinne kampen mot mobbing? Jeg anbefaler å lese kildene litt grundigere. Ja, jeg mener at det er dårlig folkeskikk når voksne mobber barn, og jeg mener at det er helt uakseptabelt at voksne i skolen mobber barn. Det er det ingen diskusjon rundt. Det jeg sa i den artikkelen, var at de tallene verken skyldes gammel eller ny lærerutdanning. Det er ingen motsetning mellom å prioritere kompetanse, fordypning og dyktige lærere og å legge til rette for et godt læringsmiljø. Det er heller ikke slik at pedagogikken er svekket i den nye lærerutdanningen. Vi har nå innført en femårig mastergrad i lærerutdanningen, som gjør at de nye lærerkandidatene får en mer praksisnær opplæring. Jeg ser frem til at vi sammen skal vinne kampen mot mobbing. Det er helt uakseptabelt at voksne mobber barn – og ja, det er dårlig folkeskikk.

Å ha mer tid til å se hver enkelt elev kan føre til at alle elevene lærer, lykkes og trives i den norske skolen. Men dette har jo ikke Høyre vært spesielt positive til. Kan den nye kunnskapsministeren betrygge flertallet i denne salen om at de vil innføre denne normen slik den er

Jeg er forundret over at flere partier her i salen senker ambisjonene for norsk skole. Vi må sørge for at de lærerne som skal ha ansvaret for våre barn og for norsk, engelsk og matematikk, har fordypning i de fagene de underviser i. i. Som en del av dette vil vi også gjennomføre tidlig innsats i skolen, som også innebærer at det blir flere lærere. Et ledd i det er at vi gjennomfører den reformen som vi har en avtale med Kristelig Folkeparti om, og vi skal gjennomføre den på en god måte, slik at dette kommer elevene til gode.

Hun svarer ja på spørsmål om hun også vil jobbe for dette i regjering. For Kristelig Folkeparti handler dette om å fjerne seg fra et verdigrunnlag som har bidratt til å bygge et samfunn med vekt på menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvaret. Kan statsråd Sanner garantere for at regjeringen fortsatt vil holde på dagens formålsparagraf for skolen, forankret i vår kristne og humanistiske kulturarv? statsråd Sanner garantere for at regjeringen fortsatt vil holde på dagens formålsparagraf for skolen, forankret i vår kristne og humanistiske kulturarv? Svaret på det spørsmålet er ja. La meg også si at jeg ser frem til et godt samarbeid med representanten Grøvan og Kristelig Folkeparti. Det er tre partier som sitter i regjering, og man kan ha litt ulik vektlegging av ulike saker. Jeg må også ta det forbeholdet at jeg ikke har rukket å lese avisen Dagen i dag. Men formålsparagrafen har bred forankring også i Stortinget, og jeg mener at den står støtt, og at den bør videreføres. Med hensyn til at det kan bli en lang kveld, vil presidenten oppfordre replikantene til å innta plass her oppe rett før de skal på talerstolen.

kompetansebehov. Rapporten viser at 20 pst. av bedriftene i bygg- og anleggsbransjen sier at de har betydelige rekrutteringsproblemer til sine fag. Da burde det bekymre regjeringen at det bare innenfor fagene Bygg- og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon har blitt 2 500 færre elever siden 2013. Likevel forplikter regjeringen seg ikke til store, nye grep i regjeringserklæringen. Da er mitt spørsmål: Hva tenker statsråden å gjøre for å rette opp i dette, når vi vet at det
nå er flere elever som har fått læreplass. Vi kan også glede oss over at det er flere som gjennomfører, og færre som dropper ut. Men vi har ikke tenkt å lene oss tilbake,

Vi kommer snart med en ny tilbudsstruktur for yrkesfagene. Det vil øke interessen. Vi vil sørge for god etter- og videreutdanning. Vi vil sørge for at det også er fleksible løsninger som gjør at elevene kan kombinere arbeid og teori på en bedre måte. måte. Velger man f.eks. tømrerfag, skal man stifte bekjentskap med tømrerfaget tidligere i opplæringsløpet. Det tror vi vil bidra til at vi får økt gjennomføring innenfor de fagene. Lærernormen er ifølge Kristelig Folkeparti det viktigste skolepolitiske vedtaket i dette årtusenet. Likevel nevnes ikke denne normen i og Høyre og Fremskrittspartiet har vært imot den hele veien. Det er også urovekkende at regjeringserklæringen verken omtaler den økende lærermangelen eller har konkrete tiltak for å rekruttere flere lærere. Det må til, med mindre man med viten og vilje styrer mot en lærerkrise. Mitt spørsmål til statsråden er: Kan han garantere at mangel på lærere eller ikke vil bli en unnskyldning for ikke å iverksette lærernormen? Jeg takker for engasjementet for lærernormen. Jeg har svart på det i to replikker. Vi skal gjennomføre den avtalen vi har med Kristelig Folkeparti. Men som jeg understreket, har denne avtalen også et punkt nr. 2, nemlig at vi skal gjennomføre de kompetansekravene som Arbeiderpartiet også var for før. Det forundrer meg at Arbeiderpartiet, som i forrige periode forsøkte å kopiere Høyres skolepolitikk, nå forsøker å kopiere SVs skolepolitikk. Jeg er forundret over at Arbeiderpartiet senker ambisjonene for norsk skole ved at man nå har gått bort fra de kravene som vi nå gjennomfører. Vi må ha høye ambisjoner for norsk skole. Det betyr at vi må sørge for at vi har flere lærere med fordypning, og så skal vi gjennomføre lærernormen, som vi har en avtale med Kristelig Folkeparti om. Replikkordskiftet er omme. Noe av det vi som sitter i dagens storting, kan være mest glade for, og det dagens regjering kan være mest glad for, er

vårt. Jeg har lyst til å gå igjennom noen av de hovedelementene. Når vi ser på skogpolitikken, konsesjonspolitikken, som Venstre i sin tid var med å utforme på starten av 1900-tallet, og hvordan det har sikret spredt eierskap, verdiskaping og aktivitet i hele landet, har det vært helt avgjørende. Det har formet synet på hvordan man skal ha et eierskap til jord til de mange som har skapt livskraftige vekstsamfunn, næringsmiddelindustri, aktivitet rundt omkring i hele Norge. Det samme lovverket var det som ble lagt til grunn for fiskerinæringen, med leveringsforpliktelser, for å bygge land, bygge industri, sørge for at lokalsamfunn får godene av de enorme naturressursene som er utenfor kysten, uti havet. Den samme tenkningen var det som kom inn på 1960- og 1970-tallet, da man skulle utforme norsk olje- og gasspolitikk. Det har vært langsiktighet, det har vært klokskap, man har hatt en tenkning om at man skal bruke nasjonens naturressurser til å bygge land å bygge land – og bygge for de mange, ikke for de få. Derfor var det interessant når man skulle lese Jeløya-erklæringen: Hvilke nasjonale strategier hadde man rundt norske naturressurser? Kunne man se noen spor av det gamle Venstre, som var et nasjonalstrategisk parti, eller kunne vi se spor bare av det nyliberalistiske Venstre? Dessverre, når man leser erklæringen, så varsler regjeringen nye omkamper rundt eierskapet til norsk natur. Det er uklokt, for det har vært en suksess for Norge at Høyre gang etter gang har feilet i sin blinde markedstro, mens man har hatt en regjering eller et stortingsflertall som har valgt en strategi for å bygge land og bygge for de mange. Det er forunderlig at Venstre, som har vært så stolt av sin tradisjon fra starten av 1900-tallet, nå går inn i regjering og har lagt hele den tankegangen på båten. Så er det det andre som er forunderlig: Når vi har sett at olje- og gassprisene har gått ned, Så er det det andre som er forunderlig: Når vi har sett at olje- og gassprisene har gått ned, har vi sett at investeringene i norsk økonomi har gått fra olje- og gassnæring til boligmarkedet. Det er der den store pengeforflytningen har vært, og vi har hatt veldig lave investeringer i norsk industri. Norge som land kan ikke leve av å bo, og vi ser nå faretegn i boligmarkedet ved at det er et overskudd av boliger. Da er det rart at det ikke ligger en klar industristrategi i Jeløya-erklæringen. Hvordan skal vi føre en avgiftspolitikk som gjør at vi skal få noe å leve av i framtiden? Den situasjonen vi ser i norsk økonomi nå, er veldig sårbar. Det er ingen nye tanker om det, det er ingen nye ideer, det er ingen nye grep, og man hviler seg bare på boligmarked, økt konsum, og at ting skal ordne seg av seg selv. Det er unorsk, for i Norge har vi alltid hatt en strategisk tenkning om hvordan vi skal utvikle vårt næringsliv. Dessverre er det heller ingen nye ideer og nye tanker når det gjelder distriktspolitikken. Det er en videreføring og en forsterkning av det vi så i forrige periode: en tro på stordrift, en tro på sentralisering. Det man kalte nærpolitireformen, gjør at over 120 tjenestesteder i disse dager blir lagt ned. Det har blitt en fjernpolitireform. Det man snakket om som en demokratisering, regionreformen, er det ingen som er begeistret for i denne salen, men man sier at man skal videreføre arbeidet også med en kommunereform som ikke har skapt noe begeistring. At Venstre, som før hadde et syn for hele landet, nå har blitt et av de mest sentraliserende partiene, er sørgelig. Det er det som også skremmer oss i Senterpartiet, for Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre gjør ikke hverandre bedre, de gjør hverandre dårligere. Når det gjelder skattepolitikken, varsler man at man skal gå videre ned på skattetrykket, men når det gjelder avgiftene, varsler man bare økninger. Problemet med det er at avgiftsøkningene rammer alle, uavhengig av inntekt. At Fremskrittspartiet igjen kunne gå inn i en stortingsperiode og varsle at de ønsker å øke avgiftstrykket, synes vi i Senterpartiet er uforståelig. Men heldigvis, kjære venner, gikk Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre tilbake i fjorårets stortingsvalg. De har ikke flertall lenger, og det kommer vi til å merke i kveld når det blir flertall mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og SV. Det kommer vi til å se i sak etter sak utover våren, og det er Stortinget som til syvende og sist har det endelige ordet. Det gir meg grunnlag for optimisme, selv om Jeløya-erklæringen er en ny erklæring for mer sentralisering og større forskjeller. Vi liberalere er større forskjeller. Vi liberalere er veldig fornøyd med Jeløya-plattformens helhet. Gjennomslagene for Venstre i plattformen er fantastiske. Det er enkeltheter som hadde sett annerledes ut om vi hadde formulert hele plattformen alene, men vi er tilfreds med ikke bare hensyntatt vår størrelse, nei, vi føler vi har blitt behandlet likeverdig av de to andre regjeringspartiene, og vi føler våre hjertesaker kommer godt til uttrykk, både kvalitativt og kvantitativt i plattformen. Venstre tar ansvar for landet. Vi er med på å bringe landet videre. I perspektivmeldingen og nasjonalbudsjettet for 2018 løftes det fram mange utfordringer og mange muligheter. Hensyntatt dette er vi i Venstre med på å stake ut kursen gjennom Jeløya-plattformen. Plattformen legger opp til å føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen. Vekstfremmende skattelettelser vil både styrke konkurransekraften og skape nye arbeidsplasser. Slik statsministeren sier det: Verdier må skapes før de deles, og plattformen sier at det vil iverksettes tiltak for nettopp økt verdiskaping og økt produktivitet. Norge har forpliktet seg til å nå våre klimamål,

for at det ikke engang blir konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og at det ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene. Det er vi liberalere Hva gjelder barn, unge og oppvekst, oppleves det særlig godt for alle de som var på Venstres landsmøte i 2016, hvor vi vedtok tredeling av foreldrepermisjonen, gratis SFO for barnefamilier med lavest inntekt og en nasjonal mal for lokale SFO-rammeplaner. Alt dette og mer står nå i Jeløya-plattformen. Siden 2014 har vi jobbet med å få på plass barnehagesvømmeopplæring. Det startet med en prøveordning på men er en ordning vi har forsterket i alle de siste års budsjett. Dette tilbudet kan bli gjeldende for samtlige barn i barnehager over hele landet. Sammen med at plattformen åpner for å flytte svømmeundervisningen fra 4. klasse til tidligere i skoleløpet, fortrinnsvis 1. klasse, vil det gjøre at barn får maksimalt utnyttet opplæringen. Kun 50 pst. av norske 10-åringer er svømmedyktige. Her har mange lovet vann i svømmebasseng, også på statsministernivå i valgkamp, men det er først nå vi ligger an til å ta en skikkelig dugnad for norske barns livreddende ferdighet. At vi også styrker språkopplæringen i barnehagene og bl.a. prioriterer tidlig innsats fra 1. til 4. klasse, vil hjelpe de samme barna senere i livet med muligheten til å fullføre videregående skole. Her må det tas krafttak i årene som kommer, særlig for gutta og især for minoritetsgutta. Kompetent arbeidsstyrke er bra for norsk næringsliv og norsk samfunn, men det er også svært viktig for den enkelte for å lykkes i sitt eget liv og for at deres barn igjen i neste runde får bedre oppvekstvilkår. Fattigdom går dessverre altfor ofte i arv. At fattigdomsbekjempelse har blitt ett av regjeringens satsingsområder, varmer et liberalt hjerte. Å legge til rette for at barn får gode oppvekstvilkår, at de får muligheten til å lykkes på lik linje som andre barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, at de får delta i kultur og fritidsaktiviteter, gjør at vi kan skape en god barndom som kan vare livet ut. For motsatsen er en dårlig barndom som dessverre også kan vare livet ut. Derfor har vi sammen med Kristelig Folkeparti i forrige periode styrket innsatsen for barn og unge, f.eks. for de barna som vokser opp i hjem som har rusutfordringer. rusutfordringer. Jeg er derfor stolt over at plattformen vil forsterke innsatsen på rusfeltet. Det handler om å skape liv i verdighet, og en rusreform vil kunne flytte oss vekk fra straffesporet ved brukerdoser, og vi kan få økt valgfrihet i LAR samt forsøk med heroinassistert behandling. Overdosedødsfallene må ned, og vi tror pakkeforløp for rusbehandling innen 2020 sammen med styrket tilbud for avrusning og livsmestring kan bidra til både å redde liv og gi verdighet. Venstre er stolt av å ha framforhandlet en egen utviklingsminister. Norge må lede an i utviklingspolitikken, ikke minst hva gjelder fremme av menneskerettigheter globalt. FNs bærekraftsmål forpliktes i plattformen. Alt i alt: Vi liberalere er veldig tilfreds med Jeløya-plattformen, og vi gleder oss til å ta tak i de politiske utfordringene og de politiske mulighetene som ligger foran

regjeringens standpunkter. Disse viktige målene handler først og fremst om arbeid. Høy sysselsetting og lav ledighet er noe vi alle jobber for. Det er nødvendig for landet vårt, og det gir en mulighet til å skape en fremtid for den enkelte. Et annet mål det er bred enighet om, er å ta vare på et samfunn med små forskjeller. Blir forskjellene for store, vil det komme i veien for den enkeltes mulighet til å lykkes og til å bruke sine evner. Det blir et urettferdig samfunn. Det vil igjen bremse både vekst og verdiskaping, men også skape et samfunn som ikke er likt det samfunnet jeg tror vi alle her er stolte av. Et tredje handler om et seriøst arbeidsliv. Måten vi har organisert vårt arbeidsliv på, er en viktig konkurransefordel for Norge. Seriøse arbeidsgivere som investerer i sine ansattes kompetanse, som tar inn lærlinger og konkurrerer om smartere og mer effektive løsninger, har vist seg å være en suksess. Innsatsen mot aktører som truer den norske modellen, skal fortsatt være av høy prioritet. Og det fjerde – og jeg sier det fordi det ikke er blitt tatt opp i så mange av innleggene fra de parlamentariske lederne, men jeg antar at plattformen ligger til grunn – er at vi har et felles mål om å bekjempe klimautfordringene. Det er bred enighet om – og jeg tar med alle, for det som ikke er sagt, er vel kanskje klimautfordringene. Det er bred enighet om – og jeg tar med alle, for det som ikke er sagt, er vel kanskje at man er enig – at Norge skal ta sin del av ansvaret for å oppfylle de forpliktelsene vi har lovet overfor resten av verden å oppfylle. Jeg mener at den brede enigheten i disse spørsmålene er grunnleggende positivt for Norge. Jeg mener det bidrar til å sørge for både stabilitet og langsiktighet, og det gjør også at vi i fellesskap som i utenrikspolitikken også ser ut til å være gitt tilslutning til, så langt i denne debatten. Det jeg imidlertid ikke like lett ser en like utbredt forståelse for når det gjelder de særlige utfordringene Norge står overfor, er hva de faktisk vil kreve av oss, de utfordringene som er helt nødvendig å løse, også fordi vi skal klare å nå de viktige målene vi er enige om. I årene som kommer, må det skapes et betydelig større antall nye arbeidsplasser i privat sektor i Norge. Det er først og fremst der vi må hente skatteinntekter for å løfte resten, for å få sysselsettingen opp, slik at flere kan finne en vei inn i arbeidslivet, for å få verdiskapingen opp, slik at vi kan finansiere gode velferdsordninger for kommende generasjoner. Regjeringen bygger på mye av det gode som skjedde i forrige periode. Senest for omtrent et år siden la vi frem en ambisiøs industrimelding med nye tiltak, som vi har rullet ut det siste året, og som fikk bred støtte i hele næringen. Norsk Industri legger i dag frem sitt konjunkturbarometer, som tydelig sier ja til signalene i både Jeløya-plattformen og regjeringens politikk om en tydeligere konkurransekraft for norsk industri. Det dreier seg om å være tydelig på at vi i årene som kommer, må prioritere innovasjon og privat skaperkraft. Vi må også se på hvordan offentlig sektor sammen med privat sektor både løser utfordringer i vårt samfunn og skaper nye arbeidsplasser. Det er unaturlig å snakke om en stor helsenæring som regjeringen lover en melding om til høsten, og som vi skal jobbe med om hvordan vi skal nå målene for – uten å si at også private må være leverandører til det offentlige Norge, som jo har helse som den store offentlige prioriteringen. Det er offentlige anskaffelser. Når vi sier at dette skal bidra til mer innovasjon, betyr det at private kommer til å delta mer også på offentlig finansierte områder i fremtiden.

å skape næringslivet for fremtiden, med de fremtidsbehov og utfordringer som vi får i en situasjon hvor både digitalisering, helsenæringer og store kunnskapsnæringer kommer til å være viktige verdiskapere for fremtiden. I overgangsperioden fra midten av 2000-tallet kom mesteparten av den jobbskapingen vi hadde i Norge, innvandrere og arbeidsinnvandrere til gode. Det må vi lære av nå. Vi lyktes ikke i å løfte nok av dem som sto utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet. Vi må skape en ny, inkluderende vekst, som løfter flere inn i arbeidslivet, og som bidrar både til et bedre liv og til bedre mulighet for dem som kommer inn, men samtidig også gjøre noe med statsbudsjettets inntekts- og Derfor har vi sagt at vi trenger en inkluderingsdugnad. Derfor har vi sagt at dette er et høyt prioritert prosjekt for regjeringen. Derfor skal det komme langt flere og nyere tiltak, men også klarere forpliktelser. Når det så tydelig står at 5 pst. av alle nyansettelser i staten skal komme fra folk med hull i cv-en eller med funksjonshemning eller annet, er det en forpliktelse som skal være tydelig og klar på at staten nå ikke skal hvile seg på at det bare er privat sektor som skal løfte dette. Dette skal også staten og – forhåpentligvis – også kommunesektoren være med på å løfte i årene fremover. Det er nemlig ingen bærekraftig løsning for Norge fremover ikke å gjøre enda mer for at flere som står utenfor, kan komme inn i arbeidslivet. arbeidslivet. Jeg synes det er rart å bli beskyldt for at vi ikke ser på de langsiktige utfordringene knyttet til fattigdomsbekjempelse. Det er nettopp det hele vår satsing på arbeid, inkludering og integreringsløft – de sakene regjeringen har løftet høyt opp – bidrar til. Grunnen til at det er flere fattige barn i dag, er at vi har fått langt flere som har innvandret, særlig de som har kommet som flyktninger og asylsøkere, inn i vårt arbeidsliv. Hvis vi ikke klarer å oppnå en høyere sysselsettingsgrad i de gruppene, kommer vi til å ha varig fattigdom, som sitter fast. Dette er å ta utfordringene ved roten, istedenfor å strø på med ordninger. Det er å snakke om hvordan vi løfter dette for

Vi trenger derfor et konkurransedyktig skattesystem, der både nivå og innretning legger til rette for investeringer i norske arbeidsplasser. Vi trenger en fortsatt satsing på infrastruktur, på forskning, utvikling og kunnskap. Regjeringsskiftet i 2013 markerte et taktskifte på disse områdene. Jeløya-plattformen varsler at satsingen skal fortsette. Men så er det at det fortsatt er flertall for en helt nødvendig næringsvennlig politikk. En reversering tilbake til den forrige regjeringens kurs vil være skadelig både for norsk verdiskaping og for muligheten til å nå de høye målene vi har satt oss for vårt samfunn. Mange private bedrifter jobber målrettet med å ansette mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. De gjør det De finner motivert og kompetent arbeidskraft der andre overser det. Mest av alt rapporterer de om at det gjør noe med miljøet internt i bedriften. Det bidrar til at det også gir større ringvirkninger å føle at man jobber i en inkluderende bedrift. Det er på tide at det offentlige også tar tak. Derfor lanserte vi inkluderingsdugnaden under forhandlingene på Jeløya. Det er ingen grunn til at det offentlige ikke skal være like offensive her det private bedrifter er. Jeg tror – på tampen av den innmeldte taletiden – at vi har god grunn til å anse at det er bred støtte for hovedmålene. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å finne mange ulikhetspunkter, men et lite tankekors til slutt: Kanskje er det aller viktigste vi gjør, ikke å tegne så svart-hvite bilder mellom oss at det tilsynelatende ikke er at det tilsynelatende ikke er forståelig for dem som skal være med på å løfte alle disse målene. Hele det norske arbeidslivet må vite at vi forstår hva som er virkeligheten og utfordringene. Det blir replikkordskifte. Den siste oppfordringen går til alle, går jeg ut fra, også til posisjonen. Jeg har lyst til å begynne med å berømme statsministeren for hennes profil under besøket i Washington Jeg synes hun representerte Norge på en god måte i møte med den amerikanske presidenten. Men det er ett tema der som jeg ønsker å komme litt tilbake til: Norges forpliktelser når det gjelder 2 pst.-målet. Når det skal nås, kan vi diskutere, men vi er forpliktet til å øke BNP-andelen vi bruker på forsvar. I 2018 vil den være på 1,56 pst. ventelig. I forrige uke kom regjeringen til Stortinget og sa at den synke til 1,5 pst, og under behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret i 2016 garanterte regjeringen det motsatte. Da skrev forsvarsministeren til Stortinget at det « vil i 2020 ligge i spennet mellom 1,58 og 1,71 pst.». Spørsmålet mitt er: Er dette feilinformasjon til Stortinget? Og da president Donald Trump sa «I believe Norway will get there soon» når det gjaldt 2 pst., informerte statsministeren da om at nei, vi går motsatt vei i Norge?

hva vi har av struktur, og det vi har budsjettert. Vi øker budsjettene betydelig hvert eneste år fremover. Akkurat nå er banen for BNP-utviklingen høyere enn hva vi har forutsatt tidligere. Den ligger over gjennomsnittlig vekst på BNP, og det betyr at andelen vil være noe mindre. Men det vil være avhengig av hvor mye penger vi bruker på internasjonale operasjoner, hva vi bruker på andre tiltak, og hvordan de tiltakene som ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av landmaktsproposisjonen, gjennomføres. Statsministeren må rydde opp i mer enn glassene her, hun må rydde opp i sitt eget tallgrunnlag. Jeg har sittet i regjering og opplevd at BNP-banen har økt, og det er utfordringen for å nå prosentmål. Her går andelen ned, det er budskapet. Det tror jeg ikke statsministeren sa i Det hvite hus, og jeg tror at han hun møtte, ville da ryddet opp i sine glass, eller tatt seg et glass, for å håndtere det. Et annet spørsmål jeg har lyst til å stille til statsministeren, er: Hun sa i sin redegjørelse at vi trenger å tilby ungene våre kvalifiserte lærere, og det er jeg helt enig i. Derfor foreslår vi at vi må ha flere og godt kvalifiserte lærere inn i skolen. Nå har vi sett at andelen ukvalifiserte lærere øker inn i skolen og er den høyeste på 15 år. Det er en økning på rundt 40 pst. siden Fremskrittspartiet og Høyre

igjen mangler fra tidligere perioder. Vi løfter nå mange gjennom etter- og videreutdanning ved et gigantløft på dette som aldri før har vært gjort. Så er det faktisk en del vikarer som underviser, som kanskje har faglig fordypning, men som ikke er ferdig med sin pedagogiske fordypning. Så er det faktisk en del vikarer som underviser, som kanskje har faglig fordypning, men som ikke er ferdig med sin pedagogiske fordypning. Når vi har stilt kvalifikasjonskrav, har vi stilt dem med en horisont på ni år fra da vi innførte dem. Det betyr at alle arbeidsgivere – kommuner og skoleeiere – må lage en plan for hvordan de skal i sine klasserom. Da er det faktisk den skoleeiers, den kommunepolitikers, ansvar å vite hvor mange flere som må etter- og videreutdannes. Må flere gis kompetanse i pedagogikk fordi de er fagutdannet, men ikke har pedagogisk utdanning, eller må de gis fordypning i de fagene de mangler? Men det er det samme eksemplet her: Målet man har satt seg, andelen man skal nå, er honnørord, men utviklingen går i motsatt retning. Derfor snudde også Arbeiderpartiet i synet på avskilting av lærere – mange kompetente som skal ut og mobiliseres fra arbeidsreserven. Men på ett område viser dette flertallet i Stortinget at vi nå tar ansvar for å endre på en del utviklingstrekk, som skal samsvare med det som er behovet der ute. Det gjelder bl.a. rehabilitering og oppussing av sykehjem. Der har stortingsflertallet – i går – samlet seg i komiteen om at det skal gis støtte til både rehabilitering og oppussing, som til nye investeringer. Det sitter ordførere og kommunestyrer rundt om i landet i dag Nå vet de at det Stortinget som sitter ut denne perioden, holder på at det skal være likebehandling av de to. Har statsministeren fått noen tilbakemeldinger fra begeistrede ordførere der ute som sier at ja, nå kan vi virkelig gå i gang med å gjøre det som trengs? Jeg ser at eldreministeren nikker, og hun bør jo være meget fornøyd med at hun har stortingsflertallet med seg, i den grad hun vil de eldres beste. Når det gjelder det å ikke på kort sikt nå mål som en faktisk har ni års horisont på å nå, synes jeg det er et dårlig svar å senke kravene, senke kravene, senke ambisjonene og svare norske elever at det er ok at din lærer ikke har fordypning i matematikk, til tross for at matematikk er grunnlaget og basisen for digitalisering, for å sørge for at de lærer den realfagskompetansen som de for øvrig kommer til å trenge i arbeidslivet i fremtiden, fordi din lærer er i en alder da man på det tidspunktet hadde en lærerutdanning hvor man ikke hadde krav om fordypning i matematikk. Det synes ikke jeg er noe lurt svar til at vi fortsatt skal holde på kompetansekravene. Derfor er det krevende i en oppbyggingsperiode å gjøre det. Men jeg synes altså at å senke kravene fordi vi på kort sikt ikke møter dem, er feil politikk, det blir feil for fremtiden, og man når ikke de andre målene man setter seg som nasjon. Jeg mener at en av de største utfordringene vi har i eldreomsorgen, er at vi er nødt til å holde et stort trykk på bygging av flere sykehjemsplasser i Norge. Vi kommer til å trenge flere med flere eldre.

De viser at av barna født i Norge mellom 1967 og 2010, og som har foreldre fra Pakistan, har så mange som 41 pst. søskenbarnforeldre, og det er grunn til å tro at det finnes et ganske stort press innen familien i den retning. I tillegg er det de helsemessige utfordringene. Det samme instituttet peker i en undersøkelse fra 2007 på at risikoen for dødfødsel er 63 pst. høyere enn for barn av ubeslektede foreldre, og faren for spedbarnsdød er 142 pst. høyere for inngiftede enn for andre. andre. Mitt spørsmål er: Hva tenker regjeringen om dette? Jeg har hørt Venstre tidligere si at de er for, nå hører jeg at de er imot. Fremskrittspartiet har vært for, nå sa representanten Limi at han ville stramme inn på dette. Arbeiderpartiet går inn for et forbud. Hva mener statsministeren? For det første er

som også kan risikere å ha høyere hyppighet for å få barn med funksjonshemninger. Lager vi da nye lister og runder rundt det, som det er etiske spørsmål om? Så ble dette fra Arbeiderpartiet løftet som en del av kampen mot sosial kontroll tidligere i debatten. Da vil jeg si at hvis vi tror at familier arrangerer ekteskap mellom fettere og kusiner fordi de ønsker å få flere til landet, at det å lage en regel i Norge om fettere og kusiner betyr at det plutselig blir slutt på sosial kontroll, tror jeg at det blir mange tremenninger som kommer etterpå. Beredskap og forsvarspolitikk og innbyggernes trygghet er en grunnleggende oppgave for enhver stat, og norsk sikkerhetspolitikk baserer seg på Etter å ha hørt runden mellom statsministeren og representanten Gahr Støre forstår jeg at statsministeren nå har lagt bort 2-prosentmålet. Frank Bakke-Jensen skriver i sitt brev til Stortinget i forrige uke at andelen vil ligge på rundt samme nivå fram mot 2024, og da henviser han til 1,5 pst. Er det slik at regjeringen nå står for det Frank Bakke-Jensen skriver i sitt brev, at andelen vil ligge på rundt samme nivå fram mot 2024, og at det 2-prosentmålet som Erna Solberg har snakket høyt om, som Fremskrittspartiets landsmøte har snakket høyt om, og som det var et opprør på Høyres landsmøte for å få på plass, er lagt bort? Vi har ikke lagt bort målet vi satte oss i Cardiff. Det var at vi skulle snu utviklingen med fallende budsjetter til økende budsjetter, og at vi skulle arbeide mot målet på 2 pst. i 2024. Så har vi laget en langtidsplan som, da vi laget langtidsplanen, ville bety en økning, men at vi ikke nådde det i 2024 med de tiltakene som var innenfor der. Det er også redegjort for i sitatet fra brevet fra tidligere forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide, som da ga beskjed om at det ville bli en økning. Nå er vi over trendveksten for BNP. Det betyr at nye beregninger viser en noe lavere andel. Da er det jo et spørsmål om hvilke vedtak vi fatter hvert eneste år fremover. Vi har i bunnen at det aller viktigste vi gjør, er å nå de målene som dreier seg om å få til å få til investeringsplanen, få til den langtidsplanen som er vedtatt her på Stortinget. Så har vi hele landmaktutredningen og behandlingen i Stortinget, som vil kreve noen nye gjennomganger og vedtak. I tillegg har vi spørsmålet om hvor stort internasjonalt engasjement har vi med … , som ikke er innenfor disse tallene … Her blir det veldig mange ord. Men det som er oppsummeringen, er at regjeringen ikke lenger har som mål å gå til 2 pst. i 2024. Det er det som står i brevet til Frank og det klarer ikke statsminister Erna Solberg nå å tilbakevise – at man må ha en større opptrapping enn det som ligger i langtidsplanen, for det er det som må til, skal man nå 2-prosentmålet. Da er det klokt i politikken bare å si ting som de er. Vi i Senterpartiet mener at det er uklokt ikke å ha den ambisjonen og ikke være en god alliert og ikke nærme oss 2-prosentmålet, men det er tydelig at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ikke har den ambisjonen. Det kan man også lese i regjeringserklæringen – man sier «på sikt», skal nærme seg – bruker vage formuleringer. Men i dette brevet er det helt konkrete formuleringer, og her står det svart på hvitt at andelen går ned og ikke opp. Da er min utfordring til statsminister Erna Solberg: Vil andelen gå opp framover, eller vil det være som hennes egen forsvarsminister har varslet Stortinget om? Vi legger frem våre statsbudsjetter hvert eneste år, og det er først når vi har lagt frem statsbudsjettet, man kan måle hvor langt opp mot andelen vi går. Men langtidsplanen skal gjennomføres, med de store investeringene og omleggingene, og ikke minst med den store satsingen vi har. Vi øker forsvarsbudsjettene betydelig. Det har vi gjort under hele den forrige regjeringsperioden, og vi gjør det i denne perioden. Det kommer til å være et stort satsingsområde i hvert eneste budsjett. Så er det sånn, og det visste også Stortinget da vi behandlet langtidsplanen, at en i utgangspunktet ikke ville nå 2 pst. i 2024. Men det er altså andre deler av statsbudsjettet med hensyn til forsvarsdelen som ikke gjelder langtidsplanen, f.eks. hvor stort volum vi har på utenlandsoperasjoner, og hvor stor deltakelse vi har knyttet til det. deltakelse vi har knyttet til det. Vi vil sikkert komme til å ha deler av dette som kommer i tillegg, og så skal vi gjennomføre de vurderingene som nå kommer på landmakt, som – noen av dem – ser ut til å koste noe mer enn det som var rammen for langtidsplanen. Men vi gjennomfører nå det som er Stortingets vedtak, som er den største økningen i forsvarsbudsjettet som har vært på lange, lange tider. Det er en ny hverdag for Forsvaret under denne regjeringen. For første gang har vi fått en regjering som ikke velger å henvise til vår nasjonale kulturarv og vår kristne og humanistiske arv i plattformen. Det har man hoppet over. I dag har vi opplevd at en statsråd i den samme regjeringen har gått ut i media og sagt at en har som mål å fjerne det som står i § 2 i Grunnloven om at verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Det har en statsråd i regjeringen Solberg sagt i dag. En annen statsråd i samme departement sier at en har en annen vurdering. Viser det at det er en utfordring for Høyre at man ikke skriver hvilket verdigrunnlag regjeringen bygger på i regjeringsplattformen, når man i første fra samme departement uttaler seg ulikt om hva som er regjeringens mål? Er det regjeringens mål å fjerne § 2, eller er det det ikke? Burde man ikke hatt den forankringen i en regjeringsplattform, som alle andre regjeringer har hatt før? Regjeringen har dyp respekt for Stortinget. Regjeringen uttrykker ikke målsettinger om hvordan Grunnloven skal være. Det er Stortinget som forvalter Grunnloven. Regjeringen legger ikke frem forslag om Grunnloven til Stortinget. Det er stortingsrepresentanter som legger frem forslag om det. At Venstre har det synspunktet at de ikke vil ha § 2 i Grunnloven, er Høyre uenig i, men det er faktisk en stortingssak og ikke en regjeringssak. Det burde være ganske enkelt, når det gjelder tredelingen av makten, å forstå hvem som har grunnlovsansvaret. Det ville vært høyst unaturlig at en regjering hadde uttalt seg i regjeringsgrunnlaget sitt om hva man ville gjøre eller ikke gjøre med § 2 i Grunnloven. Når det gjelder spørsmålet knyttet til formålsparagrafen, som representanten ikke stilte, men som i og for seg er stilt tidligere,

Det får meg til å spørre: Hva er egentlig Norges klimaforpliktelser? Det er ikke mulig å finne et mål for norske utslipp og hva regjeringen mener at vi skal kutte i Norge, i den regjeringsplattformen som er lagt fram. Tør statsministeren f.eks. innrømme for Stortinget at klimaforlikets mål for 2020 nå er avlyst? Det er iallfall på den veien vi er i dag. Hvilken klimapolitikk og hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for at vi skal kutte utslippene i Norge, hvis det er et mål for regjeringen? Vi kommer til å gjennomføre våre forpliktelser etter Kyotoavtalen for 2020. Det ligger vi godt i rute med å få til. Når det gjelder spørsmålet om hva våre mål er, ligger det nå en stortingsmelding til behandling. Stortinget har sluttet seg til

Det jeg hører her, er egentlig rett ut at klimaforlikets målsettinger for 2020 som er vedtatt i Stortinget, er avlyst. Det er kun Kyotomålene det henvises til, og ikke klimaforliket, som vi har vedtatt. Det jeg også hører, er at regjeringen ikke har noen egne ambisjoner for hvor mye utslipp vi skal kutte i Norge. Det er vel og bra å bidra til den internasjonale dugnaden. Det skal vi gjøre, men vi har et internasjonalt ansvar for å kutte utslippene her hjemme, og vi må kutte betydelig mer enn bare 40 pst. i for å gjøre. Det er også understreket i Parisavtalen, som regjeringen har sluttet seg til. Jeg merker meg også at det ikke kommer noen nye tiltak fra statsministeren i hennes svar om hvordan vi skal kutte utslipp i Norge. Transportsektoren er viktig. Det er en stor utslippssektor, men det er ikke bare i transportsektoren at vi har klimagassutslipp. Jeg kunne ønske meg en regjering som var hakket mer offensiv enn å si at man håper på det beste, og vi lar teknologien få

seg til å bevilge mer penger til klimafondet, for vi har penger til å rulle ut den infrastrukturen vi trenger, stimulere de bedriftene vi trenger, for å få ned klimautslippene. Så har vi klart å snu Enovas mandat, slik at de er mer klimaorientert. Derfor har vi flyttet det til Klima- og miljødepartementet fordi det er blitt mer et klimainstrument enn et rent Så er det riktig at det er flere sektorer enn transport vi er nødt til å kutte i, men transport er den desidert største. Landbruk må vi også kutte i, men det er mye vanskeligere og mer komplisert. Vi må kutte i en del av anleggs- og byggeplassene. Det er det politikk for. Så har vi mange veikart som vi har fått utviklet sammen med de ulike delene av næringslivet for at de skal være med på lavutslippssamfunnet. Det vil vi systematisk jobbe

Det er at vår kristne og humanistiske arv ikkje er tatt med i regjeringserklæringa. Dette er noko eg har utfordra statsministeren på tidlegare. 16. november 2016 sa statsministeren frå Stortingets talerstol: «Jeg mener at vi blir mer tolerante og mer åpne ved å være trygge i våre egne verdier og vår egen historie. Norge er et land som historisk sett har vært et kristent land.» Dette er eit svar som eg beskreiv som knakande godt til mitt landsstyre. Eg skal møte landsstyret no til helga, og me er villige til å tilgi. Er det ei forgløyming, eller har ein bevisst utelatt noko som er så viktig for våre røter og vår historie? I plattformen har vi forsøkt å omsette noen av de verdiene vi mener kommer fra det kristne og humanistiske kulturgrunnlaget vårt, som troen på enkeltindividet og både pliktene og ansvaret, som jeg egentlig mener er kjernen. Det er kjernen i det vi har med oss fra

Statsministeren sier at det er fordi det ligger et utviklingspotensial i aktiv og bærekraftig utmarksforvaltning der en høster av naturens overskudd. Vi mener dette demonstrerer et trist syn på norsk natur, og vi har kommentert det slik at man nå går fra å se på elgen som et levende vesen i norsk natur til en vandrende biff. Dette henger ikke på greip, slik vi oppfatter Høyres konservative grunnsyn, og vi lurer på om statsministeren vil vurdere å reversere dette vedtaket. For oss vestlendinger er elg egentlig litt eksotisk og noe langt vekk. Vi ser mest hjort, og vi ser dem som vakre dyr i naturen, men vi anerkjenner også at vi bør ha jakt på dem. Det kan være en attåtnæring for bønder og andre for å få bedre balanse i inntektene på gårdene og en aktivitet i distriktene, også fordi det er for mange av dem i dag. Det er en utfordring hvis en ensidig skal drukne i vegetasjon. Derfor er det et poeng for oss å se på hvordan dette kan være høstningsressurs, som gårdsbruk og bønder og andre med jaktrettigheter har mulighet til å bruke det forvaltes innenfor naturmangfoldloven. Alle forvaltningskriterier i lov- og regelverk ligger like mye til grunn selv om det ses i sammenheng innenfor landbruks- og skogbrukspolitikk, og det er en mulighet til å kunne ha flere inntekter for noen som har eiendomsrett, også til å høste naturressurser. Det virker som at regjeringens ambisjon er

Halvparten av de 20 selskapene som har høyest inntekter i barnevernet i 2016, eies av fem store konserner. Fire av dem kontrolleres av utenlandske oppkjøpsfond, mange av dem i skatteparadis. Dette er bakteppet når regjeringen skriver at de vil gi «kommunene rett til fritt å velge barnevernstilbud». Da lurer jeg på: Hvorfor mener regjeringen det er fornuftig å legge til rette for at enda mer av barnevernstjenestene våre overtas av konserner som presser ut de ideelle aktørene? Det spørsmålet som det her vises til, gjelder det at vi overfører makten til å skreddersy tilbudene rundt de enkelte barna til kommunene og til dem som Vi vet at vi over lang tid, etter at vi fikk statliggjøring av deler av barnevernet, fikk dobbelt behandling av saker. Vi har hatt gode forsøk, ikke minst i Trondheim kommune, som viste hvor mye bedre sammenheng i barnevernstjenestene man kunne få ved at det var kommunene som etterspurte et tilbud, hvor man kunne spesialisere mer. Så har jeg lyst til å si noe om det svart-hvitt bildet som tegnes. Jeg har jobbet med barnevernssaker tidligere som stortingsrepresentant. Noen av de beste tilbudene har vært private. På et tidspunkt koblet de til psykologer og hadde psykologisk oppfølging av fosterhjem som hadde barn som trengte det, lenge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

viktig politikk for Arbeiderpartiet, fordi det gjør hverdagen bedre for enkeltpersoner. Ny regjering betyr trippel høyrepolitikk – en regjering som i stedet for å sikre og trygge velferdsstaten, slik vi kjenner den, fører en politikk som bidrar til å svekke viktige deler av den. Regjeringa snakker om trepartssamarbeidet som om det er en slimleke barna leker med en ting som kan dras og formes på ulike mulige måter, og så lenge det er litt slim igjen, holder det liksom. Slik er det ikke. Velferdsstatens bærebjelker har regjeringen lært seg å snakke om, men det gjenspeiles ikke i politikken. Ord er ikke nok. Regjeringa likestiller uorganisert og organisert arbeidsliv og fjerner incentivene for å bidra til å øke organisasjonsgraden. Det er dårlig nytt for lønnsmottakere og et seriøst arbeidsliv. Det forstår Arbeiderpartiet og NHO, men ikke regjeringa. Et godt organisert arbeidsliv ligger i bunnen for tillit, for små forskjeller mellom folk og for maktfordelingen mellom kapital og lønnsmottaker. LO innså tidlig at et politisk parti måtte til for å lage god arbeidslivspolitikk. Arbeiderpartiet forstår at det fremdeles er nødvendig. Noe annet som bidrar til å bygge ned velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, er regjeringas likestilling av offentlige og kommersielle tjenestetilbud. En sterk offentlig sektor er en viktig stolpe i velferdsstaten. Alle bidrar, og alle får. Sykehus og barnevern har høy tillit fordi det så å si er litt mitt, og derfor betaler jeg min skatt med glede. Denne verdikjernen vannes ut når regjeringa likestiller offentlige og kommersielle tjenester. Barnevernsinstitusjoner skal bli mindre «mitt». De mest sårbare barna skal inn i et system som tar penger bort fra fellesskapet og barna, skaper uklare roller og øker byråkratiet – alt dette er noe som disse barna trenger mindre av. Arbeiderpartiet vil prioritere offentlige og ideelle virksomheter i barnevernet. Høyres likestillingsminister hyller i dag pappapermen. I 2013 mente Høyres kvinnepolitiske representant, altså ministeren, at barna ble skadelidende av å innføre dette. Og igjen: Høyre blir dratt etter håret der Arbeiderpartiet har gått foran. Politikk handler om mer enn ord. Tida da det var viktig hva man sa, er for lengst forbi for denne regjeringa, og nå altså for Venstre også. Det er også et politisk skifte.

Vi skal sikre gode og bærekraftige velferdsordninger. Vi skal redusere fattigdom og utenforskap. Og vi skal gjennomføre et integreringsløft. Det må bli lettere å skape nye arbeidsplasser og mer lønnsomt å investere i norske bedrifter. Derfor vil vi fortsette med å redusere skattenivået. Vi vil øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten. Vi vil legge til rette for ansattes medeierskap ved å styrke den generelle ordningen for gunstig kjøp og tildeling av aksjer og opsjoner i egen bedrift. Vi vil evaluere SkatteFUNN-ordningen og vurdere forbedringer. Vi vil fortsette å redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Og vi vil vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter får tilgang på kapital. Det må skapes flere jobber, og flere må kvalifiseres for jobbene. Derfor er satsingen på kompetanse, innovasjon og ny teknologi så viktig. Et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for at hver og en av oss kan bidra og få realisert sine ambisjoner. Flere må inkluderes i arbeidslivet, og flere må stå i arbeid lenger. Det skal iverksettes en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato. Livslang læring er helt nødvendig for å ruste arbeidstakere for et arbeidsliv i rask endring. Det er viktig at det finnes gode ordninger for kompetansepåfyll eller nytt faglig påfyll ved ledighet og overgang til nye jobber. Dette er en plattform med fokus på de utfordringene Norge står overfor. Den gir et godt grunnlag for arbeidet framover, og vi inviterer Stortinget til å samarbeide for å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Til slutt en kommentar til representanten Terje Aaslands etterlysning av konkrete tiltak i næringspolitikken: Jeg er sikker på at representanten vil finne konkrete tiltak hvis han leser i industrimeldingen, havmeldingen, reiselivsmeldingen eller gründerplanen for landbruket. Tiltakene virker: ledigheten går ned, og det skapes mange nye arbeidsplasser. Jeg er

Men da handler det også om at vi slår kraftig ned på kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, sosial kontroll og æreskultur. De siste dagene har Arbeiderpartiet hatt en rekke innlegg om disse temaene, og enkelte kan fortelle at de har fått noen aha-opplevelser i det siste. De har nå oppdaget at det finnes en stor grad av sosial kontroll og æreskultur i vårt land. For meg er det skremmende at disse temaene, som tross alt har vært kjent i svært mange år, gir Arbeiderpartiet aha-opplevelser. Jeg har selv stått i denne debatten i mange år og fremmet en rekke forslag, men stort sett opplevd kritikk. Vi har blitt møtt med rasismebeskyldninger og påstander om at vi har et dårlig menneskesyn, og jeg har ofte lurt på hvem det er som har et dårlig menneskesyn. Er det meg, eller er det dem som lukker øynene? Norsk-irakiske Angelica sa det så presist til Utrop nå nylig:

I retningslinjene til denne tjenesten står det at det er i møte med barnet og dets samspill med foreldrene at helsesøster best vil kunne oppdage om omsorgssvikt, overgrep, vold eller tvang foregår. Fremskrittspartiet vil derfor ha obligatorisk helsekontroll. Regjeringen har inntatt en rekke av Fremskrittspartiets mangeårige forslag til bedre integrering. Vi skal reformere introduksjonsprogrammet og ha et høyt fokus på Vi vil innføre empowerment-kurs for kvinnene, innrette norskopplæringen på helt nye måter, gå til kamp mot ansiktsdekkende plagg, videreføre og styrke ordninger som Jobbsjansen, forby kjønnsdelt undervisning, ha obligatorisk språktest av alle fireåringer, innføre tiltak mot at elever sendes til skoler i utlandet der vold og overgrep utføres, og ikke minst at handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal følges opp. Jeg håper at vi nå kan stå sammen og vise at vi er mer opptatt av å støtte opp om de innvandrerungdommene som har forsøkt å si dette til oss i årevis, i stedet for det lavmålet som debatten ofte har havnet i.

som klare signaler på at det nå er store endringer på gang når det gjelder kjerneverdier i den norske velferdsmodellen. Den norske samfunnsmodellen, den norske modellen, bygger på tre viktige pilarer. Det er en bevisst økonomisk politikk. Det er en samarbeidsform mellom partene i arbeidslivet og staten som er unik for Norden, ja, kanskje til og med unik for Norge i Norden – og på det grunnlaget har vi velferdsmodellen. I den økonomiske modellen ser vi at selv om det sies at vi skal være et samfunn med små forskjeller, så legges det opp til en politikk som bevisst øker forskjellene. Og når jeg spør Finansdepartementet, får jeg bekreftet at forskjellene øker, selv om finansministeren sier at forskjellene ikke øker. Det skjer med skattelette til dem som har mye, men det skjer også med skatteskjerpelse til arbeidsfolk, til pendlere, til folk som bidrar til at dette samfunnet går rundt. Vi ser det i samarbeidsmodellen, der enkelte i regjeringspartiene har gledet seg over å kunne si at LO skal vingeklippes. Men det de glemmer, er at Unio, Norsk Sykepleierforbund og andre organisasjoner i Norge

Når det gjelder arbeidsmiljøloven, og sosial trygghet for dem som mister jobben, er det faktisk slik at Venstres inntreden i regjeringa har ført til en ytterligere liberalistisk retning i en allerede blå-blå regjering. Retorikk er viktig, og særlig for regjeringa når de sier at de skal ha små forskjeller, og fører en politikk for det motsatte, når de sier at trepartssamarbeidet er viktig, og svekker det – både ved skattefradrag og ved innflytelse. Det er viktig at en ikke bare ser hvor folk blinker, men at en også følger med på hvor folk kjører – altså i motsatt retning.

Barn er en spesielt sårbar gruppe som har behov for oppmerksomhet. I regjeringserklæringen styrkes barns stilling på mange ulike områder. I tillegg til at mange tiltak i barnevernet styrkes, vil det være stor oppmerksomhet rundt opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Man skal gå igjennom barns rettigheter, og familievernet skal styrkes. Barnevernsloven gjøres nå om til en rettighetslov, og dommere skal få økt kompetanse på barn. Vold og overgrep mot barn er et samfunnsproblem, og utnyttelse av barn blir gjort på stadig mer utspekulerte måter. Det er behov for at politiet er mer til stede på internett, og at deres kapasitet og kompetanse styrkes på dette området. Det skal vi sørge for. Politimetoder blir også gjenstand for en gjennomgang nå. Vi vet at såkalte utradisjonelle politimetoder, som f.eks. spaning og kommunikasjonskontroll, brukes mer på barnesaker nå. Det kan være veldig viktige virkemidler, men det er også svært inngripende, så det etiske aspektet må hele tiden være med oss her. Vi husker bl.a. diskusjonen rundt Playpen-saken, der FBI tok over et barnepornografinettsted og drev det i to uker. Det førte til 900 arrestasjoner over hele verden, også i Norge. I Trondheim hadde vi to domfellelser på bakgrunn av det. Men det var likevel problematisk at bevisene var innhentet ved hjelp av ulovlig hacking. Så dette må vi gå igjennom, og det gjøres nå. Så er det viktig å fortsette arbeidet med nærpolitireformen. Vi trenger sterke fagmiljøer når komplisert og utspekulert kriminalitet skal avdekkes, etterforskes og iretteføres. Det samme gjelder domstolene. Erklæringen åpner nå opp for å se på organiseringen av domstolene. Skal vi få til en større spesialisering, spesielt med tanke på barn, i domstolene,

Bensinstasjoner kan være større enn butikker, og de kan ha større utvalg av dagligvarer enn det f.eks. matbutikker under 100 m 2 kan ha. Små dagligvareforretninger kan ha åpent og selge bøker, mens den lokale bokhandleren er nødt til å holde stengt. I dag tidlig kunne vi lese: «Stortinget stopper regjeringens plan om mer søndagshandel. Søndager skal vi kose oss, mener stortingsflertallet.»

Vi ser at folk i stor grad benytter seg av butikker på søndager, enten det er såkalte Brustad-buer eller handling på nett, som f.eks. kolonial.no. Dette viser at folk har både ønske om og behov for å handle på nettopp søndager. Det synes jeg vi skal ta hensyn til. Derfor er det på tide, mener jeg, at man ser på regelverket for søndagsåpne butikker.

så er det greit med søndagsåpne butikker. Derfor mener jeg det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti mener at de er bedre skikket til å bestemme når folk skal handle, enn folket selv. At disse partiene ikke engang tar seg tid til å vente på tilbakemeldingene som kommer i den pågående høringen, vitner om at de ikke ønsker å lytte til verken eller bransjen. Det synes jeg er merkelig, jeg synes det er trist, og jeg synes det er direkte arrogant. Hva blir det neste – forbud mot netthandel på helligdager? Jeg håper på en mer ryddig og konstruktiv prosess fra opposisjonen når vi f.eks. skal diskutere regjeringens forslag om at kommunene bør kunne utvide Vinmonopolets åpningstider.

For Venstre er det å gå inn i regjering ikke et spørsmål om politisk taktikkeri. For oss handler dette om å ta ansvar. Norsk økonomi har over en generasjon vært svært avhengig av olje og gass. Samtidig som Norge har fått ta del i en internasjonal gullalder for fossile energikilder, har vi også gitt et bidrag til den CO 2 -baserte badehetta som har lagt seg rundt jordkloden og skaper klimautfordringene vi nå må håndtere. Den blå-grønne regjeringa lanserer en grønn industri- og miljøpolitikk som kan gjennomføres. Den er ikke en floskelbasert erklæring om månelanding – med havari på Mongstad – som den rød-grønne regjeringa sto for, eller konkursen i Habiol, som satte norsk utvikling av andre- og tredjegenerasjons biodrivstoff langt tilbake. Karbonfangst og -lagring i tørrlagte oljebrønner på en gjennomanalysert norsk sokkel er en av de store, uforløste industrielle mulighetene som Norge har, som i tillegg vil være et stort bidrag med hensyn til verdens store klimautfordring, som er skapt og skapes av forbrenning og prosessindustri. Norsk olje- og gassektor og maritim sektor er kanskje de beste i verden til å sette sammen teknologi til å spille sammen. Her kan vi lykkes, men vi må finne en finansiering som ikke kommer bare ett utslippspunkt til gode. Vi må finne de gode prosjektene, eller klyngene av kompetanse, som sammen knekker koden i stort. Da kan vi skape en miljøteknologi som verden trenger – og vil betale for. Klynger er et nøkkelord. Treklyngen på Hønefoss med utløp i Viken Skog, men med finske investorer og industriell kompetanse om bord, er et eksempel på å ta i bruk biomasse fra norske skoger til både varme og biodrivstoff. En annen klynge under etablering er Norwegian Wood Cluster med base i min hjemby, Gjøvik. Tolv aktører i Mjøs-regionen med Moelven-konsernet og NTNU i førersetet skal bli ledende på trebyggeri i Europa. Greier vi de neste fire årene å nærme oss å skyte CO 2 tilbake i havbunnen og ta i bruk mer av det grønne gullet i norske skoger, har Venstre lyktes med det grønne skiftet og det ansvaret vi tar på oss – både til havs og på land. På da Mjøsaksjonen måtte til for å redde Mjøsa fra akutt forurensning, ble verdens første biogassanlegg etablert på Hamar. I dag leverer norske Cambi verdens mest effektive biogassanlegg til verdens største byer – gjerne bygd under byene. På Hamar bruker de historien og kompetansen til å utvikle et av verdens første biologiske fosforgjenvinningsanlegg. Det ligger mye god, norsk miljø- og industrikultur i norske bygder og byer.

grue seg, i form av at dette kanskje berre er mange tomme løfte. Den nye justisministeren har til no markert seg med veldig store og sterke ord om satsinga, men kanskje utan det heilt store innhaldet. Den nye justisministeren har sagt at ho skal gjere alt for å nedkjempe vald og overgrep. Samtidig er situasjonen f.eks. her i Oslo, det største politidistriktet i landet, så stram lese i VG at valdtektssaker blir liggjande bakarst i køen. Det same fekk me greie på for eitt år sidan, men kva er det blitt gjort med det? Altfor svake budsjett, utvikling i negativ retning. Viss det er slik at ein skal ta regjeringa på alvor – og det bør ein jo – når det gjeld punktet om at ein skal «styrke innsatsen mot og heve politiets kompetanse på området», har justisministeren ein enorm jobb å gjere i budsjettkonferansane sine. Justisministeren har òg skrytt ein del av det nye cybersikkerheitssenteret, som me alle er for, men som på ingen måte er betalt. Politidirektøren har sågar sagt at dette må finansierast som eit spleiselag med politidistrikta – politidistrikta, som på ingen måte

må fylgjast klart opp i justisbudsjettet, og då må politidistrikta prioriterast. Så må det førast ein politikk som faktisk ser straffesakskjeda i samanheng. Me er glade for at soningskøen no er vekk, sjølv om me er ueinige i måten me er komne dit på. Me meiner det kunne blitt gjort på andre måtar. Men køen er flytta ned i systemet. No er det enorme ventetider i domstolane, og det er òg enormt lang saksbehandlingstid i veldig mange av politidistrikta.

Samstundes påpeikar regjeringa at kostnadseffektivitet og total samfunnsnytte i dei enkelte prosjekta er viktig, slik at ein i NTP-perioden kan få realisert flest moglege prosjekt til størst mogleg samfunnsnytte. I 2015 blei det 100 pst. statlege selskapet Nye Vegar etablert. Nye Vegar har som oppgåve å byggje raskare og meir kostnadseffektivt. Nye Vegar arbeider heilskapleg med prosjekt frå starten av,

og kan bidra til etablering av databasert næringsverksemd, som datalagringsindustri. For å sikre dei gode velferdsordningane våre i framtida må det skapast fleire jobbar, og fleire må vere i jobb. Det tek den politiske plattforma til regjeringa opp i seg.

og folk som voldtar barn, at våre rettsstatsprinsipper blir satt på prøve. Rettsstaten Norge besto den prøven med glans 22. juli. Men det er med stor uro vi nå registrerer at de to siste justisministerne – Per Willy Amundsen og den nåværende nye, Sylvi Listhaug – i stedet for å forsvare rettsstaten og menneskerettighetene reduserer justispolitikk til primitive og farlige følelser. Ved å bruke metaforen «monster» mobiliserer de til frykt og hevn. Rettsstaten settes fullstendig til side. Statsråd Listhaug fortsetter, på tross av mye kritikk, og senest i dag, med den ordbruken. Den har med andre ord ikke blitt korrigert av statsministeren eller av hennes partileder. Statsministeren sa derimot i Aftenposten for et par dager siden at «det er viktigere å diskutere hvordan vi løfter kampen mot denne typen overgrep enn det er å diskutere alle ordene». Dette er dessverre ikke en debatt om semantikk. Kritikken rettes mot en statsråd som ikke synes å forstå de mest grunnleggende rettsstatsprinsipper. Ved å redusere dette

I arbeidet med å bekjempe seksualovergrep mot barn foreslo regjeringen i høst å øke bevilgningen med 42 mill. kr. Barneombudet kalte dette en hån mot barna. Det var Venstre og Kristelig Folkeparti som reddet denne budsjettposten. Justisministeren ville ikke legge penger på bordet. Han var fornøyd med å skjelle ut Statsministeren er ikke her i dag. Jeg hadde lyst til å rette dette spørsmålet til henne, så jeg kommer derfor til å gjøre det skriftlig. Jeg vil spørre om statsministeren fortsatt synes at ordet monster brukt om seksualforbrytere uttrykker en nødvendig forståelse av vår rettsstat. Jeg vil også spørre henne skriftlig om å se gjennom fingrene på at hennes justisminister gjennom begrepsbruk undergraver grunnleggende prinsipper om rettsstaten.

Det er en bra ambisjon, men de som jobber på dette feltet, ser jo at rapporter viser at Norge ligger dårligst an i Norden, og at EU er mye mer offensiv med hensyn til både målsettinger, krav og tiltak på området. Derfor er det nå viktig at vi tar vårt ansvar og løfter denne meldingen, slik at vi får det konkretisert og kan bidra til å skape arbeidsplasser rundt omkring i hele landet og bidra til økt verdiskaping. Da må vi se på hvordan virkemiddelapparatet er innrettet per i dag, og om det må gjøres ulike endringer, slik at vi får forbedret fotavtrykket til den industrien vi har, og hvordan vi kan få til bedre gjenbruk og industri og se på de mulighetene som ligger der. Så er det slik at vi også har et nasjonalt ansvar for håndtering av farlig avfall. Her vil det bli veldig interessant når Høyre har gitt statsrådposisjon til Venstre, å se på hvordan vi skal håndtere denne situasjonen og finne gode løsninger for framtiden. For også på dette området er det viktig å tenke sirkulærøkonomi, ny teknologiutvikling, forskning, utvikling og kompetanse og se på hvordan vi kan bidra til at det blir minst mulig farlig avfall, og at det blir håndtert på en trygg måte. I regjeringserklæringen står det mye bra om biologisk mangfold, men de aller fleste punktene har Stortinget allerede vedtatt. Det kunne like godt stått: Ja, vi har fått beskjed fra Stortinget om å gjøre dette. Vi har ikke kommet så langt, men nå skal du se at det skjer! Regjeringen springer på en måte etter seg selv på område etter område. Miljøorganisasjonene har vært i harnisk over regjeringens flytting av forvaltningsansvaret for høstbare viltarter fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet – Venstre-statsråden får altså litt mindre å gjøre.

neste budsjett. Men det er

men det må ikke herske noen tvil om at den viktigste oppgaven for denne regjeringen er å sikre innbyggernes trygghet og rikets sikkerhet. Regjeringen er i gang med en helt nødvendig gjenoppbygging av vårt lands forsvarsevne. Representanten Huitfeldt nevnte i sitt innlegg at denne regjeringen hadde kuttet i forsvarsbudsjettet for neste år.

i langtidsperioden – mer enn det som lå i langtidsplanen til den rød-grønne regjeringen. Vi trenger å bli sterkere alene, og vi trenger å bli sterkere sammen med NATO. Men vi verken er eller vil bli i stand til å forsvare dette landet alene. Vi trenger et forsvar som kan avskrekke og ivareta den suverenitetshevdelse som må til for å unngå at vi blir utsatt for et politisk press og kan miste vår handlefrihet. Regjeringsplattformen slår fast at Norge skal være en troverdig alliansepartner i NATO. NATO er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk, og USA er vår nærmeste allierte. USA her bedt Europa, og også Norge, om å ta større ansvar for egen sikkerhet. Det i seg selv er ikke USA bærer 72 pst. av NATOs militærkostnader, som er en uforholdsvis stor byrde på USA. Norge har svart: Vi investerer i nye overvåkingsfly, vi investerer i nye kampfly, vi investerer i nye kampfly, vi investerer i nye ubåter, og vi styrker vår etterretningstjeneste. Dette er helt avgjørende oppgaver for at NATO skal ha den nødvendige situasjonskontroll i nordområdene, og Norge oppfyller på denne måten sin rolle som NATO i nord. Vi har fått en ny blå-blå regjering som er

uten å følge det opp med tilstrekkelige midler. Jeg er bekymret for at politiet nå er i ferd med å distanseres fra mange lokalsamfunn og miste en viktig forebyggende funksjon. Politiet i Hedmark og Oppland må nå slippe fri fanger som skulle ha vært i varetekt, fordi det ikke er kapasitet til å transportere dem til fengsel uten å etterlate store områder helt uten politidekning i lange tidsrom. tidsrom. Etterforskning av alvorlige saker som voldtekt og drap må nedprioriteres på grunn av transport. I dag kan vi lese i Folkebladet at det kun er én patrulje på vakt i hele Midt-Troms på nettene i ukedagene. Men fortsatt kan jeg ikke se at dette er bekymringer som den nye regjeringen vil ta inn over seg. Flere steder henlegges saker konsekvent grunnet kapasitet, selv der det er kjent gjerningsmann. I Innlandet politidistrikt ble det lovet 41 nye stillinger i 2017. Fortsatt er det 23 som ikke er ansatt. Flere ganger har vi spurt forrige statsråd direkte om konsekvenser av politireformen som oppleves rundt omkring i landet. Hver gang er svaret omtrent det samme:

Dette er spørsmål jeg har stilt, og som det ifølge forrige statsråd ikke finnes svar på. Det synes jeg er ganske bekymringsfullt. Jeg mener at spørsmål som disse to er viktig informasjon for å kunne avgjøre effektene av politireformen og kostnadene knyttet til forskjellige måter å organisere politiet på. Det vitner om en regjering som ikke har hatt reell oversikt over konsekvensene av politireformen når man ikke klarer å svare på sånne type spørsmål. spørsmål. Med den nye plattformen vi har fått, er det ingen grunn til å tro at den situasjonen kommer til å endre seg. Senterpartiet vil fortsatt jobbe i opposisjon for å sikre at vi har en justissektor som er i balanse, som trygger befolkningen, og som er tilgjengelig for alle innbyggere, uansett hvor de bor.

Derfor er jeg glad for at regjeringen skal gjennomføre en inkluderingsdugnad, og at det er et hovedmål at vi skal redusere fattigdommen. Barn som lever i fattige familier, deltar i mindre grad enn andre i barnehage, SFO og på fritidsaktiviteter. Når vi vet at 28,5 pst. av innvandrerne eller norskfødte med innvandrerbakgrunn er i denne kategorien,

Det er grunnen til at Venstre kjempet inn gratis kjernetid i barnehagen for tre–femåringer fra lavinntektsfamilier i forrige stortingsperiode. Selv om nesten alle femåringer går i barnehage i dag, er det de få prosentene som ikke gjør det, som trenger det mest. Da er det vårt ansvar å senke terskelen så lavt som mulig. Økonomi skal ikke lenger kunne være et argument for at barn ikke skal få gå i barnehage. Det gir også mor og far bedre mulighet til å delta i arbeidslivet, og slik har det en dobbel inkluderings- og integreringseffekt for familien. Dersom alle barn som fødes inn i familier med lav inntekt, virkelig skal få utvikle sitt potensial, gjøre seg nytte av mulighetene som finnes i samfunnet vårt, og bli aktive borgere, må vi sette inn innsatsen tidlig. Derfor er jeg glad for at Jeløya-erklæringen sier at det skal legges til rette for at barn får mulighet til å gå i barnehage. Spesielt er det viktig at barn i Det er et godt tiltak for barnets beste og en samfunnsinvestering. Arbeidet mot fattigdom og for muligheter krever likevel at vi jobber på flere områder samtidig. Barnehage, SFO og skole er helt sentralt fordi de gir barna kunnskapene og ferdighetene som skal til for å skape seg et bedre liv enn foreldrene hadde. Å sørge for at alle barn kommer seg gjennom skolen, er viktig for å sikre sosial mobilitet. Derfor slår Jeløya-plattformen også fast at vi skal støtte frivillighetssentralenes arbeid med bl.a. leksehjelp og støtte- og inkluderingstiltak for utsatte barn og unge. Vi skal også styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, slik at de er enda bedre rustet til å ta imot barna og ungdommene våre når de har det

Derfor er det så viktig å få folk over fra trygd til arbeid. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at flere kvalifiserer seg for arbeid. Deltakelse i arbeidslivet gir også lettere mulighet for å bli godt integrert. Arbeid er med andre ord avgjørende Regjeringen sier i sin erklæring at de nå skal gjennomføre et integreringsløft. Jeg er redd det nok en gang er tomme ord. Arbeiderpartiet vil gjøre det til en hovedoppgave å sette kommunene og arbeidslivet i stand til å få folk i arbeid og deltakelse. I vårt alternative budsjett for 2018 foreslo vi derfor 1 000 arbeidsmarkedstiltaksplasser for ordinære ledige. Regjeringspartiene stemte imot. Vi foreslo 1 000 arbeidsmarkedstiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Regjeringspartiene stemte imot. Videre foreslo Arbeiderpartiet å øke inkluderingen i arbeidslivet for unge på helserelaterte Nav-ytelser, med tettere oppfølging fra Nav og en aktivitets- og jobbreform for unge på gradert uføretrygd. Regjeringspartiene stemte imot. Vi foreslo et hurtigspor for flyktninger inn i jobb gjennom økt satsing på realkompetansevurdering i mottak. Regjeringspartiene stemte imot. I vårt alternative budsjett for 2018 foreslo vi også å styrke Jobbsjansen med 50 mill. kr. Regjeringspartiene stemte imot. Jobbsjansen er særlig viktig for å styrke innsatsen for å få innvandrerkvinner som ikke er i arbeid, ut i jobb. Fattigdom og mulighet til egen inntekt og jobb henger sammen. Deltakelse i arbeidslivet gir også bedre muligheter til å bli godt integrert. Arbeid er med andre ord avgjørende for å leve et godt liv i Norge. Nå håper jeg vi får se en regjering som stiller seg bak forslag som får folk ut i arbeid – ikke en regjering som stemmer imot og kommer med tomme

Det som teller, er selvfølgelig handling, det er initiativ, det er vedtak og det er penger på budsjettene. Ellers fortsetter alt som før. Ingenting tyder på at noe endres med ny plattform og ny erklæring fra statsministeren. Det er spesielt ett felt som SV har vært opptatt av i høst, nemlig elektrifisering av kysten og utvikling og innfasing av nullutslippsteknologi på båter og i maritim industri. Om vi setter strenge krav i anbud, og om vi stimulerer og setter av midler til landstrøm, til forskning og utvikling i verft osv., så står Norge i første rekke – ikke bare til å få ned egne klimagassutslipp, men til å eksportere teknologi og kunnskap. Vi har alle forutsetninger for å lykkes i dette landet. To eksempler der jeg mener regjeringen har totalt: For det første gjelder det kystruteanbudet, som vi behandlet her for ikke lenge siden, der en gyllen mulighet til å sette strenge utslippskrav, glapp – for 10 år. Det var bare bitte lite grann innstramming. For det andre: Høsten 2015 ba Stortinget regjeringen iverksette tiltak som sikrer at alle fylkeskommunale og kommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi ved nye anbud og på ruter i egen regi. Til tross for dette vedtaket unnlot regjeringen å ta dette kravet inn da man reviderte lov om offentlige anskaffelser. Noen fylkeskommuner, som f.eks. Hordaland, er flinke – på egen hånd – og gir anbudene til nullutslippsferger. Men det er altså ikke krav fra regjeringen. På grunn av regjeringens trenering tok derfor SV opp saken på nytt våren 2017 og fikk flertall – mot regjeringspartienes stemmer – for følgende:

noe innhold, lavere utslipp og norsk næringsliv utviklingsmuligheter. Jeg håper selvfølgelig at jeg tar feil av den regjeringen som nå er etablert, og at de tar opp hansken og ser mulighetene i grønn skipsfart, i grønn maritim næring, framover. Trygge og konkurransedyktige arbeidsplasser er

Vi skal levere på kvalitet og innovasjon på en slik måte at vi fortsatt kan være konkurransedyktige opp mot våre handelspartnere. Kan du ikke være billigst, må du være best. Kompetanse og innovasjon henger tett sammen. Kompetanse gir evnen til å se nye muligheter og gir evnen til å utvikle ideer til et produkt. Kompetanseutvikling i virksomheter gir grunnlag for nye arbeidsplasser og vekst, samtidig som det er med gjennom opprettholdelse av konkurransekraft. Norge er kjent for å ha dyktige og kunnskapsrike arbeidstakere, og dette er et konkurransefortrinn som vi må videreutvikle. I går sa statsminister Solberg at ingen skal gå ut på dato i det norske arbeidslivet. Regjeringen vil derfor utvikle en ny kompetansepolitikk som svarer på vår tids utfordringer. Dette er Kristelig Folkeparti helt enig i. Våren 2016 fremmet Kristelig Folkeparti et representantforslag om innføring av en KompetanseFUNN-ordning etter modell av SkatteFUNN-ordningen. Dette forslaget fikk ikke tilslutning av andre partier. I den nye regjeringserklæringen ser en nå at KompetanseFUNN-ordningen er nevnt. Det er bra, og jeg ser med forventning fram til at regjeringen kommer til

og når det å investere i kompetanseheving kan virke vanskelig. En slik ordning må innrettes slik at den treffer i alle ledd i bedriften. Både fagarbeidere, ingeniører, ledere og mange flere må få kunne nyte godt av en slik ordning. En kompetansereform er å ruste Norge for framtiden. I en tid da automatisering og digitalisering gjør at utviklingen går raskere enn før og kravene til kompetanse blir stadig høyere,

og jeg er derfor spent på hva den utvidede blå-blå regjeringen vil gjøre, og hva de framover skal si – både hver for seg og ikke minst sammen. Statsministeren uttalte at regjeringen ville «støtte opp om den positive utviklingen i distriktene». I samme åndedrag definerte hun hele Nord-Norge som distrikt. Da blir en jo noe bekymret, for leser en Jeløya-plattformen, er distriktspolitikken stebarnet. Vi har distrikter i flere deler av landet enn bare i nord, og i disse dager er det f.eks. mange kommuner i sør som ser med bekymring på den foreslåtte endringen i distriktsindeksen. Jeg håper vi derfor nå får med oss regjeringen på en sterkere distriktssatsing – eller skal jeg si Nord-Norge-satsing – med flere og sterkere virkemidler framover. Jeg mistenker likevel at det må skje i denne salen. Sterkere virkemidler for utvikling i hele landet, på lag med menneskene som bor overalt, ville kommet oss alle til gode. Naturressursene er nemlig spredt i hele landet, og flere arbeidsplasser ville blitt skapt, og økte eksportinntekter ville sikret oss for framtiden. Det er de ressursene og de dyktige menneskene i distriktene – sammen med lavere oljepris og dermed også kronekurs – som har gjort at det går godt i distriktene. Utviklingen skjer derfor på tross av og ikke på grunn av regjeringens tidligere innsats i forbindelse med alt fra å legge ned kommuner til dårligere pendlervilkår. Stortinget har bestilt en oppgavereform for fylkene som bidrar til økt folkevalgt styring og redusert statlig overstyring av vårt regionale folkevalgtnivå. Så langt er regionreformen blitt en ren strukturreform hvor det er fastlagt en ny fylkesinndeling som er i sterk konflikt med fylkenes egne ønsker. Det skal denne regjeringen gjennomføre. Regjeringen sier også at de nye fylkene skal ha regional samfunnsutvikling som en hovedrolle. Det må bety økt ansvar innenfor næringsutvikling, samferdsel og overordnet planlegging og ikke minst midler til å følge dette opp. Regjeringen skal få sjansen til å presentere nye forslag på disse områdene og ikke minst følge opp det som er stortingsflertallet. Om ikke regjeringen følger opp, er Senterpartiet uansett klar til å bidra aktivt til å få flertall her på Stortinget for forslag som gir fylkenes samfunnsutvikling et reelt innhold. I samferdselspolitikken er hovedbildet at Jeløya-erklæringen følger opp en etablert enighet på borgerlig side. Det er vedtak i Nasjonal transportplan og budsjettene som i hovedsak følges opp. Det er jeg glad for. Det heter: «Regjeringen vil fortsette å redusere vedlikeholdsetterslepet i veisektoren.» Det er bra. Det skal også bli spennende å se om det gjelder den sektoren som eier mest vei i dette landet, nemlig fylkeskommunene. Det skal merkes at et sosialliberalt parti som Venstre har trådt inn i

psykisk syke, mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronikere og barn utsatt for ulike typer omsorgssvikt har en særskilt plass i politikken vår. Målet er like muligheter for alle, og da må vi behandle folk ulikt. De som har dårlige odds, skal få bedre kort på hånden. Vi skal ha en sterk og god helsetjeneste finansiert av det offentlige, der alle opplever en og god behandling, uavhengig av diagnose og sosial status. Særlig pasientgrupper som har følt seg dårlig behandlet, ofte psykisk syke, rusavhengige og kronikere, skal nå løftes, og behandlingstilbudet skal bli bedre. En av de kanskje viktigste reformene Venstre har jobbet systematisk med over flere år, er behovet for Nå er rusreformen en del av regjeringens politikk, og bruk og besittelse skal møtes med sosialpolitikk og omsorg, ikke straff. Fra før er vi selvsagt stolte av opptrappingsplanen for rusfeltet, som med denne regjeringen skal følges opp videre. Det skal etableres flere avrusningsplasser, forskning skal styrkes, LAR skal forbedres, ettervern skal bli bedre, det skal etableres flere team rundt brukerne for å hindre tilbakefall og sikre en god rehabilitering, i både kommunene og spesialisthelsetjenesten. Rusavhengige skal merke at Venstre nå er i regjering. Det skal alle andre utsatte grupper også. For eksempel skal barn som pårørende følges tettere opp. Eldre kronikere skal få mer oppfølging i hjemmet sitt gjennom mer og bedre bruk av velferdsteknologi og mobile helseløsninger. Det skal jobbes videre for et demensvennlig samfunn, og det skal igjen lukte god mat fra egne kjøkkener på kommunenes institusjoner. Vi vet at det er mye god helse i god ernæring og mellommenneskelige relasjoner. Denne regjeringen skal både styrke og modernisere helsetjenestene i kommunene. Arbeidet med en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse er i full gang. For Venstre er barn og unge det viktigste vi kan investere i. Spørsmålet er ikke om vi har råd til en skikkelig og god opptrappingsplan – svaret er at vi ikke har råd til å la være. Dette synet kommer tydelig fram i regjeringserklæringen, som har som mål å forebygge der man kan, og som understreker at tidlig innsats og forebyggende tiltak skal prioriteres. Klarer vi det, vil vi kunne få store besparelser i en og folk kan leve et bedre liv. Også eg vil starta med gratulasjonar og lykkeønskingar til den nye regjeringa. Det må unekteleg følast litt uverkeleg for Venstre-folk over heile landet som hissa seg alvorleg opp

men i posisjon aukar dette. Vi vekslar det inn, seier Framstegspartiet, i snitt er det gjeve lettar for folk flest. Kjære vene! Denne vekslinga gjer at dei som har minst, får mindre, og lettane kjem til dei som har mest. Eg er sosialdemokrat, eg trur at fellesskapsløysingar er best, og at alle får det betre når alle har det bra. Men orda må følgjast opp med handling. Viss ein vil at skilnadene skal verta mindre, må ein stoppa tiltak som aukar skilnadene, og ikkje gjera det motsette. Det har i fire år gått ein historisk tråd gjennom innlegga frå Høgre og Framstegspartiet: Ein prøver å skapa eit inntrykk av at Arbeidarpartiet er imot forandring og innovasjon. Eg vil seia som Kolberg, som ofte har sagt: Det finst inga politisk kraft i Noreg som i sterkare grad har bidrege til næringsutvikling og innovasjon i det norske samfunnet enn norsk sosialdemokrati og norsk fagbevegelse. Noreg og Arbeidarpartiet har ikkje følgt resepten til høgrekreftene om skattekutt, svakare velferdssamfunn og svakare ordningar innanfor arbeidsmiljølova, tvert om. Nettopp difor er Noreg Noreg, med små skilnader og sterke fellesskap. Oppmodinga frå statsministeren om at vi alle skal vera med på å skapa eit berekraftig velferdssamfunn, vert litt underleg når ein går laus på inntektene til kommunane ved at den kommunale eigedomsskatten skal bort. Gløymt er retorikken om formuesskatten og forskjellsbehandlinga av utanlandske og norske – det var det verste, og Eigedomsskatten likestiller nettopp utanlandske og norske. Gløymt er det faktumet at velferdstenestene skal finansierast. No skal velferdstenestene moderniserast. Og ein vil ha fleire i arbeid, bruka heile landet. Men korleis? Ved framleis å dra teppe bort under reiselivet med endå ein avgiftsauke, ved framleis ikkje å satsa på breiband i distrikta? Kjære opposisjon! No må vi stå samla for å få ei anna retning – for meir fellesskap, mindre skilnader og ei regjering som tek vare på den felles kulturarven vår. Jeløya-erklæringen er en garanti for at den vedtatte langtidsplanen og

at gjennomføring av samtlige tiltak i LTP og landmaktproposisjonen vil bringe Norge nær 2 pst. av BNI. Regjeringens mål i bistandspolitikken er å fremme norske interesser. Norge først, kan man si. Utdanning gir kunnskap, kunnskap gir kreativitet, kreativitet betyr ideer for entreprenørskap, entreprenørskap betyr lønnsom verdiskaping, verdiskaping betyr handel og eksport, handel og eksport skaper arbeidsplasser, arbeidsplasser skaper økonomisk vekst, økonomisk vekst betyr bedre levestandard, bedre levestandard betyr mer stabilitet, mer stabilitet betyr mindre avhengighet av hjelp utenfra – alt dette under forutsetning av et godt, demokratisk styresett. Totalt sett gir dette økt global vekst og redusert migrasjon. En slik utvikling er både i Norges og i fattige lands interesse. I utenrikspolitikken vil regjeringen stanse all økonomisk støtte til organisasjoner i de palestinske områdene som oppfordrer til vold eller fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme. Det er ikke mangel på kandidater. De palestinske myndighetene betaler lønn til dømte terrorister i israelske fengsler. Mahmoud Abbas sa at dette vil fortsette. Palestinske myndigheter har oppkalt 28 av sine skoler etter terrorister og tre etter Skolebøker utgitt av de palestinske myndighetene forherliger terror og viser kart uten Israel. Skolebøker som benyttes i UNRWA-skoler, lovpriser terrorhandlinger, forteller at jøder ikke har noen hellige steder i Israel, og at de ikke har noen rettigheter til landet. Uavhengig av hvor mange ganger det sies, viser alle statistikker som har vært fremlagt, at ikke-vestlig innvandring ikke har gitt økonomisk vekst, men derimot store budsjettunderskudd. Det slår alle seriøse beregninger og forskningsrapporter fast. Den siste Holmøy-rapporten viser at ikke-vestlige innvandrere i gjennomsnitt i et livsløp medfører et offentlig økonomisk underskudd på 6 mill. kr og 11 mill. kr, avhengig av om det er mann eller kvinne. Så statsråd Sanner har mye å ta tak i. Jeg har registrert at Arbeiderpartiet har lagt frem forslag om Dette er resirkulerte Fremskrittsparti-forslag, som Arbeiderpartiet tidligere la all sin retoriske og politiske kraft i å bekjempe. Jeg har dem foran meg her: «Bærekraftig innvandring. Fremskrittspartiets Bærekraftutvalg 18. august 2013» Man finner alle forslagene fra Arbeiderpartiet i den. Det har Fremskrittspartiet fremmet, og det har Arbeiderpartiet stemt imot. Regjeringa har i fire og

alt dette og meir mens me har ein aukande fattigdom blant barnefamiliar. Statsministeren seier at arbeidslinja må styrkast, med påfølgjande utsegn: Det må løna seg å jobba framfor å gå på trygd. Dette skremmer meg, for det høyrest mistenkjeleg mykje ut som kutt i trygda til folk. Korleis skal regjeringa elles auka forskjellen mellom inntekt frå løna arbeid og trygdesatsane? Det er jo partane i arbeidslivet som forhandlar løna, og det lønar seg jo allereie i dag å jobba. Vidare seier dei at det er eit konkurransefortrinn for Noreg at me har eit velfungerande trepartssamarbeid og høg organisasjonsgrad, men det står ingenting i regjeringsplattforma om at regjeringa vil gjera tiltak for å auka organisasjonsgraden eller for å behalda den organisasjonsgraden som er i dag. Tvert imot seier dei at dei «anerkjenner» dei som vel å vera uorganiserte. Dette står for meg å vera i sterk motsetnad til å byggja vidare på eit organisert arbeidsliv. Det er nemleg det organiserte arbeidslivet som i stor grad har bygd den velferdsstaten som me alle er produkt av. Det er det organiserte arbeidslivet som har sørgd for dyktige fagarbeidarar og høg produktivitet. Regjeringa innrømmer at høg organisasjonsgrad er eit vern mot aktørar i arbeidslivet som ikkje er seriøse, men dei vil ikkje styrkja dette forholdet ved å bidra til auka organisasjonsgrad. Me ser i dag eit sterkt brutalisert arbeidsliv, med ein høg del innleidd arbeidskraft, sterkare kriminelle nettverk i arbeidslivet og ein stor bruk av mellombels tilsetjing. Dagens ungdom er den første generasjonen unge arbeidstakarar som møter eit hardare og meir brutalisert arbeidsliv enn generasjonen før dei. Me går altså feil veg, og det er denne regjeringa ansvarleg for.

og det er ingen tvil om at Kristelig Folkeparti er regjeringens foretrukne samarbeidspartner. Marit Arnstad framførte i dag begrepet «den solbergske parlamentarisme». Representanten Arnstad må tydeligvis ha glemt forskjellen på hvordan en flertallsregjering og en mindretallsregjering jobber. Mens den rød-grønne regjeringen ble enig med seg selv i de lukkede rom, foregår nå de reelle forhandlingene i parlamentet. Nå kommer partienes primærstandpunkter tydelig fram, og sammen jobber vi her i Stortinget for å komme fram til gode enigheter. Det kan se ut som om velgerne setter mest pris på denne arbeidsformen. I stedet for å stille spørsmål om hvordan det borgerlige flertallet jobber for å enes om en god politikk for landet, vil jeg sette spørsmålstegn ved I sterk kontrast til det ansvaret de fire ikke-sosialistiske partiene tar i fellesskap, ser vi en stadig mer splittet opposisjon, og vi ser en opposisjon som er mest opptatt av å si nei til regjeringens politikk før de ser fakta og hva berørte innbyggere er opptatt av. I dag sier et flertall nei til regjeringens forslag om å forenkle reglene for søndagshandel. Flertallet gjør dette før et konkret forslag er lagt og bare noen dager etter at en grundig NOU er sendt på høring. Mange av forslagene i NOU-en er konstruktive og ikke først og fremst liberaliserende. Et av forslagene er at alle frittstående butikker under 150 m 2 skal kunne holde åpent. Det betyr at alle større butikker må holde stengt. Der mange butikker i dag har åpent hele søndagen, foreslår utvalget å begrense åpningstiden til etter kirketiden og totalt sett til færre timer enn i dag. Noen flere mindre butikker vil sikkert velge å holde åpent, mens mange ansatte som i dag arbeider på de store hagesentrene, vil få fri ved en slik praktisering. Dette er kunnskap som Arbeiderpartiet og Senterpartiet åpenbart ikke er interessert i å høre om før de i dag sier At opposisjonen ikke er opptatt av kunnskap før de konkluderer, bør bekymre langt flere enn at regjeringspartiene kan ha ulike utgangspunkt før forhandlinger i åpent lende. Det som antageligvis burde bekymre representanten fra regjeringspartiet mer, er at det er en så dundrende mangel på kunnskap bak mye av den politikken som regjeringen står for. Ingen regjering har hatt og har brukt så mye penger som denne regjeringen – 230 mrd. kr mer – samtidig klarer de kunststykket å øke forskjellene i landet. Vi hører nå statsråder og representanter som går opp på talerstolen og skryter av at det har blitt litt mer til det ene og litt mer til det andre. Ja, det skulle da bare mangle når man har så mye penger, at det ikke skulle bli lite grann bedre jernbane, f.eks. Men hvordan har det blitt for dem som har det vanskeligst? Det har blitt verre. Vi ser at inntektene til lavinntektsgruppene har gått ned. Bostøtten, som er et av de viktigste sosiale virkemidlene for at folk skal bo trygt, er lavere i kroner nå enn den var i 2009. Mange av ordningene for de mest vanskeligstilte er kuttet. Forrige uke fikk vi en Nav-rapport som viser det SV har sagt hele tida: Det er ingen grunn til trygdepanikk i Norge. Det er ikke uføretrygden, sykelønnen eller dagpengene som truer velferden framover. Det er noen andre som er kjeltringer i dette store spillet. Det er de som driver med svært lønnsom kriminalitet – økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet – som trikser og mikser med bedriftene, og som unngår å betale skatt og være med på dugnaden og ofte plasserer bedriftene sine

å sikre oss mot farlige klimaendringer framover. I tillegg til det kunne vi ha senket skatten for folk med små inntekter som i dag betaler mye skatt. Det er folk som trenger skattelette. I motsetning til det regjeringen har gjort, nemlig gitt de store skattelettene til dem med de store formuene, de store arvene og de store inntektene. I denne regjeringserklæringen har vi fått høre om et av de nye hjertebarna til denne regjeringen, nemlig at man skal skjerme dem som har de største hyttepalassene, mot den forferdelige eiendomsskatten. Hvis man mener at eiendomsskatten er urettferdig, kan man innføre et obligatorisk bunnfradrag og skjerme dem som har det vanskeligst. Det gjør ikke regjeringen – den skjermer dem som har mest. Når jeg for første gang inntar talerstolen i dette storting, er

og verdien av et mangfoldig Norge framheves klart og tydelig. Samfunnsdebatten tydeliggjør stadig behovet for et integreringsløft. Det er derfor svært positivt å kunne lese i regjeringsplattformen at det legges opp til en helhetlig reform av integreringsfeltet, med den hensikt å få raskere og bedre resultater. Når det er snakk om en integreringsdugnad, innebærer det å få flere i arbeid og få flere nyankomne borgere integrert i det norske samfunnet. Det skal bl.a. gjøres ved at asylsøkere lettere får arbeidstillatelse, og at det blir lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet med det å ha ordinært arbeid. På den måten kan språkopplæring kombineres med arbeidspraksis. Det er også svært viktig å legge til rette for norskopplæring for dem som ikke har grunnskole fra før, fordi vi vet at dette er en svakhet for enkelte grupper av befolkningen. For barn i lavinntektsfamilier vil differensiert opphold i SFO og tilbud om gratis halvdagsplass i SFO gi mulighet for raskere sosialisering og språkopplæring. Det legges også opp til en raskere inkludering av alle barn i integreringsmottak gjennom gratis barnehage, og for at flere barn skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, vil ordningen med kontingentstøtte forsterkes og forenkles. For å støtte barnefamilier slik at de får en mer forutsigbar tilværelse, skal bostøtten styrkes, og det er en viktig generell målsetting om at ingen Vi vet også at frivilligheten bidrar til å skape tilhørighet og på den måten er med på å styrke samfunnet vårt, og Venstre er derfor glad for at støtteordninger til frivillige organisasjoner som driver sosial inkludering i lokalsamfunnene, som jobber for å styrke minoritetskvinners rettigheter, og som bekjemper æreskultur og negativ kontroll, skal styrkes. Vi er også glad for at de frivillige rettshjelpsordningene styrkes, slik at rettsvernet til grupper som er økonomisk sårbare, blir ivaretatt. Det er en bred enighet i samfunnet om at vi ønsker et trygt og inkluderende samfunn, og for å bidra til dette er det viktig å bekjempe rasisme, diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på kjønn, identitet og etnisitet. Da må det legges til rette for, og vi må skape rom og arenaer som gir flere mennesker mulighet til å utvikle seg, slik at alle kan få mulighet til å bidra til fellesskapet. fellesskapet. Venstre er veldig glad for at dette er en tydelig målsetting i

«Vi må oppfylle Norges klimaforpliktelser fordi vi skal ta vår del av ansvaret for å løse klimautfordringen.» Men statsministeren har ikke tenkt å oppfylle våre klimaforpliktelser. Hun har tenkt å bryte med målene om store utslippskutt i Norge innen 2020. Ikke bare skal klimaforliket fra 2012 brytes, regjeringen har tydeligvis også glemt det. Det er ikke nevnt med ett ord i Til VG 10. mars 2014 sa daværende miljøpolitisk talsmann for Høyre, Nikolai Astrup: «Vi klarer ikke å innfri klimaforliket dersom vi ikke får et taktskifte i klimapolitikken.» Nei, det skal være sikkert. Det er snart fire år siden uttalelsen falt. I fire år har regjeringen kunnet skifte gir og fått opp farten i klimapolitikken. I stedet har de holdt stø kurs. Mandag denne uken gikk olje- og energiministeren ut i Aftenposten og slo fast det de fleste av oss har sett: «Oljepolitikken ligger fast, selv med Venstre i regjering.» Statsråden hevder videre at regjeringen alltid legger vekt på miljøfaglige råd i forbindelse med utlysning av nye områder til oljeindustrien. Det er med respekt å melde det rene tøv. Siden høsten 2013, da Høyre og Fremskrittspartiet overtok regjeringsmakten, og fram til dagen før den nye regjeringen tiltrådte, har de ikke fulgt én eneste en av de miljøfaglige advarslene som har kommet mot oljeboring i sårbare havområder – ikke én av advarslene. De har overkjørt alle. Senest den samme uken som den så nær som 10 kilometer fra land langs kysten av Trøndelag og Møre. I høringsrunden til 24. konsesjonsrunde advarte Polarinstituttet mot at det skulle åpnes for oljevirksomhet i 36 av de foreslåtte blokkene. Miljødirektoratet advarte Allikevel valgte regjeringen å utlyse alle disse blokkene – med fare for å skade sjøfugl, den enorme biologiske produksjonen ved iskanten og viktige oppvekstområder for fisk. Skal påstanden om den mest ambisiøse miljøerklæringen ha et bitte lite snev av troverdighet, må denne trekke tillatelsene til oljeboring i de mest sårbare havområdene tilbake.

til tross for at flertallet i denne salen har sagt uttrykkelig at det er frivillighet som skal gjelde. På mandag ble det arrangert et folkemøte i Ås i Akershus, i regi av Fylkesmannen, om grensejustering mellom Ås og Ski, til tross for at flertallet i denne salen har sagt ettertrykkelig at den prosessen stoppes. På nytt er lensmannskontorenes framtid satt i spill. På Romerike er utvidelsen av lensmannskontoret på Bjørkelangen stanset, og tilsvarende skjer også andre plasser i landet. Etter at Justisdepartementet i mai sa at kartet var ferdig tegnet, har Politidirektoratet fått i oppdrag å sette i gang prosessen på nytt. Det er i tilfeller der det ikke er sammenheng mellom de nye kommunegrensene og nye lensmannsdistrikt. Det er også tydeliggjort at politikerne ikke skal inn i prosessen. Det er Politidirektoratet som skal fatte beslutningene. Dette må Stortinget sette foten ned for. Dette er en politikk for ytterligere sentralisering. Så har vi posten posten – posten, som ikke lenger skal fram. Ut fra det forslaget som regjeringen har sendt på høring, skal en i framtiden, rundt omkring i Norge, måtte oppleve at hvis en har fått post levert på fredag, må en nøye seg med å vente til tirsdag for å kunne få post neste gang. En snakker ofte om mulighetene som er i norske distrikter. Ja, det er mange muligheter i ideer som ligger der, men spørsmålet er hvordan politikken blir brukt for å legge til rette. I dagens samfunn sender vi fersk norsk laks til sushibarer i Asia på tre dager. På Andøya har en forskningsraketter som går 2 000 km opp i atmosfæren. Men i et moderne samfunn i 2018 skal vi altså ikke klare å få levert posten hjem til folk hver eneste dag.

Men bortsett fra det er plattformen tvert imot preget av en ganske tydelig høyredreining. Det er en gjennomgående blå tråd i hele dokumentet, som handler om privatisering og behovsprøving av velferden og våre universelle ordninger. Jeg ble minnet om hvor alvorlig det hele er da vi nettopp fikk nye tall som sier at over 100 000 unger vokser opp i fattige familier. er 100 000 unger som står i fare for ikke å få delta på lik linje med andre barn. Samtidig som det har blitt mer velstand i Norge, har antallet barn som vokser opp i fattige familier, økt med 15 000 og vel så det, siden 2013. Bufdir la i forrige uke fram en rapport om regjeringens tiltak mot barnefattigdom, og UNICEF kalte pinlig. Hva er svaret i regjeringsplattformen på denne store utfordringen? Jo, det er mer behovsprøving av velferdsordningene og tjenestene. Det er farlig, for mer behovsprøving kan skape fattigdomsfeller når man mister de behovsprøvde tjenestene og ordningene, f.eks. hvis man får en jobb. Det kan virke stigmatiserende med fattigdomstiltak som stempler, i stedet for velferdsløsninger og fellesskapsløsninger for alle. Det kan ikke minst også også svekke oppslutningen om velferdsstaten. Det som trengs, er tvert imot å styrke de universelle ordningene for alle, som å løfte barnetrygden. Men det finnes det ikke spor av i Jeløya-erklæringen. Den universelle velferden, som utjevner forskjeller og gir ulike mennesker like gode muligheter, blir ytterligere svekket når denne regjeringserklæringen legger konkurranseutsetting og privatisering oppå behovsprøving.

Det er vår oppgåve å ta vare på desse verdiane. Noreg har vorte det mest digitaliserte landet i verda, noko som har bidrege til eit tryggare og meir sikkert samfunn. Folk kjem lettare i kontakt med kvarandre og får raskt tilgang til informasjon. Den digitale utviklinga har forenkla Regjeringa har ei offensiv tilnærming til den digitale utviklinga. Noreg skal vere i front med å utvikle og levere digitale tenester til innbyggjarar og næringsliv. Eit slikt mål skal kvile på ein tillit til at system og nettverk fungerer, og på god informasjonstryggleik og varetaking av personvernet. Det er mange positive aspekt ved å vere eit digitalisert samfunn, men det gjer oss òg sårbare. Parallelt med den digitale utviklinga har risikobiletet i samfunnet òg endra seg. Trusselvurderingar syner at framande statar brukar ulike verkemiddel for å få tilgang til sensitiv og skjermingsverdig informasjon. IKT vert i aukande grad nytta som verktøy for kriminelle handlingar. Fleire tradisjonelle kriminalitetsformer flyttar seg no raskt over til det Det er nødvendig å forsterke beredskapen mot angrep retta mot enkeltmenneske, institusjonar, næringsliv og sivil sektor. IKT-tryggleik er eit viktig fokusområde i Jeløya-plattforma. For å møte utfordringane vert det arbeidd breitt. Det vert lagt til rette for eit tett samarbeid mellom private og offentlege aktørar, mellom sivile og militære verksemder og på tvers av Vi må evne å setje i verk dei rette tiltaka for å redusere risikoen for utfall og angrep mot digital infrastruktur og system, og for å redusere risikoen for å verte utsett for kriminelle handlingar via nettet. Arbeidet vil krevje eit kontinuerleg fokus på lovverk, organisering, sikring av infrastruktur og ei langsiktig oppbygging av

trygt folk i eit trygt land skal gjelde på alle arenaer – òg den digitale. Dette er

også i framtida. Vi må skape for å dele. Eg kjem frå eit område på Vestlandet som har vore hardt råka av endringane i offshore og maritim industri. Mange langs kysten drog nok eit lettelsens sukk då det ikkje vart eit regjeringsskifte med SV og Miljøpartiet Dei Grøne, som vil avvikle denne næringa. Takk vere gode verkemiddel frå regjeringa har det likevel vore mogleg å møte desse utfordringane på kort sikt, men

forbetre SkatteFUNN-ordninga, utvide Katapult-ordninga, forenkle rapporteringa for næringslivet, føreseielege rammevilkår for olje- og gassnæringa, satsing på havrommet, testfasilitetar på sjø og land, såkornfond og mykje meir. Ein vesentleg faktor for at næringslivet skal lukkast i sterk internasjonal konkurranse, er likevel ein godt utbygd infrastruktur. Samferdsel og infrastruktur generelt er ikkje eit godt utbygd infrastruktur. Samferdsel og infrastruktur generelt er ikkje eit val mellom transportformer – bane mot veg, fly mot sjø – men ein struktur tilpassa næringslivet. Ferjefri E39 med bl.a. Hafast og Møreaksen er prosjekt som er med på å leggje grunnlag for framtidig verdiskaping. Vi veit at 60 pst. av verdas befolkning bur i kystområda, og 70 pst. av jordoverflata består av hav. består av hav. Då er dette rett satsing. Det er i havrommet dei viktigaste framtidige resursane våre ligg, og vi må ta vare på den kompetansen vi har opparbeidd langs kysten gjennom fleire hundre år. Eit velfungerande samfunn handlar likevel ikkje berre om næringsliv, men òg om gode tiltak for arbeid og gode oppvekstvilkår, med tidleg innsats og gode helsetenester. Kommunane er då nøkkelen for å lukkast. Dei må møtast utan for mykje øyremerking av midlar frå Stortinget, det fungerer dårleg. Kommunereforma har vist at kommunane er omstillingsdyktige og villige til å ta utfordringane som kjem. Det er med på å sikre distrikta. I regjeringserklæringen savner Kristelig Folkeparti formuleringer som knytter regjeringens politikk opp mot vår kristne og

Folkeparti vil at denne arven fortsatt skal være betydningsfull for kommende generasjoner, ikke primært som et kapittel i historiebøkene, men som en ressurs til livsmening, mestring, etisk refleksjon og solidariske fellesskap. I regjeringserklæringen gis det uttrykk for at skolen er men det sies ingenting om skolereformen vi vedtok nå rett før jul: innføring av lærernorm på skolenivå, som gir alle elever uansett hvor de bor, lik tilgang til skolens viktigste ressurs, nemlig læreren. Det synes vi i Kristelig Folkeparti er litt underlig, all den tid dette er et vedtak som også regjeringspartiene har forpliktet seg til å gjennomføre, i tråd med budsjettforliket for 2018. Kristelig Folkeparti ønsker en skole hvor barna skal dannes til å bli hele mennesker med forståelse for andre og forståelse for samfunnet, og som selv vil delta i å bygge framtidens samfunn. For Kristelig Folkeparti er normen til for at barna våre skal bli sett, i en skole som handler om mer enn karakterer og bare faglige prestasjoner. Skal vi få dette til, trengs det lærere – flere lærere som kan se hver enkelt elev, relasjoner og ikke minst tilpasse opplæringen til elevens behov. Tidlig innsats er avgjørende for å forebygge problemer når barna blir eldre, og for å sikre at tiltak settes inn så tidlig som mulig. OECD har konkludert med at økt lærertetthet gir størst merverdi på de laveste trinnene og er viktigst for faglig svake elever, elever av utenlandsk opprinnelse og elever som har en bakgrunn med Så vil det være en viktig oppgave for oss politikere også å iverksette tiltak som kan rekruttere flere lærere til yrket, det trengs. Lærere, foreldre og elever har i lang tid sett behovet for flere lærere i skolen. Kristelig Folkeparti har lyttet til deres erfaringer og anbefalinger og kjempet på plass en lærernorm, fordi barna våre fortjener den. Jeg er glad for at kunnskapsministeren i dag har bekreftet at det vil være en sentral oppgave for regjeringen å sørge for at dette blir gjennomført.

I spørsmålet om atomvåpen velger regjeringen å ta side med atommaktene, mot flertallet i FN. I neste uke kommer denne salen til å vedta at man skal gjennomføre en utredning av hva atomvåpenforbudet betyr for Norge, hva som skal til for at Norge kan slutte seg til forbudet. Det skjer mot stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet. Atomvåpenforbudet er det mest lovende nedrustningsinitiativet siden den kalde krigen. Her må Norge stå på rett side av historien. Vi må være en pådriver, ikke en bremsekloss i kampen mot atomvåpen og for nedrustning. I spørsmålet om USAs kvinnefiendtlige munnkurvregel, som går på bekostning av kvinners liv og helse, kunne Norge tatt en internasjonal lederrolle som likestillingsnasjon, men man velger å ikke gjøre det. Paradokset er at jo lenger USA sklir vekk fra oss verdimessig og politisk, jo mer insisterer den norske regjeringen på at forholdet er bedre enn noensinne. noensinne. Det er hyggelig at statsministeren lagde god stemning i Det hvite hus, men det holder ikke med godord i møte med en mann som Donald Trump. Mens krigen i Jemen blir stadig mer brutal, velger regjeringen å stemme mot et forslag om å stanse salg av våpen og forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og hus, men det holder ikke med godord i møte med en mann som Donald Trump. Mens krigen i Jemen blir stadig mer brutal, velger regjeringen å stemme mot et forslag om å stanse salg av våpen og forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og dets allierte. Og mens spenningen mellom Russland og Europa øker, velger regjeringen å stå sammen med EU og USA om å øke spenningen, heller enn å stå opp for en avspenningspolitikk og mot et nytt rustningskappløp. Min oppfordring til regjeringen er: Stå opp for norske verdier. Stå opp Vi må kjempe mot den og være en motkraft. Det kan Norge være – hvis vi vil. På toppen av Norge, som prikken over i-en, der ligger Nord-Norge. Nordområdene og nordområdepolitikken er

Norge. For å skape et globalt velferdssamfunn trenger verden mer mat, mer energi, nye miljøvennlige løsninger og sikkerhetspolitisk stabilitet. Nordområdene har disse ressursene som verden etterspør, og Jeløya-erklæringen viser vei og en politisk retning. Det har gått veldig bra i Nord-Norge de siste årene. Den økonomiske utviklingen er større enn i resten av landet, og jobbskapingen er «all-time high». Det største problemet nå er for lite folk, og vi er blitt avhengige av innpendling av arbeidskraft sørfra. Dette burde jo gi hallelujastemning på gruppemøtene i Senterpartiet. Men nei da, da statsministeren viste til hvor fantastisk bra det går i Nord-Norge, repliserte representanten representanten Arnstad: Jo da, det er fint at det går bra, men det hjelper jo ikke når regjeringen svekker offentlig sektor som skal samhandle med næringslivet lokalt. Vel, det spørs om lokalsamfunnene i Nord-Norge føler seg svekket når det ifølge investeringsbarometeret for Nord-Norge planlegges offentlige og private investeringer i landsdelen for rekordhøye 700 mrd. kr fram mot 2025.

for å beskrive Jeløya-plattformen. Statsministeren trekker fram kunnskapsskolen, satsing på kunnskap og kompetanse og ny kompetansepolitikk i sin redegjørelse. Det skuffer meg at det viktigste vi kan gjøre i samfunnet – danne og utdanne morgendagens barn og unge – ikke er et mål i seg selv, men kun et virkemiddel i et produksjons- og konkurransesamfunn. Tenk deg følgende framtidsscenario: Atter en dag våkner du av alarmen som ringer. Morgenen er blå. Du karrer deg på skolen. Og atter en dag møter du en utmattet lærer som rekker deg en ny prøve. Du rekker så vidt å få tilbake prøven fra forrige uke før det er i gang med ny prøve. Læreren har ikke kapasitet til å diskutere resultatene dine fra sist. Ei heller har læreren lenger engasjerte kolleger med tid til å drøfte faglige og pedagogiske utfordringer. Det skranter generelt. Hvorfor det? Skolen har skåret dårlig på skolekvalitet år etter år. Trang kommuneøkonomi og tøff kommunereform ga ikke økte midler til denne skolen. Ei heller fikk rektoren flere ressurser til å følge opp elevene.

Der regjeringen vil teste flere, måle hyppigere og rangere skolene etter læringsresultater og skolekvalitet – der vil Senterpartiet gi lærerne frihet til å tilpasse skolehverdagen med rom for metodefrihet og vurdering for læring. Vi vil ha en skole der det ikke er syklusen med standardiserte nasjonale prøver som avgjør når det er rom for prøvene der det skal vurderes hva elevene har lært. Der regjeringen forsøker å øke friheten i skolene ved å tvinge fylkene til å innføre fritt skolevalg – der vil Senterpartiet heller sikre fylkeskommunene økonomiske muskler til å ha et variert skoletilbud, over hele fylket, over hele landet. Det er en grunn til at vi ikke har fritt skolevalg. Det blir a- og b-skoler. Elevene er ikke et middel i produksjonen til velferdssamfunnet.

For fire år siden ble Erna Solberg historisk. Hun ble den første statsministeren i Nord-Europa som tok et høyrepopulistisk parti inn i regjering. I år er det Trine Skei Grande som blir historisk. Hun leder det eneste liberale og grønne partiet i Europa som kan sitte i regjering med et høyrepopulistisk parti.

Men det er ikke noe å skryte av. Det er en selvfølge. Det var en unnlatelsessynd at Høyre og Fremskrittspartiet ikke gjorde det for fire år siden. Nå gjenstår det å se hva som skjer i praksis. På miljøfeltet stiller de seg på noen områder bak det som allerede er vedtatt av Stortinget, eller der stortingsflertallet ligger i praksis. Det gjelder f.eks. videreføring av elbilfordelene, 10 pst. til skogvern, eller verning av Øystesevassdraget. Alt dette er politikk som Arbeiderpartiet tidligere har stilt seg bak. Det store spørsmålet er hvor store utslippskutt regjeringen vil klare å gjennomføre. Da spørsmålet ble stilt til de tre partilederne etter at erklæringen ble lagt fram, ble det møtt med hånflir av statsministeren og finansministeren. Det er høyrepartiene som nå har det fulle ansvaret for at utslippsmålene i klimaforliket nås i 2020. Dessverre er det ingenting som tyder på at man vil klare det. Selv om de lovet en forsterkning, har vi i realiteten fått en avlysning. Høyrepartiene utgjør ytterpunktet i norsk miljøpolitikk. I forrige periode måtte opposisjonen overstyre dem i sak etter sak.

år siden. Det er ingen grunn til å tro at regjeringen vil levere. Vi kan ikke være overrasket. Ved budsjettframlegget for et par måneder siden foreslo finansministeren 90 pst. kutt til fangst og lagring av CO 2 . Dette får være ett av mange områder hvor opposisjonspartiene får jobbe sammen. Venstre har fått klima- og miljøministeren. Jeg ønsker ham lykke til ønsker ham lykke til i arbeidet, men vi ser et departement som stadig svekkes. For fire år siden flyttet Erna Solberg planavdelingen ut, til Ola Elvestuens protester. Nå har hun også flyttet arbeidet med vilt ut av departementet, også det møtes med protester fra miljø- og

Høyres Trond Helleland snakket før i dag om konservatisme, men regjeringens holdning til EUs energiunion viser nok en gang at snakket om konservatisme kun er et begrep uten innhold, for når det kommer til Grunnloven, er det ikke mye konservatisme ute og går i Høyre. Tvert om ser det ut til at man gjør det man kan for å sno seg unna Grunnlovens krav til behandling når det kommer til avgivelse av suverenitet. Tidligere har EØS blitt omtalt som et faksmedlemskap i EU. Med den foreslåtte tilknytningen til EUs energiunion tas nå kopimaskinen i bruk. I statsbudsjettet er det satt av 55 mill. kr til ny kopimaskin, modell RME – eller Reguleringsmyndigheten for energi, som er det fulle navnet på maskinen. RME skal skilles ut fra Norges vassdrags- og energidirektorat i den ene hensikt å kopiere vedtak fra EUs energibyrå og ESA. Men trenger vi egentlig en ekstra reguleringsmyndighet når vi har NVE? Svaret på det er selvfølgelig nei. RME er utelukkende en byråkratisk konstruksjon opprettet for å tilpasse oss EUs energiunion – en politisk og juridisk konstruksjon som skal forhåndsregulere forhold om tilgang og tilknytning til nettet, etter pålegg fra EUs energiunion. Politisk betyr dette at styring av og tilsyn med nettselskapenes virksomhet og kraftstrømmene opphører nasjonalt. Man så å si kortslutter norsk kontroll over egen strømforsyning, uten verken en grundig utredning eller hensyn til Grunnlovens krav. Hvorfor er så RME et forsøk på å omgå Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse? Jo, fordi overvåkningsorganet ESA kun skal kopiere vedtak fra EUs energiunion og deretter pålegge RME å kopiere samme vedtak. Ifølge regjeringens logikk har vedtaket da blitt norsk. Det er omtrent som å sette norske skilter på en Peugeot og deretter kalle den et helnorsk produkt. Senterpartiet er et grunnlovskonservativt parti. Vi vil verne om Grunnlovens intensjon, og vi vil verne om norske interesser. Vi er for et aktivt samarbeid, og vi er for utveksling av fornybar kraft, men vi er ikke for å gi fra oss suverenitet over kraftressursene, slik tilfellet faktisk er i den blå-blå regjeringens opplegg, selv om man forsøker så godt man kan å bagatellisere det bort. Senterpartiet er svært kritisk til måten regjeringen nå vil legge makt over regulering av norsk energi i hendene på EU Vi vil derfor ta initiativ til å få opp en uavhengig, grundig utredning som drøfter tilknytningen til EUs energiunion opp mot Grunnloven, i nær framtid. Vi stiller oss også spørsmålet om Norge som energiprodusent og energikonsument har noe som helst å tjene på dette påfunnet. Så fikk vi det avklart: Venstre var ikke grønt, Venstre er

at et organisert og seriøst arbeidsliv er viktig for regjeringen. Samtidig sier regjeringen at de anerkjenner og vil støtte opp om et uorganisert arbeidsliv. På toppen av det hele har vi fått en statsråd som tidligere har uttalt at hun blir kvalm av LO. Privatiseringen av offentlige tjenester skal prioriteres. Denne regjeringen styrer mot et velferdssystem hvor den enkeltes lommebok og evne til å betale for velferdstjenester vil bli prioritert. Fellesskapsløsningene, som er bæreplanken i vårt samfunn, skal sakte men sikkert smuldres opp – det er det som er regjeringens langsiktige mål. Men så er det jo også en dypblå regjering vi har fått, så hva annet kunne man vente? Moss Dagblad hadde i går en artikkel om sysselsettingen i Østfold. Det er ikke noe SSB har oversikt over hvor stor andel av befolkningen som er i arbeid. Den går tilbake til 1996. I løpet av den tiden har andelen sysselsatte i Østfold aldri vært lavere enn i 2017. Andelen sysselsatte i Østfold er på litt over 60 pst. Dette er en gedigen utfordring for Østfold, men også for landet. NHO Østfold sier at «den lave andelen sysselsatte er den mest krevende utfordringen for arbeidsmarkedet». Det er utfordringen for arbeidsmarkedet». Det er avgjørende å få andelen sysselsatte opp, sier NHO i Østfold. De får min og Arbeiderpartiets fulle støtte. LO i Østfold melder selvsagt også sin bekymring i saken, og det gjør de med rette. Regjeringen bruker begreper som «modernisere og tilpasse arbeidsmiljøloven», «fleksibelt arbeidsmarked», «styrke arbeidslinjen» – mange honnørord. Så langt har disse ordene betydd angrep på og svekkelse av arbeidsmiljøloven, kutt i dagpenger, svekkelser i stønader til dem som allerede har lite, og store skattekutt til dem som har mest. Slik er politikken til regjeringen, men de skal møte et tydelig Arbeiderparti, som har andre og bedre løsninger. Det er bare å se på de forslagene som fremmes bl.a. her i dag.

har spesialisert seg på flerkulturelt barnevern. De møter barn som har stått i veldig krevende belastninger med tanke på vold, fare for vold og æresdrap, menneskehandel, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og krigs- og flukttraumer. I tillegg til å jobbe med et svært viktig og veldig spesialisert område i norsk barnevernstjeneste, er de en viktig privat bedrift i sine relativt små kommuner. De har 45 årsverk og 55 ansatte. Tidligere i dag, i replikkordvekslingen mellom Arbeiderpartiets Kari Henriksen og statsråd Hofstad Helleland, kom det svært tydelig frem at Arbeiderpartiet har stor skepsis til private leverandører. Men litt tidligere i debatten kunne vi høre partileder Støre nærmest lovprise private aktører, og han var helt tydelig på at Arbeiderpartiet selv var helt avhengig av private for å gjennomføre barnehageløftet. Det er bra for både i norske barnehager. Jeg er glad for at vår regjering er så tydelig på viktigheten av et godt samspill mellom offentlig og privat sektor, for denne dobbeltkommunikasjonen til Arbeiderpartiet kunne skapt stor utrygghet for de private som er villige til å satse, og som er villige til å investere – hvis ikke vi hadde hatt en stø kurs med vår regjering. For Høyre og regjeringen er mangfold ikke et ord uten innhold, men et varmt begrep i vår politikk. Vi har et stort ansvar for å skape mangfold i velferdstjenestene våre. Det er det som sikrer valgfrihet, og det er det som skaper tjenester som møter den enkeltes behov. Derfor er det utrolig viktig at vi har noen aktører, slik som denne barnevernsinstitusjonen på Sørlandet, som har så særegen kompetanse, som kan hjelpe barn som står i helt spesielle utfordringer, og som også blir et så stort kompetansefellesskap at det går an å jobbe med så krevende arbeidsoppgaver. Jeg mener at Cocoon viser oss hvor viktig det er å sikre at vi gir private og ideelle aktører mulighet til å levere barnevernstjenester for det offentlige. hvor viktig det er å sikre at vi gir private og ideelle aktører mulighet til å levere barnevernstjenester for det offentlige. Cocoon er en del av et større konsern. Det er de konsernene som SV snakker så nedsettende om. Men for denne lille barnevernsinstitusjonen var nettopp det å bli del av et større konsern viktig for kvalitetssikring og for å få tilgang til gode og overordnete strukturer og løsninger. For Høyre og regjeringen er det viktigst at barn og unge i barnevernet får hjelp og omsorg av høy kvalitet, ikke om de ansatte er

som er rustet til å møte morgendagens næringsliv, som er i kontinuerlig omstilling. Dette er tre eksempler som viser at vi har store oppgaver foran oss. Dagens parlamentariske flertall har jobbet godt sammen de siste 4,5 årene, og det har blitt gjort mye godt arbeid for denne sektoren som vi kan bygge videre på. Det er ikke sånn at vi må begynne på scratch, men vi må alltid strebe etter å bli bedre. Ett av de områdene som vi fortsatt har potensial for å bli bedre på, er kvalitet i undervisningen. Vi må gjøre det attraktivt å være en god underviser. Så må vi sørge for at næringslivet og arbeidslivet får kandidater og studenter med den kompetansen de trenger. Vi må samarbeide med næringslivet og med arbeidslivet for å gi dem de rette studieplassene, men også for å lage relevant praksis under utdanningen, for på den måten å gjøre studentene bedre i stand når de er ferdige. Regjeringen skal også legge fram en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Dagens plan har fungert veldig godt, den har blitt tatt godt imot i sektoren, den har blitt brukt aktivt både politisk og av sektoren, og det må være et mål at den reviderte planen oppfattes på samme måten – at den er konkret og relevant for det arbeidet som skjer. Til slutt: har løftet opp en sak som allerede har skapt stor debatt i sektoren. Vi skal gjennomføre en mulighetsstudie for å se på tilknytningsformene i UH-sektoren, for vi ønsker å ha mest mulig selvstendige institusjoner, og foretaksmodellen er brukt som et eksempel. Nå skal vi ikke konkludere på noe før vi har gjennomført den mulighetsstudien, men jeg gleder meg virkelig til den debatten både her i Stortinget og med sektoren.

overfor. Plattformen bærer preg av at tre høyrepartier har blitt enige om en samfunnsutvikling i retning av fortsatt store skattekutt, mer konkurranse og privatisering på flere velferdsområder og svekkede rettigheter for arbeidstakerne. Dette mener Arbeiderpartiet er feil retning, som vil gi et mer urettferdig Norge. Trøsten får være at disse tre partiene ikke har flertall. Det er fortsatt mulighet for denne salen å få flertall for en annen kurs. Litt av det å få flertall for en annen kurs. Litt av det vil vi se i kveld når vi skal votere. Plattformen inneholder heller ingen ny, stor næringspolitikksatsing. Statsministeren snakket i går varmt om satsingen i Nord-Norge, men det er det de private som står for. Det er lite målrettet satsing på havnæringen fra regjeringen, legger jeg merke til, og det er litt tidligere kritikk av Arbeiderpartiets kompromiss i Lofoten, Vesterålen og Senja kommer i et meget underlig perspektiv når vi nå ser at regjeringen på nytt får en utsettelse i fire år. Det er heller ingen forpliktelser i plattformen til å styrke kommuneøkonomien, slik at kommunepolitikerne kan prioritere barnehage, skole og eldreomsorg, som vi ønsker fra denne salen. Tvert imot. Mange kommuner må kutte i tjenestetilbudet innbyggerne, det må strammes inn, som nå, når det strammes inn i eiendomsskatten. Det legges opp til betydelig mer privatisering og konkurranse om velferdstjenestene, og plattformen legger opp til en videreføring av velferdsprofitt og sugerør inn i det offentlige. Jeg er skuffet over at regjeringen heller ikke snakker mer om den hjemmebaserte omsorgen, for de fleste av oss vil ha omsorg hjemme så lenge som mulig.

slik satsing. Vi står overfor en fortsatt utvikling mot en mer og mer sentralisert justissektor. At Venstre har kommet inn i regjering, ser ikke ut til å hjelpe saken særlig mye. Inntil nylig har Venstre f.eks. vært imot sentralisering i kriminalomsorgen, men gitt etter i forhandlingene. Et annet eksempel hvor de ga etter,

i regjeringsforhandlingene. Men det har egentlig vært planen til regjeringen hele tiden. Videre er jeg veldig spent på hvilket avtrykk den nye justisministeren kommer til å etterlate seg. Min spådom er at Fremskrittspartiet fortsatt kommer til å virke mest som et opposisjonsparti i regjering. Den nye statsråden Sylvi Listhaug kommer til å gå høyt på banen med kontroversielle utspill for å skape blest rundt seg selv, helt uten å ofre en tanke på helt grunnleggende verdier i den norske rettsstaten, som hun er satt til å representere på det øverste nivået, slik som vi har sett den siste uken. Som justispolitiker kan jeg godt takle at vi har en justisminister som selv velger å bruke splittende retorikk, som driver politikk på en måte som oppfordrer til kynisme og heksejakt i samfunnet. Da hviler det et ekstra ansvar på oss andre for å opptre med saklighet og anstendighet for å bevare de grunnleggende og unike verdiene som rettsstaten Norge er bygget på: menneskeverd, rettssikkerhet og et uavhengig straffesystem, som ikke er styrt av følelser og frykt, er noen av dem. Det jeg sliter mer med å akseptere, er at statsminister Erna Solberg og regjeringspartiet Venstre blir stående helt på sidelinjen og lar alt dette foregå uten å ta ansvar selv. De lar Fremskrittspartiet herje fullstendig uten å sette ned foten eller kommentere saker som kommer opp. Når justisministeren framover kommer til å gjøre stunt eller skåre billige retoriske poeng på bekostning av anstendigheten og integriteten, kan vi neppe vente oss at statsministeren vil ta i dem. Trine Skei Grande kommer kanskje til å si at det kanskje ikke er noe hun ville sagt, og statsministeren kommer kanskje til å strekke seg til å si at nå må vi fokusere på saken, dere – hvis vi da ikke kan få en statsminister som snur, som begynner å sette ned foten og ta ansvar for det hennes egne statsråder gjør mens de representerer regjeringen. Folkeparti har i dag fremmet forslag om å be regjeringen komme med tiltak for å nå de politiske målene om reduksjon i alkoholforbruket og ikke legge til rette for endringer som gir økt tilgang og økt forbruk. For å få bredest mulig støtte til forslaget og for å unngå misforståelser justerer vi forslaget til følgende: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om reduksjon i alkoholforbruket.» Poenget her er at vi trenger en politikk som gir redusert forbruk, ikke økt forbruk. Når Kristelig Folkeparti utfordrer regjeringen i alkoholpolitikken, er det bl.a. fordi vi ser i regjeringserklæringen at regjeringspartiene går i helt feil retning. Og jeg har lyst til å spørre representantene fra regjeringen som er til stede her akkurat nå: Hvorfor legger de opp til økt tilgjengelighet av alkohol, når vi vet at økt tilgjengelighet betyr økt forbruk og dermed økte skader for enkeltpersoner, for ungene deres og for familiene? Alkohollovens formålsparagraf sier at lovens formål er å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Hver for Hver for seg kan kanskje hvert enkelt forslag – om litt lengre åpningstider, litt mer liberal politikk – se tilforlatelig ut. Det er stort sett forslag som bare lemper litt, og litt til, slik at tilgjengeligheten bare øker «litt». Problemet er at summen av alle disse forslagene og småendringene gjør at en faktisk får et økt forbruk og økt tilgjengelighet. Problemet er at dette føyer seg inn i et mønster av en lang rekke tiltak som til sammen fører til at alkohol blir mer tilgjengelig. Poenget er at vi skal gå i riktig retning, ikke i feil retning, og regjeringens løsninger i erklæringen går i feil retning. Derfor kommer vi med dette forslaget. Kristelig Folkeparti vil ha en politikk som fører til mindre bruk og mindre skadevirkninger. Vi har et felles mål om å begrense og redusere forbruket av alkohol i Norge. For å nå disse politiske målene og en reduksjon i alkoholforbruket kan vi ikke legge til rette for endringer som gir økt tilgang til alkohol. Da vil vi ikke nå de målene vi selv har satt oss. Så vil jeg på vegne av Kristelig Folkeparti gi en stemmeforklaring. Vi kommer til å stemme for forslag nr. 1, 2, 3 og

i Jeløya-plattformen, og flere partier har faktisk gitt skryt til akkurat det punktet i plattformen. Og det står mer i plattformen som gir oss håp om å nå klimaavtalen – mindre arealbruk til transport og raskere gjennomføring av gode prosjekter. Samfunnsnytte er en klar forutsetning, står det i plattformen. Da må vi ha flere passasjerer over på bane og buss. Løsningene ligger i raskere, oftere og billigere kollektive løsninger. Byvekstavtalene – som i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger – muliggjør resultater, men da må disse byene ha en arealplanlegging som kan samordnes med utbygging av infrastruktur. I tillegg vil regjeringen nå fortsette å bidra til en effektiv løsning for kollektivtransport, gange og sykkel i byområder, og aller helst i flere byer og byområder enn i dag. Plattformen gir adgang til og har en målsetting om det. De lokale politiske miljøene er klare, innbyggerne er klare, transportørene er og da må det etableres byvekstavtaler og belønningsordninger for flere byer. For all vekst i persontrafikken i byene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Det er tøffe mål, og det er strenge krav, det er gulrot, og det er pisk, men det er framtidsrettet politikk,

Vi har ikke tenkt å la bioteknologien styre verken etikken eller moralen, og området er behørig beskrevet i regjeringsplattformen. Bioteknologien gir oss mange muligheter, som bedre og mer spesifikk diagnostikk og behandling av pasienter og bedre framstilling av legemidler. Verktøyene til å kurere svært mange sykdommer eller tilstander er tilgjengelige eller under utvikling, og bruken bremses i dag hovedsakelig av ressurstilgang eller etiske problemstillinger. Meningene er delte om hvor langt vi skal gå i å «fikse» mennesker, og problemstillingene er krevende. Til våren skal Stortinget evaluere bioteknologiloven. Her foreslås det å legge til rette for at den medisinsk-teknologiske utviklingen skal komme pasienter til gode når det gjelder genetiske undersøkelser. den medisinsk-teknologiske utviklingen skal komme pasienter til gode når det gjelder genetiske undersøkelser. De siste årene er det utviklet en ny metode, CRISPR-metoden, som på sikt antas å kunne gjøre det mulig å utføre målrettede endringer i genene til mennesker. Der sykdommen skyldes kjente genmutasjoner, vil genterapi kunne fikse det genet som gir sykdom. Det er foreslått at genterapi kun skal være tillatt brukt til å behandle eller og det skal fortsatt være forbudt å skape genetiske endringer som går i arv til kommende generasjoner. I regjeringsplattformen sies det bl.a. at vi skal legge til rette for at den medisinsk-teknologiske utviklingen og tilgangen på bedre analyseverktøy kan komme pasienter til gode, innenfor en rimelig ressursbruk, samtidig som den enkeltes rettigheter, personvern og helse ivaretas. Vi skal også tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling gjennom å legge til rette for utvikling av persontilpasset medisin. Dette er noen av mulighetene bioteknologien gir oss, og vi må forvalte den nye kunnskapen og de nye mulighetene med klokskap. Men det nytter ikke å lukke øyne og ører og late som om mulighetene ikke finnes. At vi sier blindt nei til utvikling her i landet, vil ikke hindre at verktøyene blir tatt i bruk i andre land, og at den norske befolkningen vil benytte seg av det der. Vi må derfor ta et klart standpunkt om hva vi vil tillate og ikke, basert på gode, faktabaserte diskusjoner, som også ivaretar etiske problemstillinger.

Dersom vi i tillegg klarer å vere grøne, smarte og nyskapande, er miljøet redda og framtida sikra. For det andre: Dei deltakande partia skal vere mest mot alt som er vondt og fælt i verda, det vere seg terroristar, kriminelle, tyrannar eller pedofile. Når det er hensiktsmessig av må gode verdiar som allmenndanning, respekt, fellesskap og tilgjeving vike. Kritiske spørsmål vert svart på med det obligatoriske: Jeg ville ikke ordlagt meg slik. Ord er mektige våpen. Dei bør ikkje misbrukast av dei fremste tillitspersonane i samfunnet vårt. På dette punktet utøver statsminister Solberg dårleg leiarskap. For det tredje: Dei deltakande partia gjev sine reformer namn som gjer at Orwells sine førestillingar om politisk nytale i boka 1984 framstår som heller amatørmessige. Bruken av omgrepet «nærpolitireforma» om den sterkaste sentraliseringa av politiet i nyare tid er eit døme på dette. For det fjerde: Dei deltakande partia møter kritikk og kritiske spørsmål med bruk av det eg vil kalle humørargumentet. Dei som stiller kritiske spørsmål til regjeringa sine politiske løysingar eller peikar på uløyste oppgåver i samfunnet, skal stemplast som negative, pessimistiske og sutrete, og dermed er debatten avslutta. Bak dette marknadsføringsprosjektet

Over tid vil dette undergrave også tilliten i samfunnet. Det er difor eit lyspunkt i denne debatten at statsminister Solberg sitt regjeringsprosjekt framstår som meir og meir sprikande og vaklevorent. Kommunereformen er
til tross for dystre spådommer fra enkelte en suksess. Viljen og evnen til å omstille seg ute i kommunene står det stor respekt av, og jeg håper at enda flere kommuner følger etter for å bli større og bedre. Jeg vil oppfordre kommunene i mitt hjemfylke, Vest-Agder, å følge i å følge i fotsporene til Audnedal kommune, som er den eneste kommunen i fylket sammen med Lyngdal som har gjort et vedtak om frivillig sammenslåing. Kommunereformen fortsetter, og det skal vi lokalpolitikere ta ansvar for, men det er også viktig at regjering og storting sørger for at sammenslåing lønner seg. Jeg vil følge opp at kommuner som Audnedal kommer godt ut av Ingen kommuner skal tape på omstillingen. Det må lønne seg økonomisk. Kommunereformen beviser langt på vei at lokalbefolkning og kommunepolitikere tar ansvar for at utviklingen i Norge går i riktig retning, men dessverre ser vi at Arbeiderpartiet tar populistiske standpunkt og prøver å distansere seg i en sak der vi for litt siden var veldig enige. Kommunereformen begynner nå å ta form, og med mer enn 90 frivillige sammenslåinger vil kommunekartet se annerledes ut i 2020. Det er takket være kommunene selv, der ordførere og innbyggere har tatt utfordringene med kommunestrukturen på alvor. Det er kanskje få som vet at det er ca. 70 Arbeiderparti-styrte kommuner som har Det viser at også på grasroten til Arbeiderpartiet er det et ønske om bedre og større kommuner. Men en kan fort få inntrykk av noe annet dersom man hører på partiledelsen i Arbeiderpartiet. Jeg vil gjerne si en ting til Arbeiderpartiet, og det er: Det er ikke for sent å snu. Arbeiderpartiet kan vise seg som det ansvarlige partiet det en gang var, og innrømme at reformen har vært og er nødvendig. nødvendig. Dette sier jeg ikke for at Gahr Støre skal miste troverdigheten, men for at alle ordførere der ute skal få den støtten de trenger i det arbeidet som gjenstår med å skape mer robuste kommuner. Mye har forandret seg den siste tiden med kommunesammenslåingen siden 1960-tallet, bl.a. befolkningsmønster, kommunikasjonsmuligheter, næringsstruktur og velferdsbehovet. Men kommunereformen må gjennomføres for å møte endrede forutsetningene for å skape sterke kommuner, og vi må møte nåtidens og framtidens nye kommuner. Den nye regjeringsplattformen slår fast at kommunereformen skal videreføres, og det gjennom positive virkemidler og gode og lokale prosesser. Kommunesammenslåing skal lønne seg økonomisk, og ordførere er avhengig av å få støtte fra sentralt hold om vi skal komme i mål.

mål. Denne erklæringen tyder på at regjeringen ikke høyner sine ambisjoner for Forsvaret om å øke forsvarsbudsjettet til 2 pst. av BNP. Tvert imot har erklæringen en svakere formulering enn det både Høyre og Fremskrittspartiet har vedtatt i sine partiprogram. Regjeringserklæringen sier ganske at man kun skal gå «i retning av» 2-prosentmålet. Den svake formuleringen har vakt oppsikt og skuffelse i forsvarskretser. Forsvarsministeren har tidligere selv måttet innrømme på spørsmål fra Senterpartiet at regjeringens langtidsplan ikke vil oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO om å bruke 2 pst. av BNP på forsvar innen 2024.

Helikopter er en forutsetning for at Kystvakten skal kunne løse oppdragene i nordområdene. Dette vil ha store konsekvenser for sikkerheten til fiskeflåten og de kontrolloppgavene Kystvakten skal løse. Nok en gang nedprioriterer regjeringen forsvaret i nord. En annen viktig sak for Senterpartiet er bevaring av Andøya Vi sendte senest i forrige uke inn spørsmål om hvor det blir av konseptvalgutredningen, som skulle vært lagt fram for flere måneder siden. Det ser ut til at man selger inn KVU-en som en liten seier til Venstre. Vi vet ikke hva den kommer til å konkludere med, men alt vi har erfart så langt, er at regjeringen går svært langt i å tildekke mulige kostnader ved Evenes. Nå er Senterpartiets representantforslag om konsekvensutredning av nedleggelse av Andøya flystasjon til behandling i komiteen. Stadig flere setter store spørsmålstegn ved regjeringens påståtte besparelser ved å legge ned Andøya flystasjon, og like mange bekymrer seg for Norges forsvarsevne og kapasitet til å ta imot allierte forsterkninger. Senterpartiet mener nedleggelsen av Andøya flystasjon er et historisk feilgrep, og vi vil gjøre alt vi kan for å stanse det. Jeg kan forsikre om at denne debatten ikke er over. Senterpartiet kommer til å fortsette å løfte forsvarssaker opp i Stortinget, og det gjelder særlig satsingen på forsvaret i nord. Om man mener nordområdene er viktig med tanke på beredskap og forsvarspolitikk, må man satse og ikke legge ned, sånn som denne regjeringen har gjort på flere områder.

Det betyr at vi må fortsette arbeidet med å omstille norsk økonomi og støtte opp om et inkluderende og trygt samfunn med små forskjeller. En viktig grunnstein i så måte er et inkluderende arbeidsliv. Vi kan ikke bare skape flere jobber, men vi må også tilrettelegge slik at flere er i jobb. Norsk arbeidsliv må ha rom for innvandrere, ungdom, dem med hull i cv-en og dem med nedsatt funksjonsevne. Å være i jobb er viktig for å være selvstendig og skape sin egen framtid. Og regjeringens visjon er nettopp et samfunn med muligheter for alle. Framover vil vi trenge kompetansen og arbeidskraften hver enkelt av oss besitter. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å tilrettelegge for økt deltakelse i arbeidslivet og varsler både nye tiltak og styrking av eksisterende tiltak i regjeringserklæringen. For å ta noen eksempler: Vi har økt innsatsen mot langtidsledighet og ungdomsledighet. Fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en. Tilbudet om varig tilrettelagt arbeid skal styrkes. Det skal være større tilgang til hjelpemidler som gjør det lettere å delta i arbeid og utdanning. Effektive ordninger som lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter skal videreføres og styrkes. styrkes. Det skal være et godt samarbeid mellom sosiale entreprenører, frivillige og andre aktører som kan bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet. Målet må være et trygt og fleksibelt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Myndighetene og partene i arbeidslivet må spille på lag, og vi må få til et godt samarbeid mellom arbeidsgivere, Nav, bemanningsbransjen, attføringsbedrifter og andre aktører for å få flere i arbeid. Det gir bedre livskvalitet for den enkelte, og det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt. Jeg håper vi framover kan ha en god og konstruktiv debatt om hvordan vi kan inkludere enda flere i arbeidslivet. Det fortjener alle de som i dag står utenfor arbeidslivet, og det fortjener også de generasjonene som kommer etter oss. Vi har fått en utvidet blå regjering, med tre partier som ideologisk er

Sammen med denne ideologiske basisen er regjeringserklæringen smykket med en rekke hyggelige formuleringer, uten at den blå regjeringa har en konkret fortelling om hva en vil med Norge. Regjeringa sier ikke at den legger til rette for å sentralisere bosetting og arbeidsplasser – det blir bare sånn. Regjeringa sier ikke at fornybare naturressurser, som f.eks. vannkraft og tømmer, skal eksporteres som råstoff – det blir bare sånn. Når EU får myndighet over norsk regelverk, og blind næringsnøytralitet gir for dårlig lønnsomhet til å lage lange verdikjeder for norsk gran, er det det motsatte av grønt skifte. Folk i primærnæringene har forstått dette for lenge siden og får derfor større og større mistillit til abstrakte ord som «grønt skifte». Regjeringa gir inntrykk av at den offentlige administrasjonen som trengs for å lede folk, altså fagfolk som gjør jobben, skal reduseres. Resultatet blir bare motsatt i politiet, i kommunene og i Nav sentralisering av offentlig virksomhet gir byråkratisering. Folk ser det. Når regjeringa fortsatt satser på New Public Management, med mål- og resultatstyring og rapportering som knapt leses, blir det kostbart for det offentlige. Isteden trengs tillitsbasert ledelse, der resultatet av jobben er poenget, og der derfor folk i førstelinja – lærere, sjukepleiere og politi, ja, alle fagfolk – gis mer ansvar og myndighet fordi ledelsen har skapt en felles virkelighetsforståelse av oppdraget hos alle i flokken.

Det som er sentralt med arbeidslivet, er at faste ansettelser gir trygghet – trygghet for inntekt og dermed grunnlag for et trygt familieliv. Fast inntekt gir grunnlag for å stifte familie og for egen bolig. Dette er verdikonservative standpunkt. Det krever i dag en nyskapende, radikal politikk i forhold til regjeringas linje, og Senterpartiet skal bidra. Det som er sentralt, er at hele Senterpartiets politikk, som historisk har stått i sterk motsetning til økonomisk liberalisme, har basert seg på at folkevalgte skal og kan korrigere markedskreftene ved flertallsvedtak i Stortinget. Det er derfor en hovedoppgave i denne stortingsperioden å medvirke til en sånn økonomisk politikk. Kristelig Folkepartis Nils Lavik fra Eksingedalen sto også for denne økonomiske politikken.

er det også slik at verden rundt oss har blitt mer uforutsigbar, og endringene som skjer ute, påvirker oss her hjemme. Utenrikspolitikken er blitt nasjonal, regional og lokalpolitikk. På mange måter, på veldig mange indikatorer, er også verden blitt et bedre sted. Allikevel er det fortsatt utfordringer, som regjeringen vil komme løsninger på. Krisene som kom i 2014 og videre utover i 2015, har også skjerpet vår oppmerksomhet om å verne om og styrke det som er av sentrale institusjoner, som FN, NATO og også en revitalisering av det europeiske samarbeidet. Vi er godt i gang med å styrke Forsvaret og begynner Jeg merket meg at det var et område og et tema som lederen av Arbeiderpartiet ikke var innom i sin tale i dag. Det er viktig for Høyre og regjeringen at vi evner å sette en dagsorden internasjonalt innenfor områder som er viktige for vårt land, og at vi arbeider for fred, demokrati og utvikling. Det hører også med at det er viktig for Norge at vi klarer å arbeide og innpasse oss på en sånn måte at vi også får en plass i Sikkerhetsrådet i perioden 2021–2022. Vi har ikke meldt oss inn i EU, men vi har aldri meldt oss ut av Europa, og Europa er vårt viktigste økonomiske, politiske og verdimessige fellesskap. Norge og EU-landene har mange felles utfordringer, og derfor må også Norge være en del av

Arbeiderpartiet vet og erkjenner at et godt arbeidsliv for mannen og dama i gaten er essensielt for tryggheten i hverdagen – et godt arbeidsliv, uavhengig av om man er mann eller kvinne, med eller uten fagbrev, ung eller eldre. Da må regjeringen som utøvende myndighet ta ansvar for at det fremste kjennetegnet ved det norske arbeidslivet fortsatt er det organiserte arbeidslivet, fordi det skaper mer trygghet og forutsigbarhet. Det holder nemlig ikke kun å «øke kompetansen om seriøst arbeidsliv hos offentlige innkjøpere i stat og kommune», som det står i Jeløya-plattformen. Det må settes krav. I Rogaland fylkeskommune har det blitt tatt et ansvar for at arbeid som utføres med RogFk, fylkeskommunen, som oppdragsgiver, har strenge krav til fagarbeidere og antall lærlinger – en videreføring av Telemarksmodellen. Kravene kom med et nytt flertall i fylket og skapte politikken som nå blir kalt Rogalandsmodellen. Håpet er at Rogalandsmodellen på sikt kanskje kan gi inspirasjon til en ny norsk modell med større krav i offentlige innkjøp. Arbeiderpartiet etterlyser regjeringens ansvarstaking og handling for et organisert arbeidsliv, kamp for å trygge arbeidsforhold og kompetente arbeidstakere, handling for personer som nå opplever opplever ikke å få brukt sin fagkompetanse i yrkeslivet, handling for at det skal være attraktivt for unge å velge yrkesfag og å ta fagbrev. Vi trenger at yrkesfag er ettertraktet. Vi unge søker ofte stabilitet i yrkesvalg, og da trenger vi at arbeidslivet som fagarbeider er et godt arbeidsliv. Med et større krafttak for et seriøst og organisert arbeidsliv

regjeringen er så opptatt av i sin erklæring. Med et seriøst og organisert arbeidsliv bygges et rettferdig samfunn med muligheter til alle. Det var interessant å følge de parlamentariske lederne, som innledet debatten i dag. Et av de mer oppsiktsvekkende utsagnene, i hvert fall sett med Buskerud-øyne, sto Venstres Terje Breivik for da han sa: Det er lett for Venstre å starte det blå-grønne samarbeidet med glød og entusiasme. For under et halvt år siden drev vi valgkamp, og både advarte da velgerne om at en stemme til Venstre var en stemme til Fremskrittspartiet i regjering. 30. august gikk Venstres toppkandidat i Buskerud ut mot det hun kalte en ussel svertekampanje fra Arbeiderpartiet og LO. «Svertekampanjen» hun reagerte mot, var at Venstre ville støtte en regjering med Fremskrittspartiet – det var helt uaktuelt. Men det viste seg ganske raskt at Venstre faktisk ville mer enn det, og det hadde ikke engang vi kunnet forestille oss før valget. Nå er Venstres førstekandidat i Buskerud statssekretær i en regjering sammen med Fremskrittspartiet, og de starter altså samarbeidet med glød og entusiasme. Det var ikke fullt så mye glød og entusiasme å spore på Blå Kors i Drammen da det tidligere denne måneden ble klart at Borgestadklinikken tapte anbudet fra Helse Sør-Øst om tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det betyr at Bragernesklinikken i Drammen – eller Blå Kors, som den går under på folkemunne – legges ned. Dermed forsvinner et unikt tilbud til mennesker med alkohol- og medikamentavhengighet som har vært bygget opp gjennom 40 år. 15 døgnbaserte behandlingsplasser blir borte, det samme gjør poliklinikken og tilbudet om oppfølging til pårørende. Ti avrusingsplasser blir borte, tilbudet til spilleavhengige blir borte, 54 ansatte mister jobben. Det er resultatet av høyrepolitikk, den som Venstre nå applauderer. Når de negative resultatene viser seg, burde man i det minste hatt politisk ryggrad nok til å vedkjenne seg det politiske ansvaret, men nei. I tur og orden står lokale Høyre- og Fremskrittsparti-representanter fram med bekymret mine og later som om de er helt uten ansvar for at Blå Kors i Drammen blir lagt ned. Da Stortinget i forrige periode behandlet Høyre–Fremskrittsparti-regjeringas forslag til lov om offentlige anskaffelser, fremmet Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti følgende forslag: skal gi oppdragsgivere adgang til på nærmere angitte vilkår å reservere kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner.» Vi ble nedstemt av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Så det er ikke sant, som Trond Helleland sa her før i dag, at Arbeiderpartiet er redd for private. Vi er for ideelle og frivillige, bl.a. på rusområdet. Høyres representanter har i dagens debatt gjentatt og gjentatt de samme flosklene: modernisere, forenkle, forbedre, forandre for å bevare velferden. Flosklene står seg ikke i møte med virkeligheten. Det har dessverre rusmisbrukerne ved Blå Kors i Drammen smertelig fått erfare. Presidenten vil påpeke at «flosklene» er påtalt før som et upassende parlamentarisk uttrykk.

I Ski kommune, hvor jeg var ordfører fram til valget, har vi i over ti år hatt seniorkontakt som tilbyr hjemmebesøk, og vi støtter regjeringens mål om at flere kommuner skal tilby hjemmebesøk til eldre. Vi er også glad for at regjeringspartiene gjennom plattformen varsler støtte til kjærlighetsgarantien som Arbeiderpartiet gikk til valg på. Men det er også en del punkter som både forundrer meg og bekymrer meg. Noen ting henger rett og slett ikke på På den ene siden vil regjeringen bidra til at kommunene i større grad legger til rette for fritt brukervalg innen både hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Regjeringen vil altså gå i gang med en todeling av eldreomsorgen. Det er i utakt med hva folk ønsker seg. På den andre siden vil regjeringen utvide forsøket med statlig finansiering av og statliggjøring – kommunene, som er våre fremste leverandører av velferdstjenester, blir nærmest umyndiggjort av denne regjeringen. Selv om vi i Arbeiderpartiet aller helst skulle inntatt regjeringskontorene selv, finner vi stor glede i at vi har hånda på rattet i både helse- og eldrepolitikken. I Arbeiderpartiet er det viktig at kommunene er sentrale premissleverandører for tjenestene de har ansvar for. Det er viktig at Stortinget og kommunesektoren spiller på lag. Derfor er vi glad for to viktige seire i helsekomiteen i går, i tråd med behovene kommunene og KS har tatt til orde for. Det ene er at vi avlyser regjeringens kutt til oppgradering av sykehjemsplasser, og det andre er at vi øker tilskuddet til dagaktivitetstilbud for mennesker med demens fra 30 til 50 pst. Det er morgendagens omsorg vi skal bygge. Derfor må vi ha fokus på hele omsorgstrappa, ikke bare det øverste trinnet. Det er også bakgrunnen for forslaget vi har fremmet sammen med Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV i dag. Vi må tenke nytt når vi skal legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Botilbudene på de lavere trinnene i omsorgstrappa må bygges ut, i form av eksempelvis eldretun og tilpassede boliger med tilgang til fellesarealer og kommunale tjenester, uten at det Byggingen kan gjerne skje i tilknytning til større byggeprosjekter. Målrettet bruk av statlige tilskuddsordninger kan bidra til en raskere utbygging av slike boliger. Vi er glad for at vi får flertall i den saken også, og ønsker mindretallsregjeringen lykke til videre på reisen.

demensplanen faktisk gjelder mennesker med funksjonsnedsettelser i alle aldre, uansett demens eller ikke. I 2009 laget Helsetilsynet en veileder for utforming av barneboliger og avlastningsboliger for barn. Men når kommunene bygger barneboliger, skjer det etter føringene fra Demensplan 2020, finansiert gjennom Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, ikke etter føringene for utforming av barneboliger og avlastningsboliger for barn. Føringene fra Demensplan 2020 bygger på dementes svekkede bygger på det å sikre en hjemlig og trygg oppvekst i et barnevennlig miljø. Mange av de funksjonshemmedes organisasjoner er skuffet over at det føres en omsorgspolitikk som i for stor grad er preget av eldreomsorg. Det er stor forskjell på behovene til barn, unge, voksne og eldre, selv om mennesker i alle aldre kan ha behov for bistand. Det er neppe bare SV som vet at lek er viktigere for barn enn for eldre. Norsk Forbund for Utviklingshemmede hevder at det er diskriminerende og uverdig alltid å bli plassert sammen med eldre og demente, og det er lett å ha forståelse for slike betraktninger. Det blir ikke bedre når eldrefokuset forsterkes med en eldreminister som til og med skal ha ansvaret for omsorgstjenester for barn. Om få dager skal Stortinget ta stilling til et forslag fra Kristelig Folkeparti og SV om å forhindre at barn skal måtte bo på sykehjem. Forhåpentligvis får forslaget flertall. Men det er et dårlig tegn at barn og unge med bistandsbehov skal underlegges føringene for eldreomsorg. SV mener at det eneste riktige er å basere omsorgstjenestene til barn på barnekonvensjonen og konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Kan vi være trygge på at eldreministeren, tross tittelen, vil være en minister som har omsorg for alle, uansett alder?

Den største sikkerhetspolitiske diskusjonen i Sverige for tiden handler ikke om hvorvidt svenskene skal bli medlem av NATO, den handler om hvorvidt det er greit å la kineserne få bygge havn i Uddevalla. I Norge kommer saker om kritisk infrastruktur ikke opp på den sikkerhetspolitiske dagsordenen og heller ikke

og outsource stadig mer av bygging og drift av infrastruktur som er viktig for landet, det være seg fysisk infrastruktur, som veibygging og jernbane, eller digital infrastruktur som er avgjørende for drift av samfunnet. Stadig mer av samfunnsdriften vil i framtiden være digital. digital. Da må vi også ha planer og tiltak for å beskytte oss mot innsyn og inngripen. Cybersikkerhet må settes i forsetet. Når det gjelder den fysiske infrastrukturen, er det et tankekors at vi lager anbudene så store at ingen norske entreprenører har mulighet til å legge inn tilbud. Anbud blir da vunnet av store spanske, italienske eller portugisiske firma som vi gjør oss avhengig av. Men hvor blir vi ikke da? Det kan ikke være slik at vi i vår iver etter å flagge ut, outsource og selge legger landet åpent og gjør det mer sårbart.

Senest i dag mottok kunnskapsministeren en rapport om framtidens kompetansebehov som viser at 20 pst. av bedriftene sier de har betydelige rekrutteringsproblemer. Bare på Bygg- og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon har det blitt 2 500 færre elever siden høsten 2013. I regjeringserklæringen har de tre høyrepartiene ikke funnet rom for nye tiltak som kan gi yrkesfagene og Flertallet av yrkesfagtiltakene i erklæringen ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg II. Skal vi snu utviklingen og sørge for at vi utdanner de fagarbeiderne framtiden og landet trenger, trengs det en kraftfull og helhetlig satsing på yrkesfagene, fra grunnskolen til arbeidslivspolitikken. Det holder ikke å skrive i regjeringserklæringen at man skal heve yrkesfagenes status, når regjeringen ikke gjør nok for å sikre et godt og seriøst arbeidsliv, der fagarbeidere kan forvente faste, hele stillinger og ordnede arbeidsforhold. Det holder ikke å håpe at flere velger yrkesfag, når grunnskolen kun forbereder ungdommene på studiespesialiserende. Det er 5 000 ungdommer som venter i kø i dag for å få fullført utdanningen sin fordi det ikke er nok læreplasser. Arbeiderpartiet vil at staten skal sikre alle ungdommer læreplass gjennom et forpliktende samarbeid med arbeidslivet om læreplasser og dimensjonering. Vi vil bevilge en yrkesfagmilliard i løpet av perioden til å innføre praksistilskudd, styrke lærlingtilskuddet, oppdatere utstyr og bedre kvaliteten i Skal vi kreve større forpliktelser av arbeidslivet og fylkene, må også regjeringen gi tydelige og ambisiøse løfter om statens innsats og investeringer. Det er det dessverre ingen tegn til i erklæringen. Arbeiderpartiet vil ha en opptrappingsplan for utstyr i yrkesfagopplæringen, og vi foreslo å bevilge 100 mill. kr i statsbudsjettet for 2018. Vi håper regjeringspartiene stemmer for det neste gang.

Arbeiderpartiet vil ha en kompetansereform for flere i arbeid, for flere som forblir i arbeid og for bedre resultater i arbeidslivet. Vi vil sikre at arbeidstakere opparbeider seg rett til etter- og videreutdanning, og vi vil bidra til finansieringen av dette. For Arbeiderpartiet er livslang læring en sentral del av den norske modellen, slik at det ikke bare er arbeidstakerne som bærer ansvaret, men også arbeidsgiverne og staten i fellesskap.

I vidare utvikling er vi heilt avhengige av at kommunar og sjukehus jobbar saman med næringslivet for å fornye eldreomsorga og skape helse- og omsorgstenestene for framtida. Næringslivet er ein del av løysinga. Arbeidarpartiet tydde sjølv til private og fekk hjelp til å gjennomføre det vender dei ryggen til privat næringsliv i eit retorisk spel for å få den utvida regjeringa til å framstå i eit dårleg lys. Arbeidarpartiet legg opp til at det å satse på samspel mellom offentleg og privat sektor er skummelt. Kvar ser dei for seg at grensene skal gå, mellom tenester og oppgåver, mellom private og Eller skal all deltaking frå private bli sett på som ikkje ønskt? Helsenæring vil kunne gje dobbel gevinst. Næring bidreg til velferd og helse og skapar verdiar og nye arbeidsplassar. For å innfri forventningane må vi godta at bak gründarskap og innovasjon står enkeltpersonar – private som er ein ressurs inn i samarbeidet mellom det offentlege og det private. Med denne erklæringa tek Høgre, Framstegspartiet og Venstre ansvar og sikrar eit godt grunnlag for vidare utvikling gjennom å samle seg om eit felles prosjekt. Det ville vore fint om vi òg kunne fått ei konstruktiv tilnærming frå opposisjonen, for nettopp å sikre eit berekraftig velferdssamfunn.

Samspel mellom næringsliv, akademia, innovasjons- og forskingsmiljø skal styrkjast. Her ligg potensial for vekst. Katapult-ordninga skal halda fram, ein skal satsa på flytande havvind og bidra til innovasjon gjennom auka næringsretta forsking på tvers av havnæringane. Regjeringa vil vidareutvikla program for grøn skipsfart til å omfatta nullutslepps- og hybridkonsept for ulike fartøyskategoriar og vil halde fram med å stilla krav til utsleppsfrie eller fornybare løysingar i offentlege ferjeanbod, der det ligg til rette for det. At Noreg allereie har markert seg på teknologiområdet, er det mange døme på no sist då NCE Maritime CleanTech vart tildelt 110 mill. kr i EU-midlar for å få fram ein elektrisk hurtigbåt i Rogaland. Dette er eit tydeleg prov på at politikken verkar. Det er eit prov på at dei verkemidla som det vert lagt til rette for, treff godt. Og næringslivet leverer. Det er som det her frå talarstolen vert hevda – men på grunn av regjeringa sin politikk at det vert skapt arbeidsplasser m.a. i denne næringa. Likevel vert me av opposisjonen skulda for å vera lite ambisiøse, distriktsfiendtlege og lite konkrete. Jeløya-plattforma legg til grunn at me skal gjera meir av det gode arbeidet me har starta, gjera meir av det me ser verkar – eit arbeid som er bra for miljø, for klima, for arbeidsplassar, for teknologiutvikling, for kompetansebygging og for Distrikts-Noreg. Regjeringa har sytt for eit godt styringsdokument for dei neste åra, og me gleder oss til å ta fatt på arbeidet i lag med eit drivande godt og innovativt næringsliv. Anklagene om at Høyres politikk bidrar til en brutalisering av arbeidslivet er

inkludert en fire år lang tid som lærling ved et fiskeoppdrettsanlegg i Austevoll utenfor Bergen. Tro meg, når jeg sier dette: Jeg hadde aldri blitt med i et parti som aktivt gikk inn for å brutalisere det norske arbeidslivet. Faktum er at i Norge har man, gjennom et langvarig og godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder, hvor hele ni av ti nordmenn trives på jobb. Men dette betyr ikke at arbeidsmarkedet er perfekt. Arbeidslivskriminalitet er – og har vært – et økende og alvorlig problem gjennom mange år. Kriminaliteten er også blitt mer omfattende, grovere og mer internasjonal. Derfor utviklet regjeringen, i samarbeid med partene i arbeidslivet, en strategi mot arbeidslivskriminalitet i forrige stortingsperiode. Regjeringen opprettet også flere arbeidslivskriminalitetssentre, hvor alle relevante etater jobber sammen for å avdekke arbeidslivskriminalitet med tverrfaglig ekspertise og hyppige felles kontroller. Den nye regjeringen kommer til å fortsette dette arbeidet, bl.a. ved å gjennomgå øke kompetansen hos offentlige innkjøpere i stat og kommune og bidra til forebygging og holdningsendring i den norske befolkningen. Høyre håper på et tverrpolitisk samarbeid om å bekjempe arbeidslivskriminalitet i inneværende stortingsperiode. Samtidig er det norske arbeidsmarkedet i stadig forandring. Teknologiske endringer, økt global konkurranse og omstilling av næringslivet vil i økende grad sette den norske arbeidslivsmodellen under press. Det krever at man må fortsette å modernisere og tilpasse arbeidsmiljøloven til det moderne arbeidslivet som man faktisk har. Men la det ikke være noe tvil: Høyre ønsker et arbeidsliv der fast ansettelse er hovedregelen, og hvor trepartssamarbeidet er helt avgjørende for å lykkes i arbeidet med omstillingen av næringslivet og
å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor er

en enerettsmodell hvor overskuddet av omsetningen kommer kulturen, frivilligheten og idretten til gode. Til og med den blå-blå regjeringens eget strategiutvalg slo fast som sin fremste anbefaling at vi må hegne om enerettsmodellen framfor å åpne for flere lisenser. Av de tre partiene som har funnet sammen nå, er to av dem for en lisensordning framfor Og med statsråd Skei Grandes uttalelser i VG i forgårs kan man merke seg at hun ikke har rukket å sette seg inn i hvilke konsekvenser en slik liberalisering vil kunne medføre. I 2017 er det fordelt over 4 mrd. kr fra spilloverskuddet til en rekke gode formål, ikke bare til nye fotballbaner eller friluftslivstiltak, men også f.eks. til ny belysning i Nidarosdomen. I tillegg har aktørene som opererer innenfor det norske spillmonopolet, tatt i bruk en god del verktøy som forhindrer spillavhengighet, som f.eks. en maksgrense for tap. De kommersielle gamblingselskapene har verken lov til å tilby eller markedsføre spillene sine her i Norge. Likevel anvender disse selskapene en aggressiv, segmentert markedsføring gjennom en rekke kanaler rettet mot ulike grupper. Jeg har selv blitt oppringt av bettingselskaper med forlokkende tilbud, uten at jeg noen gang har brukt en krone på disse selskapene. så betyr en liberalisering av spillpolitikken i klartekst at man vil øke antall lisenser og utvide omsetningsgrenser. Det truer enerettsmodellen. Dette sier Arbeiderpartiet klart og tydelig nei til. I forrige uke fremmet representanten Trettebergstuen, på vegne av Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, et Dokument 8-forslag med til sammen åtte punkter som vil begrense kanaliseringen av penger til de utenlandske spill- og bettingselskapene som opererer ulovlig i Norge. frivilligheten så registrerer jeg at kulturministeren ikke er en tilhenger av våre forslag. Kampen mot utenlandske spillselskaper som vil legge igjen en brøkdel til kulturen, frivilligheten og idretten og stikke av med resten i form av profitt, er en kamp vi I 2015 signerte 16 organisasjoner, som til sammen har flere millioner nordmenn som medlemmer, et opprop som tar til orde for å bevare enerettsmodellen, og det ber jeg statsråden merke seg når hun nå blir varm i trøya.

næringsutvikling, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap. Til tross for dette kritiserte Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre regjeringens nordområdepolitikk i sitt innlegg – begrepet han selv hevder han oppfant, men som han mener en Høyre-styrt regjering ikke evner å følge opp. Denne regjeringens nordområdepolitikk ser utenrikspolitikken og innenrikspolitikken i sammenheng og har på den måten fylt nordområdepolitikken med innhold, sånn at politikken er relevant for landsdelen. Problemstillingene kjenner regjeringen seg igjen i, og den løser utfordringer som er nødvendige for næringsutvikling. Vi skal legge til rette for at økt verdiskaping og innovasjonsevne i nordnorsk næringsliv baserer og vi skal styrke leverandørutviklingsprogrammet for å sikre ringvirkninger som skaper nye næringer og kompetansearbeidsplasser. Dette skal legges til grunn når regjeringen skal legge fram en ny stortingsmelding om nordområdepolitikk. Også kunnskapspolitikken til denne regjeringen, som skal sikre at alle elever som går ut av den norske skolen, har grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, er med på å løse Ved å etter- og videreutdanne lærere og styrke lærerutdanningen til en femårig master løser vi landsdelens store skolefaglige utfordringer. Elevene har lavere fullføringsgrad og dobbelt så stor andel av lærertimer med ufaglærte. Jeg kan gi dere et eksempel på et sårbart samfunn i Nord-Norge. Der fire av ti fire av ti lærere ikke har kompetanse til å undervise i matematikk, går klasser ut av skolen med karakteren 2 eller lavere. 40 pst. av elevene som gikk ut av Sandfallet skole, hadde ikke 2 eller høyere i karakter. Dette skal vi forbedre med en mer framtidsrettet politikk som setter lærerne på dagsordenen. Fordi vi er i nord og forholdene er så små, blir konsekvensene av manglende kompetanse i skolen høy. Flere må i dag kvalifiseres i arbeidslivet dersom man skal oppfylle næringslivets behov for kompetanse. Det er dette som er nordområdeutvikling i praksis.

Vi må ha en politikk som gjør at folk ikke går ut på dato, nettopp fordi vi går et arbeidsliv i møte hvor funksjoner vil bli automatisert og robotisert. Den utviklingen er en utfordring, men også en stor mulighet for norsk næringsliv. Samtidig trenger vi et arbeidsliv som har rom for alle. Enten man har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, er arbeid en nøkkel til selvrespekt og selvforsørgelse. Mange av dem som står utenfor arbeidslivet, vil og kan bidra, men finner dessverre ikke veien inn. Derfor trenger vi en og vi er nødt til å ta et ansvar i offentlig sektor. Derfor er jeg glad for at regjeringen har et mål om at minst 5 pst. av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en. Det har en egenverdi for den enkelte, det er veldig viktig for fellesskapet, og det vil ikke være bærekraftig verken økonomisk eller sosialt om folk havner utenfor jobb og utdanning. En god bolig er et grunnleggende velferdsgode, og de aller fleste av oss klarer å skaffe seg en god bolig på egen hånd. Men vi har et ansvar for at alle, også vanskeligstilte, klarer å komme seg inn på boligmarkedet. Derfor løfter vi også de boligsosiale tiltakene i denne regjeringsplattformen. I replikkvekslingen tidligere i dag sa representanten Kaski fra SV noe jeg mener viser at opposisjonen ikke nødvendigvis forstår kva som virker i det boligsosiale arbeidet. Både SV og Arbeiderpartiet vil bruke Husbanken for å gi lån til helt vanlig ungdom. Disse partiene vil også prioritere at vanlig ungdom som klarer å tjene seg opp egenkapital på noen få år, skal gå foran dem som trenger det aller mest. Med det gjør man Husbanken til en konkurrent til helt ordinære banker. Regjeringen er tydelig og prioriterer annerledes. Vi prioriterer å gi mer til dem som trenger det mest, framfor å smøre det tynt utover til alle. Resultatet av vår boligsosiale politikk er at flere får fullfinansiert boligen sin gjennom startlån. Det har aldri vært registrert færre bostedsløse, og innsatsen rettes mot barnefamilier. Det arbeidet gleder jeg meg til å følge opp i årene som

på. Helse blir en stor utfordring i årene som kommer, også i vårt samfunn. Jeg har tre budskap: Vi kan ikke fortsette som før. Vi må arbeide hardere for å fremme helse, noe jeg for øvrig finner lite om i plattformen, og forebygge sykdom. For det er forskjell på å fremme helse og å forebygge sykdom. Det er fordi det sparer mennesker for lidelser, ubehag og for tidlig død, men også fordi det er god økonomi. Vi kan umulig ha økonomi i framtiden til å fortsette slik vi gjør i dag. Det sørger bl.a. alderssammensetningen i samfunnet for. Derfor er det viktig med nye måter å arbeide på og ny, god offentlig innovasjon. Vi har sett at de sosiale forskjellene øker, og da vet vi at helseforskjellene i befolkningen også øker. Det er vist gang på gang i forskning, oppsummert i det som kalles helsegradienten. Å få en økning i de sosiale forskjellene er det samme som å få en økning i helseforskjellene i samfunnet vårt. Jeg har sett og hørt her i dag forsvarere av og deltakere i denne regjeringsplattformen anklage opposisjonen for å være livende redd for privatisering. Jeg er ikke redd for at mennesker skal tjene penger, ikke engang mye penger. Vi skal ha private initiativ. Men jeg er redd for et samfunn med store forskjeller, et samfunn der ikke alle har samme muligheter, et urettferdig samfunn, et mindre solidarisk samfunn. Mine tilløp til angst ligger i at hvis markedet skal bestemme mye på helseområdet, vil ulikhetene øke. Helse er ikke et område som egner seg for store fortjenester. Her skal det offentlige ha ansvaret. Her skal det offentlige være garantisten. FN har fastslått at helse er en menneskerett, menneskerett, og Norge har vært et land som har vist hvordan det kan foregå, og at vi leverer lik helsehjelp til alle. Senterpartiet er opptatt av at vi i Norge må starte et hardt arbeid med helsefremming og forebygging, at mennesker skal ha de samme mulighetene til å velge god helse, uavhengig av hvor de bor, og hva de tjener. La oss fortsette med den tanken vi har hatt, og som har vist seg å stemme tidligere. Et likt samfunn er et rikt samfunn, og det skapes ikke med strukturendringer, men med endringer i innhold og kvalitet.

Mange stader i verda er hardare råka enn vårt land, og det tek Kristeleg Folkeparti på stort alvor. Prognosar syner at store område kan bli ueigna for matproduksjon. Urettferdig nok ligg desse områda i delar av verda som allereie er pressa av fattigdom. Dette Dette har i tillegg til lidingane sider ved seg av migrasjonsmessig og tryggingspolitisk karakter som vi berre ser for oss konturane av. Heller ikkje regjeringa sin omdiskuterte retorikk mot flyktningar vil vere nok til å demme opp for dei folkevandringane som kan kome av dette. På vegen mot eit klimanøytralt samfunn må vi gjere store tilpassingar til dei endringane som allereie er komne, og dei som vil Eg merkar meg òg at regjeringa tek inn over seg kor viktig klimatilpassing er, og at dei signaliserer at dei vil møte dette på fleire sektorar. Klimatilpassing kjem heller ikkje av seg sjølv. Samstundes som vi kjenner konsekvensane av klimaendringane på kroppen, har vi enno ikkje eit eige fagmiljø utanfor NVE-systemet som forskar, og som hjelper bygder, næringsdrivande og kommunar med klimatilpassing. Dei har mykje kompetanse, men det trengst samordning og meir forsking. Vi har eigne forskingssenter for energi, for utsleppsreduksjon og for klimamodellering, men det viktige samfunnsområdet klimatilpassing manglar. Kristeleg Folkeparti meiner at vi skal kunne bu trygt i alle delar av landet vårt, og at vi må ta på alvor den faren flaum, skred og endringar i naturen representerer. Kostnadene ved å førebyggje er også her mindre enn når ein må reparere. Det blir interessant å sjå kor offensiv den utvida regjeringa blir når det gjeld ras- og flaumsikringsarbeidet. Etterslepet er i milliardklassen, likevel var dette blant dei områda som Kristeleg Folkeparti måtte forhandle opp i samband med statsbudsjettet. Vi har merka oss initiativet som har kome om å etablere eit nasjonalt kunnskapssenter om med utspring i Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet. I tett samarbeid med regionale og lokale myndigheiter kan eit slikt kunnskapssenter bli eit levande laboratorium der nye løysingar på korleis vi skal tilpasse oss klimaendringar, blir utvikla. I statsbudsjettet fekk Kristeleg Folkeparti støtte av Miljøpartiet Dei Grøne og SV for ein merknad som seier at eit nasjonalt senter for klimatilpassing er interessant og bør vurderast nærare. Eg oppmodar regjeringa til å sjå nærare på det. Stadig flere i Arbeiderpartiet er

som ble avlevert av de rødgrønne 26. august 2011. Jeg leser: «Eit tillitsbasert og effektivt partssamarbeid med høg legitimitet føreset oppslutning om organisasjonane. Likeins er det ei viktig side ved demokratiet vårt at arbeidstakarar og arbeidsgivarar skal stå fritt til å stifte og drive organisasjonar, og fritt kunne slutte seg til den organisasjonen dei ønskjer, eller Styresmaktene har ansvar for å leggje til rette for eit godt arbeidsliv for alle arbeidstakarar og arbeidsgivarar – både organiserte og uorganiserte.» I Jeløya-plattformen leser vi følgende om arbeidslivet: «Regjeringens mål er et norsk arbeidsliv med både trygghet og fleksibilitet for arbeidstakere, seriøse arbeidsgivere og et velfungerende og effektivt trepartssamarbeid. Gjennom samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har Norge skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder. Regjeringen vil videreutvikle den norske modellen og mener det er en konkurransefordel for Norge med et likestilt og inkluderende arbeidsliv med høy organisasjonsgrad.» I en tid da vi egentlig burde snakke mer om hvordan vi kan inkludere flere, fortsetter Arbeiderpartiet å polarisere debatten. Det er ikke arbeidstakerne tjent med, heller ikke de som står utenfor. Samfunnet vårt taper bærekraft. Trepartssamarbeidet har tjent Norge godt. Dette er et rammeverk som gjør at vi kan utføre politikk og moderniseringer som står seg over tid. Det er derfor bekymringsfullt at organisasjonsgraden er fallende, men det er fremdeles et tankekors at YS i sitt arbeidslivsbarometer for 2017 finner at 40 pst. av de fagorganiserte er enig i påstanden: «Fagforeninger er for tett koplet til politiske partier.» Fagforeningene må gjøre seg relevante for dagens arbeidstakere, og de må kanskje løsrive seg fra partiavhengigheten. Samtidig kan ikke Arbeiderpartiet bare skylde på Høyre, de bør også se på om LO oppleves relevant nok for det moderne arbeidslivet. Da kan kanskje organisasjonsgraden gå opp hos flere, og vi vil få flere stemmer som kan bidra i samtalene om nødvendige moderniseringer for å bevare et bærekraftig velferdssamfunn. Det har de neste generasjonene fortjent, også de som står utenfor arbeidslivet og vil ha en jobb å gå til. Det går svært godt i Norge. Samtidig har vi enkelte utfordringer for framtiden. Det handler om å møte omstilling i en tid med økende automasjon og store teknologiske muligheter. Det handler om å sikre at alle får ta del i samfunnet og kan bidra aktivt. Det handler dermed om på den ene siden å få flere til å fullføre og bestå sine utdanningsløp og starte tidlig med å løfte den enkelte elev og samtidig legge opp til at vi har et utdanningssystem som sikrer at vi aldri skal gå ut på dato, men lærer gjennom hele livet. Så langt legger vi bak oss tidenes periode for kunnskapssatsing i Norge, og gjennom Jeløya-plattformen legges det politiske grunnlaget for ytterligere satsing på kunnskap og god oppvekst. Fra læring gjennom lek i barnehagen til høyere utdanning er det liten tvil om at barn, elever, studenter, voksne og næringsliv har tjent godt på at vi siden 2013 har fått et nytt flertall på Stortinget som har tatt kunnskapspolitikken i en retning som er langt mer offensiv, med høyere satsinger og flere og større prioriteringer. Allerede ser vi at ungene våre lærer mer, at frafallet går ned, at det i både offentlig og og at de som vil strekke seg litt ekstra, eller de som henger litt etter, får bedre hjelp og støtte nå enn for ikke så veldig mange år siden. Det har vært en målrettet satsing på lærere, kompetansekrav, realfagssatsing, dybdelæring gjennom den kommende fagfornyelsen og mye mer. Vi har høye ambisjoner for skolen og våre muligheter til å løfte alle Etter å ha hørt all svartmalingen fra opposisjonen kan det være verdt å minne om at vi på få år har gått fra sen innsats rettet mot slutten av grunnskolen til det som nå er et solid løft for tidlig innsats. I kontrast til vårt fokus på kunnskap er det interessant å se at Arbeiderpartiet gjør helomvending og nå synes det er greit at det å detaljstyre spørsmålet om skolefrukt, beredskapsteam for mobbing og forslag om praktisk skolesekk, for å nevne noe, er mye bedre enn å stille krav til at lærerne som underviser i norsk, matematikk og engelsk, skal ha fordypning i sitt fag. Jeg håper foreldrene får med seg at Arbeiderpartiet allerede har forlatt målet om at alle barn innen 2025 skal kunne møte en lærer med faglig fordypning. I dag ble også foreldreundersøkelsen for barnehager presentert. Her skårer private barnehager høyere enn de kommunale og kommer godt ut. Likevel vil altså Arbeiderpartiet kutte ikke-kommunale barnehager med 300 mill. kr i sitt alternative statsbudsjett, og rammer dermed halvparten av landets barn. Det er vanskelig å forstå denne politikken, men for Høyre er det i alle fall naturlig å spille på lag med alle gode krefter i oppvekstpolitikken. Barna våre fortjener det.

skolen. Det er bare en uke siden Arbeiderpartiet erklærte at første skritt for å gjenreise egen skolepolitikk var å fjerne faglige krav til lærere som underviser. Det er feil vei å gå. Høyre og regjeringen er kompromissløse når det gjelder å prioritere læring og kunnskap i skolen. Vi skal fortsette med å styrke grunnmuren slik at alle elever møter dyktige,

Jeløya-plattformen er klokkeklar: Vi skal ha en kompetansereform og kvalifisere flere mennesker inn i arbeidslivet. Å sikre at de lærer kontinuerlig i arbeidslivet er en av de viktigste oppgavene vi har. Regjeringen er i gang med flere tiltak, særlig for dem med svake grunnleggende ferdigheter, men vi må gjøre mer. Utdanningsinstitusjonene våre må ha flere etter- og videreutdanningstilbud. Vi trenger et system for realkompetansevurdering. Bedrifter må få flere incentiv for å investere i kompetanse til sine ansatte. Kompetansereformen både kan og bør bli en av de viktigste velferdsreformene de neste ti årene, for dersom vi skal ha et bærekraftig velferdssamfunn, må barna lære i timen på skolen, og voksne må lære hele livet: Ingen mennesker som

Det er viktig at vi kan forenkle og avbyråkratisere, og det er ikke bare i offentlig sektor det er tidstyver. Derfor mener jeg det er bra at det er så tydelig at vi skal utvikle en ny grønn industri i Norge, selvsagt gjennom å følge opp industrimeldingens tiltak for å bidra til at Norge er en kunnskapsdrevet industri- og teknologinasjon. Her er det viktig for næringslivet å ha en ansvarlig og forutsigbar økonomisk politikk som er basert på handlingsregelen og holder orden på økonomien. Det er bra for næringslivet, og spesielt for industrien og norske arbeidsfolk, at flertallet ble enige om en avvikling av maskinskatten før jul, noe som muliggjør en sterkere utvikling og fornying innen norske industribedrifter. Dette vil gi en langsiktig forutsigbarhet som er helt nødvendig for både bedrifter og industri for å være med på den nødvendige omleggingen til en grønnere industri. For å sikre at bedrifter har mulighet til å ha norske eiere, samt å legge bedre til rette for både eksisterende og nye bedrifter, er det viktig å gjøre noe med formuesskatten på arbeidende kapital. Jeg har reist mye i løpet av høsten som har vært, og det gjentas av de fleste innenfor oppdrettsnæringen hvor viktig EØS-avtalen er. Derfor er det både viktig og riktig at plattformen er så tydelig når det gjelder vår tilknytning til EØS. Fiskeri og havbruk er blant de viktigste framtidsnæringene for Norge. Våre fiskeriressurser er en evigvarende ressurs som kan bidra til vekst og verdiskaping her i landet som forutsetter en forsvarlig forvaltning. Det er derfor viktig at vi klarer å sikre en god rekruttering til næringen. Venstre er godt fornøyd med at regjeringen vil føre en næringspolitikk som gir gode rammer for gründere og oppstartbedrifter, noe som gjør det enklere å starte egen arbeidsplass, men ikke minst å skape arbeidsplasser for flere. Vi er også godt fornøyd med at hovedlinjen i norsk landbrukspolitikk ligger fast, basert på jordbruksmeldingen som de ikke-sosialistiske partiene sto bak i fjor vår, med bl.a. en aktiv forståelse av at kanaliseringspolitikken ligger fast. Landbrukets hovedoppgave er å produsere mat av god kvalitet, noe norsk landbruk gjør, og med sterk fokusering på dyrevelferd. Venstre mener, og har ment lenge, at vi skal ha et differensiert og mangfoldig landbruk i hele landet. Landbruket er også, som mange andre oppgaver, viktig for å skape, ikke minst innenfor landskapspleie som igjen er viktig for reiselivsnæringen. Gjennom gode samspill mellom reiseliv, landbruk, fiskeri og reindrift kan en også

og svartmalingen som jeg tror var en sterk bidragsyter til den ikke-sosialistiske valgseieren i høst, fortsetter i samme takt og med samme tone. Videre i sitt innlegg sa representanten Gahr Støre at regjeringserklæringen bærer preg av mange honnørord som det er lett å slutte seg til, men som ikke følges opp med handling. Vel, én dag etter at statsministeren holdt redegjørelsen for Stortinget, er det kanskje ikke så rart at ikke hele erklæringen er fulgt opp med konkrete handlinger. Noen av de honnørordene som Gahr Støre angrep for å være honnørord, var at hver elev skal møte en kvalifisert lærer. Jeg mener oppriktig det er viktig at hver enkelt elev møter en lærer som har og har hatt de samme kravene til fordypning i de fagene han eller hun underviser i. Jeg tror rett og slett skolen blir bedre av det. Det var også Arbeiderpartiet enig i i forrige periode. Det var de enig i helt til 15. januar i år. Da snudde Arbeiderpartiet, og de ønsker ikke lenger at lærere skal oppfylle kompetansekrav, som effektivt hadde ført til at hver enkelt elev skal møte en kvalifisert lærer. Det er synd. Det viser en populistisk vingling, og det fører i verste fall til større forskjeller mellom elever rundt omkring i landet. Jonas Gahr Støre sa videre i sitt innlegg at han var enig med Kristelig Folkeparti i at det manglet noe om vår nasjonale kulturarv i erklæringen. Hva som manglet, sa han imidlertid ikke noe om. Var det flere honnørord som han i minuttet før anklaget regjeringen for å ha for mange av, eller var det noe konkret, som det å fjerne K-en i KRLE-faget, som Arbeiderpartiet gikk til valg på? Jeg tror politikk er viktigere enn semantikk, og hva man faktisk gjør, er viktigere enn hva som blir skrevet. Jeg er helt sikker på at denne regjeringen kommer til å følge opp vår stolte humanistiske arv på en god måte.

Jeg er glad for denne ærlige erkjennelsen fra Njåstad. NFF, fagbevegelsen og vi i opposisjonen har i fire år pekt på det faktum at den flate ABE-reformen har sulteforet norske fengsler. Mindre arbeid med innholdet i soningen, svekket kriminalforebyggende arbeid og mer isolasjon er noen av konsekvensene. I tillegg viser denne regjeringen ofte en forakt for det organiserte arbeidslivet, for fagbevegelsen, eksempelvis ved gjennomføring av denne storstilte og såkalte effektiviseringsreformen i offentlig sektor uten tilstrekkelig dialog med fagbevegelsen, noe som ble tydelig kommunisert av Asle Aase fra NFF i den samme debatten. Norske fengsler skal drive med samfunnssikkerhetsarbeid og kriminalforebygging til det beste for også alle oss som bor utenfor murene, for de som sitter inne, skal en dag ut og bli våre naboer. Når det står i erklæringen at regjeringen skal arbeide for et mer rehabiliterende straffegjennomføringssystem ved at det legges større vekt på innholdet i soningen, er jeg glad for det. Men heller ikke her har de trippelblå særlig høy troverdighet. For hva betyr dette? Betyr det f.eks. at rehabiliteringsprogrammer som rusmestring og sinnemestring nå skal føres tilbake til kriminalomsorgen? Betyr det at de frivillige organisasjonene som hver dag jobber med oppfølging og tilbakeføring av tidligere innsatte, nå skal få forutsigbare rammer? Betyr det at gode rehabiliterende tiltak som RøverRadion, Vardeteateret, Blues Factory og andre kulturtilbud skal gis den plassen de fortjener, uten at man må leve i uvisshet fram til de kanskje blir reddet av Kristelig Folkeparti i siste liten? Dersom dette betyr at de ansatte i kriminalomsorgen nå framover kan gå på jobb i visshet om at deres sikkerhet er ivaretatt, at de innsatte får tilbud om den hjelpen de trenger for å skape seg et nytt liv på utsiden av murene, og dersom det betyr at vi som bor i samfunnet rundt fengslene, kan være trygge på vår sikkerhet fordi regjeringen gjør det den kan for at folk ikke igjen begår nye lovbrudd, vil regjeringen bevise at erklæringen er noe mer enn punkter på et ark. Arbeiderpartiet kommer til å følge nøye med på utviklingen innen kriminalomsorgen, og vi håper regjeringen leverer mer enn tomme ord i neste års statsbudsjett.

narkotikautløste dødsfall i 2016, og de høye tallene har ligget stabilt på dette nivået gjennom hele den forrige regjeringsperioden. Det haster med nye grep på dette feltet. Arbeiderpartiet har derfor fremmet forslag om en ny overdosestrategi, et arbeid jeg håper regjeringen vil støtte opp under. For bak tallene finner vi mennesker, og rundt står foreldre, besteforeldre, søsken og venner som har mistet noen de er glad Til sammenligning omkom 107 på veiene våre i 2017, 107 for mange, men det er det laveste tallet på 70 år. Gjennom et målrettet arbeid har en de siste tiårene lyktes i å få ned dødstallene i trafikken. Det bør inspirere oss til å tro at det er mulig også å lykkes med en rusreform som kan få ned antallet som får livet sitt ødelagt eller dør Da må vi være åpne for ny kunnskap og kraftfulle tiltak. Blant annet trengs det en sterkere oppfølging etter at folk har kommet ut av institusjon. Vi vet at i den perioden er risikoen for overdosedødsfall betydelig høyere. En jobb å gå til, fritidsaktiviteter og et positivt sosialt nettverk er noe av det som må på plass. Men vi trenger også god nok behandlingskapasitet. Derfor bekymrer det meg at helseministeren på et skriftlig spørsmål om avrusningskapasiteten i Helse Sør-Øst etter avviklingen av avtalen med Borgestadklinikken ser ut til å mene at det er helt greit om dette nå resulterer i færre avrusningsplasser. Det gjør meg urolig, og det er ikke noe godt bidrag til å hjelpe flere ut av rusmisbruk. Mange av dem som sliter med rusmisbruk, har tidligere opplevd at samfunnet har Vi har nå i fellesskap en mulighet til å stille bedre opp for dem som trenger det mest. Når denne stortingsperioden er slutt, håper jeg vi kan si at vi har gjort vårt for at ikke 282 nye skal ende i statistikken over narkotikautløste dødsfall hvert år. Miljøpartiet De Grønne er

og grønne løsninger, basert på grasrotdemokrati, frivillighet og ideelle aktører – selv om vi naturligvis heller mest mot sistnevnte. Regjeringserklæringen signaliserer imidlertid et nytt steg i blå retning, og vi står i fare for å havne i en situasjon der markedsliberalisme blir sett på som et mål i seg selv, framfor at markedet ses på som ett av mange verktøy, og som bør brukes med måtehold. For å oversette et utenlandsk uttrykk: «Hvis du bare har en hammer, vil ethvert problem synes som en spiker.» Jeg tror mange konservative tenkere ville være kritiske til å gå for langt i den retningen. Jeg tror det er få av dem som ønsker å bevare livsgrunnlaget vårt, som sover med «Mammons lille blå» på nattbordet. Jeg tror at om vi skal kunne løse framtidens utfordringer, kan vi ikke sette et enkelt verktøy først, vi må la valgene våre styres av målene våre. Vi må ta vare på andre mennesker, uansett hvem de er, hvor de er, og hvor de kommer fra. Vi må ta vare på naturen og de andre dyrene, vi må ta vare på framtidens generasjoner. Da er klokken blitt 22, og i henhold til Forretningsordenen § 34 ber presidenten om samtykke til å fortsette Stortingets møte til sakene på dagens kart er ferdigbehandlet. Samtykket anses som gitt.

retorikk. Vi kan vel trygt slå fast at det var en retorikk de ikke likte. Og hvorfor likte de den ikke? Det var fordi det var en retorikk som ikke var troverdig. Ta f.eks. påstanden om et kaldt samfunn med økte forskjeller osv.: Statistikken viser at det nesten ikke er noen endring i forskjellene i Norge over flere tiår. De få små økningene i forskjeller som man kan lete seg fram til, kommer først og fremst av økt innvandring og for dårlig integrering – en politikk venstresiden i denne salen har vært eksponent for i lang, lang tid. Vi som driver med politikk, vet én ting – det er at troverdighet vinner valg. Partier uten stor troverdighet gjør dårlige valg. Det er derfor den borgerlige siden har vunnet, det er derfor de tre partiene nå har I en debatt som dette er det veldig lett å skrive innlegg om hvor fortreffelig regjeringsplattformen er, og hvor retningsløs opposisjonen framstår. Jeg skal heller prøve å framheve noe positivt som har kommet fram i løpet av dagens debatt. Det er deler av plattformen som opposisjonen nesten ikke viet et sekund til å snakke om. En av disse er politi og beredskap. Dette har vært en debatt der det selvfølgelig flommer over av en slags påtatt kritikk på ulike felt, men her har de altså vært nesten tause. Økningen i midler og ansatte til politiet de siste fire årene har vært betydelig, pilene peker i riktig retning, hverdagskriminaliteten synker, tilliten til politiet holder seg veldig høy, beredskapen er betydelig forbedret, og PST la senest i går fram en ny trusselvurdering som viser at innsatsen mot ekstremisme faktisk hjelper. Ekstremister er fortsatt en trussel, men stadig flere av dem sitter bak lås og slå eller er under overvåkning. Opposisjonen er altså ganske taus om dette. Hvorfor er det et positivt tegn? Jeg mener vi skal tolke det i beste hensikt. Det kan tyde på at det faktisk er en tverrpolitisk enighet om at regjeringen over tid har levert godt på dette feltet, at innsatsen for politiet og sikkerhetsmyndighetene våre alt i alt har vært god. Det gir stabilitet, det gir ro og kontinuitet, noe jeg tror justissektoren vil tjene på i årene som

at så mange sier ja takk til arbeid og tjenester uten skatt. De som kjøper svarte tjenester, er med på å bidra til at useriøse og kriminelle firmaer har et marked å boltre seg i. Slagsiden er et brutalisert arbeidsliv, underbetalte arbeidere og tap av store skatteinntekter, noe som undergraver velferdsstaten vår. I den nye regjeringsplattformen er bekjempelse av arbeidslivskriminalitet på dagsordenen. Og til Arbeiderpartiet: Dette er ikke fine honnørord, det er vilje og handling bak ordene. Regjeringen har de siste fire årene hatt en god dialog og et godt samarbeid med partene i arbeidslivet. Det er satt i gang mange gode tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. For det er ikke bare opposisjonen som fører kampen mot arbeidslivskriminalitet, slik representanten Dag Terje Andersen hevdet tidligere her i kveld. Regjeringen vil også svart arbeid til livs og vil fortsette det målrettede arbeidet med å legge til rette for et godt organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid. I de største byene, Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Kristiansand, har politiet, Skatteetaten, Nav og Arbeidstilsynet blitt samlokalisert i lokale arbeidslivskrimsentre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Medarbeidere fra disse etatene jobber tett sammen og gjennomfører felles tilsyn, veiledning og kontroll av utvalgte bransjer. bransjer. Dette tiltaket har gitt veldig gode resultater,